I 1963 ble Kristin Lønningdal innvalgt i Stavanger bystyre og formannskap for Høyre. Frem til 1973 hadde hun en rekke tillitsverv både i offentlige og politiske organer. Hun var medlem av fylkestinget og fylkesutvalget, og i perioden 1969–1974 var hun medlem av Høyres sentralstyre. Hun var også medlem av Husbankens avdelingsstyre for Vestlandet Statoil. Kristin Lønningdal var vararepresentant til Stortinget for Rogaland i to perioder, fra 1965 til 1973. Ved stortingsvalget høsten 1973 ble hun valgt inn som fast representant for Høyre. Hun ble gjenvalgt i 1977, men frasa seg gjenvalg ved stortingsvalget i 1981. I den første perioden var hun medlem av kommunal- og miljøvernkomiteen og deretter finanskomiteen. I løpet av den tiden hun var fast representant på Stortinget, var hun delegert til FNs generalforsamling og medlem av styret i Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union. Kristin Lønningdal var varasekretær i Odelstinget fra 1977 frem til hun høsten 1980 ble valgt som varapresident i samme ting. Kristin Lønningdal ble utnevnt til fylkesmann i Rogaland i 1981 og innehadde Kristin Lønningdals engasjement på Stortinget favnet vidt. Hun interesserte seg for mange oppgaver – fra boligbygging og sykehuspolitikk til miljøvern og økonomisk politikk. Hun var opptatt av enkeltindividets rett og av å hjelpe dem som følte at de kom til kort i møtet med offentlig byråkrati. Dette var spørsmål som hun var sterkt opptatt av i sin gjerning som fylkesmann. Kristin Lønningdal hadde en tydelig profil. alltid rett på sak og hevdet sine meninger klart og utvetydig, samtidig som hun hele tiden var preget av et vennlig vesen overfor kolleger og medarbeidere. Vi minnes Kristin Kverneland Lønningdal for hennes virke i Stortinget og lyser fred over hennes minne.

Fra Fremskrittspartiet stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Åse Michaelsen fra og med 11. mars og inntil videre. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og innvilges. Vararepresentanten, Tor Sigbjørn Utsogn, innkalles for å møte i Representanten Bård Hoksrud vil framsette et representantforslag.

Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om en utvidet og bindende investeringsplan for norsk jernbane. Representanten Arne Sortevik vil framsette et representantforslag. På vegne av representantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og meg selv har jeg fornøyelsen av å sette frem forslag om en utvidet og bindende nasjonal investeringsplan for stamveinettet. Representanten Ketil Solvik-Olsen vil framsette to representantforslag.

Jeg har den utsøkte glede å fremme forslag på vegne av representantene Siri A. Meling, Line Henriette Hjemdal, Borghild Tenden og meg selv om å forlenge utleieperioden for vannkraftverk til 30 år. Jeg vil så på vegne av representantene Siri A. Meling, Line Henriette Hjemdal, Borghild Tenden og meg selv fremme forslag om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater. Representanten Hans Frode Kielland Asmyhr vil framsette et representantforslag. På vegne av stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg og meg selv er det en stor ære å fremme forslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Som presidenten sa, har vi til behandling Representantforslag 14 S fra Trine Skei Grande og Borghild Tenden, fremmet på

første: Finansministeren er hver dag

har vært behandlet ved tre anledninger, i 2000–2001, 2003–2004 og 2007–2008. Som ved tidligere behandlinger foreslår Presidentskapet at forslaget ikke bifalles. Bakgrunnen, og begrunnelsen, for det er i veldig stor grad den samme som ved tidligere behandlinger av tilsvarende forslag, nemlig at vi oppfatter det slik at det er en kvalitet ved Det norske storting at det er veldig åpent og tilgjengelig, og at det er lett for norske borgere å få kontakt med Stortingets representanter. Det mener vi fortsatt skal være situasjonen. Og når det gjelder det konkrete innholdet i forslagets punkt 1, som omhandler Stortinget, ville jo ikke det ha vært et register bare for profesjonelle et register over enhver person som ønsker å ta kontakt med en stortingsrepresentant. Det mener vi vil redusere en viktig kvalitet ved demokratiet, nemlig den lette tilgangen til Stortinget. Vi har denne gangen hatt en relativt grundig gjennomgang av andre lands forskjellige former for lobbyregistrering og funnet at det er lite å hente erfaring knyttet til forslagets innfallsvinkel, nemlig ved rett og slett å ha et register for ankomst til Stortinget. For eksempel har man i EU-parlamentet laget en ordning der man kan registrere seg som lobbyist og dermed få adgangstegn til EU-parlamentet, men det er altså en helt annen løsning enn det som blir foreslått i Det betyr ikke at Presidentskapet ikke synes at mange av implikasjonene knyttet til lobbyvirksomhet er verdt å diskutere – og det har vært en god og bred diskusjon om det de siste månedene. Det i seg selv bidrar til bevissthet rundt hvem som påvirker de politiske prosessene. Vi mener altså at det er en viktig debatt, men i stor grad en annen debatt enn det som adresseres i det framlagte representantforslaget. Vi vet f.eks. at mye av de profesjonelle PR-byråenes virksomhet nettopp ikke ville bli omfattet av et register i Stortinget, enten ved å møte Stortingets representanter utenfor Stortinget eller, kanskje i all hovedsak, ved å være rådgiver for dem som møter i Stortinget – men ikke selv møter i Stortinget – f.eks. i forbindelse med høringer. Allikevel synes vi det er viktig å ha en levende diskusjon om det, og her mener jeg vi har noe å lære av andre land. For den type ordninger som i vesentlig grad finnes i andre land, er det vi f.eks. har lagt inn etter vedtak i 2005, om karantene for politikere som enten kommer fra den type PR-byråer og som pr. definisjon har ukjent kundemasse, eller for den saks skyld for dem som går ut av politikken og inn i den type PR-virksomhet. Intensjonen med vedtaket i 2005 var å organisere dette på en god måte. Dette har nå vært praktisert siden 2005, med diskusjoner f.eks. om hvem av dem som er til behandling i Karanteneutvalget, som får karantene, og ikke minst hvem som ikke får karantene, forskjellen mellom dem som får karantene, og dem som får saksforbud. Presidentskapet mener det er viktig å se på alle disse tingene med bakgrunn i den erfaringen vi har. Derfor ber vi Regjeringen om å komme med en vurdering av erfaringene med karantenebestemmelsene. Jeg har lyst til å understreke at i den offentlige debatten om dette spørsmålet har det vært påstått at det å ha karantenebestemmelser er til hinder for at man kan gå fra politikk til privat næringsvirksomhet og, ikke minst, fra privat næringsvirksomhet til politikk. Jeg er opptatt av at vi skal ha med representanter for privat næringsliv i Norge også i politikken. Men det er altså ikke slik at en konsulentbransje som har skjult medlemsmasse, og som har som formål å påvirke beslutninger i storting og regjering, er det samme som en hvilken som helst jobb i privat sektor i et selskap der man vet hvem man jobber for. Noe av det spesielle med bransjen – og da tenker jeg på den profesjonelle delen av bransjen – er nettopp at man har skjult kundemasse. Et mindretall i Presidentskapet vil kanskje si noe om en del av innstillingen som handler om nettopp det. Samtidig er det slik at det er mange, f.eks. en del advokater, som bidrar med rådgivning om hvordan man skal kommunisere med og påvirke offentlig myndighet, og de har i lovs form beskyttet retten til – de er faktisk pålagt – å holde skjult hvem som er deres klienter. Det er altså mange dilemmaer ved dette spørsmålet. Så er det et annet tema som har vært sentralt i debatten, og som Presidentskapet også har brukt tid på. Det er spørsmålet om tidligere stortingsrepresentanters adgang til Stortinget. Det er jo sånn at en del tidligere stortingsrepresentanter også bistår med å veilede om hvordan man skal forholde seg til den offentlige og politiske Det ble i forrige stortingsperiode avklart, eller vedtatt, at tidligere stortingsrepresentanter ikke kan ta med seg andre inn. Man kan altså ikke være vert i Stortinget med utgangspunkt i sitt adgangskort til Stortinget. Det synes jeg var en viktig presisering, for det har jo også skjedd at Stortingets representanter kan være noe usikre på om tidligere kolleger er her profesjonelt, eller om de er her nettopp som tidligere Presidentskapet er innstilt på å tydeliggjøre nettopp dette, at den invitasjonen som ligger i det å ha et adgangstegn til Stortinget, er selvfølgelig for å kunne besøke Stortinget og tidligere kolleger som tidligere representant, ikke ment å skulle være et adgangstegn som brukes i en annen, profesjonell sammenheng. Presidentskapet er altså klar på at dette skal Så vil jeg til slutt få lov til å si at det har vært mange diskusjoner knyttet til folk som kommer fra PR-bransjen, folk som går til PR-bransjen, og i noen tilfeller også vararepresentanter som jobber i PR-bransjen. Det er også Presidentskapets oppfatning at det ikke er alle ting vi kan klare å regulere med lov. Til syvende og sist er det altså slik at Stortingets representanter ikke er ansatt av Presidentskapet. De er faktisk ikke ansatt av noen. Presidentskapet kan heller ikke be en som er varamann til Stortinget, om å slutte i den jobben vedkommende har, for å begynne i en annen jobb. Til syvende og sist handler dette også om at partiene er seg bevisst hvordan de forholder seg til sine kandidater, og hvordan partier og kandidater vurderes av sine velgere. Noe av dette skjønnet vil også i framtiden måtte ligge nettopp i demokratiets vesen. Det er et spørsmål om tillit, og det er i stor grad et spørsmål om partienes ansvar for at den tilliten opprettholdes. På den bakgrunn vil jeg anbefale at Stortinget vedtar innstillingen som nå foreligger fra Presidentskapet. Jeg tror vi alle er enige om betydningen av å beskytte den verdien som ligger i å ha et åpent storting og lett tilgang til oss stortingsrepresentanter, og betydningen av stor åpenhet rundt politiske prosesser. Nå ser jeg av innstillingen at Presidentskapet ser Venstres forslag slik at det bare er møter eller påvirkningsforsøk her i huset som omfattes av forslaget om en registrering. Jeg må innrømme at jeg stusser litt over denne definisjonen. Det kan godt hende den er i tråd med hvordan Venstre definerer sitt eget forslag, men jeg stusser likevel litt over denne definisjonen av begrepet «Stortinget», for jeg mener det vanskelig kan begrenses til bygningen. Jeg mener det må forstås slik at det omfatter Stortingets organer og oss representanter. Det er nå engang vi som utgjør Stortinget. I hvert fall ville dette fort bli en problemstilling hvis forslaget var blitt vedtatt og resultatet ble – som stortingspresident Dag Terje Andersen pekte på, og som det pekes på i innstillingen – at møtevirksomheten ble flyttet over gaten til Grand Hotel. Da tror jeg man fort ville få en ny definisjon av begrepet Stortinget. Derfor må vi unngå å byråkratisere dette. Vi må ha regler som er praktikable. Jeg tror vi alle i løpet av en uke har mange henvendelser som kan falle inn under kategorien påvirkningsforsøk, selv om interessene bak eller saken det dreier seg om, kan være av ulik omfang og tyngde, og særlig hvis vi er bekymret for at tunge økonomiske interesser lettere skal vinne fram enn interesser med små ressurser. Jeg var i går på et møte i FN-sambandets regi På vei til stasjonen etter møtet tok lederen opp med meg en gammel kampsak for denne organisasjonen, nemlig å få gjort FN-dagen til offisiell flaggdag. Det var et forsøk på å påvirke. Skulle det vært notert i et slikt register eller ikke? For dette er en sak av begrenset omfang, for å si det forsiktig. Men hva hvis han hadde forsøkt å uttrykke ønske om økt bevilgning til FN-sambandet? Ville det da vært innenfor eller utenfor en registreringsplikt? Poenget med at jeg nevner disse banale eksemplene, er at grensedragningen mellom hva som skulle holdes utenfor, og hva som skulle være innenfor plikten til å registrere, veldig fort – i det daglige – kunne vise seg å bli krevende. Politikk er jo i sitt vesen en dragkamp mellom ulike hensyn og interesser, og jeg tror det aller meste av det som skjer i den dragkampen – enten det er forsøk på å sette dagsorden eller å ivareta sine interesser – skjer i det offentlige rom, og ofte med utstrakt og velvillig bruk av media. Jeg har i hvert fall til gode å oppleve at noen i det skjulte har forsøkt å påvirke utfallet av en sak gjennom meg, enten som stortingsrepresentant, som politisk rådgiver eller som statssekretær i regjeringsapparatet. Det mest alvorlige eksemplet på skjulte forbindelser som jeg kjenner til når det gjelder stortingsrepresentanter, er tidligere stortingsrepresentant og statsminister Kåre Willochs ekstralønn, først fra Rederiforbundet og deretter som et spleiselag mellom Rederiforbundet og Industriforbundet. Men slike forhold skal vi jo nå ha åpenhet om i registeret Derfor støtter vi flertallets innstilling, som er i tråd med de vurderinger som det også har vært bred enighet om tidligere, når det gjelder forslaget om å opprette et register. Jeg mener nøkkelen her er åpenhet om kontakten mellom interesseorganisasjoner etc. og Stortingets organer og oss som representanter. Her har vi alle et ansvar for at åpenheten ivaretas. Jeg er enig i det stortingspresident Andersen nevnte, at det kan være nyttig å ha en gjennomgang av adgangsgrunnlaget til dette hus, også når det gjelder tidligere stortingsrepresentanter, slik at både vi som er her og tar imot besøk, og de som kommer på besøk, er seg bevisst i hvilken egenskap de besøker oss. Det er jo ikke skrevet inn i Grunnloven, så vidt jeg vet, at tidligere stortingsrepresentanter skal ha adgang til dette huset på linje med sittende stortingsrepresentanter. Så den kollegiale ordningen er også noe man kan tenke igjennom nødvendigheten av. Så foreslår Presidentskapet en gjennomgang av karantenebestemmelsene. Det er vi enig i. Jeg vil vise til den begrunnelse som ble gitt i innlegget. Vi må få et regelverk hvor bestemmelsene hviler på klare hensyn, også for å gjøre jobben for Karanteneutvalget enklest mulig slik at en får et klarest mulig beslutningsgrunnlag. Det trengs en grundig gjennomgang, for også her er det hensyn som må veies mot hverandre. Et slikt åpenbart hensyn er selvsagt den innsideinformasjonen man kan ta med seg fra en jobb, særlig i regjeringsapparatet, men også her i huset, til den neste. Hvor lang tid skal det gå før den er foreldet? Det nettverk man tar med seg, foreldes atskillig langsommere, hvilket er et problem i forhold til tidsspennet man skal ha på karantene. Skal det skilles mellom de som etablerer egne rådgivningsfirmaer og de som ansettes i informasjonsbyråer eller i media, eller de som ansettes i organisasjoner som ønsker den type kompetanse innomhus? Vi må også tenke gjennom problemstillingene rundt yrkesforbud, selv om det vil være av midlertidig art. Hvis veien tilbake til det sivile yrkesliv etter en tid her i huset, spesielt i Regjeringen, blir for kronglete – hva gjør det med rekrutteringen til politikken? Demokratiet hviler på at folket velger sine egne representanter, og derfor har vi ytterst få begrensninger på hvem som er valgbare til denne sal. Vi må også ivareta det hensynet at folk har vært i denne sal og i regjeringskontorene og skal tilbake til det sivile – og kanskje komme tilbake til politikken igjen. Det er litt som i fotballen – mange vandrer mellom banen og reservebenken. Det skal det også være rom for i politikken. Derfor er det vi skal passe på at de ikke foretar seg ting som ikke tåler dagens lys, når de er på reservebenken eller når de er på
Jeg slutter meg i det alt vesentlige til de vurderinger som stortingspresidenten og representanten Svein Roald Hansen, og Høyre støtter konklusjonen til flertallet i Presidentskapet. La meg også innledningsvis si at Høyre er glad for at Presidentskapet ber om en gjennomgang av karantenebestemmelsene. En slik evaluering vil være nå som de har vært praktisert i en periode. Jeg viser bl.a. til de spørsmål som har vært stilt ved overgangen fra politikk til rådgivning det siste året. Men jeg mener også det er viktig å reise problemstillingen overgangen mellom rådgivning og politikk, særlig knyttet til regjering, hvor det ikke er kjent hvilke kunder rådgiverne har hatt før man eventuelt trer inn i en politisk stilling i et departement. Det er en problemstilling som det vil være nyttig å gå skikkelig gjennom. Når det gjelder selve forslaget, har, som sagt, både stortingspresidenten og representanten Svein Roald Hansen gått igjennom hvilke argumenter som taler imot, og jeg slutter meg i det all hovedsak til det. Det ene spørsmålet er: Er det offentlighetens rett å vite hvem stortingsrepresentanter snakker med, og hva man snakker om? Jeg er enig i at det er viktig med åpenhet rundt men til syvende og sist er det de beslutninger vi som politikere fatter, som skal evalueres, og ikke hvem vi til enhver tid snakker med. Jeg mener det kaster et mistenkelighetens lys over representantenes informasjonsinnhenting. Det er beslutningene som skal evalueres, og jeg mener det er viktig at vi som representanter har frihet til å snakke med hvem vi vil, når vi vil. Det andre er spørsmålet om man oppnår det som er hensikten – nemlig åpenhet. Hvis man definerer åpenheten til å gjelde møter som foregår i Stortinget, eller i lokaler i tilknytning til Stortinget, vet vi at slike møter veldig raskt vil bli flyttet ut av Stortinget hvis man ikke ønsker at det skal være åpenhet rundt det. Da er spørsmålet om forslagsstillerne har oppnådd det man ønsket. I tillegg er det om et slikt register vil bidra til å heve barrieren for å ta kontakt med Stortinget. Jeg tror ikke at de lobbyistene eller de store selskapene som man her har et ønske om åpenhet rundt, vil føle noen slik barriere, men det er kanskje andre grupper som ikke har den samme interesse av å bli registrert når de har et møte med Det siste er at dette forslaget heller ikke dekker annen informasjonsflyt som måtte skje mellom lobbyister og politikere i form av telefonsamtaler, mailer eller notater. Dermed jeg at forslaget blir et slag i luften, hvor man ikke oppnår det man ønsker, nemlig større åpenhet. Jeg tror også det er viktig at vi som representanter opprettholder friheten til å møte hvem vi vil, når vi vil, og til å snakke om hva vi vil. Åpen påvirkning er

en helt legitim del av det norske demokratiet. Det er – og skal være – en høy dør og en vid port for folk som ønsker å besøke Stortinget for å framføre sin sak og sine argumenter. De demokratiske problemene oppstår først når forsøkene på påvirkning gjennom betalte informasjonsrådgivere foregår i det skjulte. Mens tradisjonell lobbyvirksomhet kjennetegnes av profesjonelle lobbyister som fremmer saken på vegne av andre, er situasjonen i Norge at selskap som driver med informasjonsrådgivning, opptrer som usynlige bakspillere for oppdragsgiverne, som selv har kontakt med politikere. Venstres forslag er rettet inn mot tradisjonell lobbyvirksomhet, og selv om et slikt lobbyregister er en god idé og SV støtter intensjonene bak forslaget, vil et lobbyregister alene ikke løse det problemet vi er ute etter å løse. For det første vil et lobbyregister raskt kunne bety at kontakten mellom Stortinget og lobbyistene flyttes ut av Stortinget, og da er vi like langt, selv om jeg hadde håpet – og jeg er nesten sikker på – at stortingsrepresentantene respekterer de lovene de selv vedtar. Men som andre før meg har sagt, er faren til stede for at en slik lov likevel vil kunne bli omgått. For det andre er ikke hovedproblemet i dag at Stortinget rennes ned av profesjonelle lobbyister. Snarere vil jeg si at det kunne gjerne vært flere som kom til Stortinget og sa ifra hva de mente om politikk, hva de mente var viktig for Norge, hvilken vei de mener utviklingen bør ta. Det er bl.a. derfor SV har gjennomført mange lobbykurs for for at de skal lære seg triksene gratis, de triksene som andre må betale dyrt for. Det er derfor SV også har arrangert egne innspillsrunder for statsbudsjettet, senest nå i vinter, som vi kaller «Gi SV beskjed», hvor mange små – kjente og ukjente – interesseorganisasjoner får komme og møte stortingsrepresentanter og gi innspill til neste års statsbudsjett. Det som er viktig i denne saken, er det vi i andre sammenhenger kaller – om presidenten tillater det – for «profesjonelle bakmenn». Det som jo har gjort denne saken aktuell, er at kjente politikere, som tidligere stortingsrepresentant Carl I. Hagen og tidligere representant og statsråd Bjarne Håkon Hanssen, har blitt ansatt i profesjonelle rådgivningsselskaper som leier ut sine tjenester, også lobbyister, for gode penger til de selskapene og de interessene som har råd til å betale for dem. Det er her problemene oppstår, når profesjonelle bakmenn selger sine råd om hvordan man skal vinne fram i demokratiet, for flere tusen kroner timen, til dem som har råd til å kjøpe disse rådene. Da er ikke lenger påvirkningen åpen og direkte, men indirekte og skjult. Det er de med mest penger som har råd til å kjøpe seg de dyreste tjenestene. Derfor har SVs inngang i denne saken først og fremst vært å gjøre noe med det faktum at informasjonsrådgivningsselskapene i dag ikke oppgir hvem de har som kunder, og i hvilket omfang, og at det er her vi bør gjøre noe. SV mener derfor at informasjonsrådgivere bør være åpne om hvem de har som oppdragsgivere. Uten en slik åpenhet vil et slikt lobbyregister som Venstre foreslår – og som vi i SV synes er en god idé – være nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Det bør eksistere tilgjengelige kundelister for å få fram i lyset hvilke organisasjoner, bedrifter, offentlige myndigheter og politikere som har betalt for deres tjenester. SV har derfor tatt til orde for at Regjeringen burde legge fram forslag til endring av selskapslovgivningen med sikte på å pålegge selskaper hvor hele eller deler av virksomheten går ut på informasjonsrådgivning for oppdragsgivere som driver myndighetskontakt, full åpenhet om hvem som er deres oppdragsgivere. Så registrerer jeg at partiene på Stortinget, med unntak av SV og Venstre, ikke ønsker å gå nærmere inn på forslagene om å stramme inn overfor profesjonell lobbyvirksomhet overfor Stortinget. Det synes jeg er beklagelig. Jeg hadde spesielt håpet at de partiene som har vært i vinden i forbindelse med at tidligere partitopper har meldt overgang til informasjonsrådgivningsselskaper den siste tiden, ville vært med på å markere tydelighet og stramme inn overfor dette for å ta et klart og tydelig standpunkt i saken. Jeg registrerer at det ikke skjer. Jeg har imidlertid med glede at det finnes en enighet i Presidentskapet om å se på karantenereglementet, og ser fram til denne gjennomgangen. Det betyr at saken går framover, om enn med liten hastighet. Jeg tar dermed opp mindretallets forslag fra Presidentskapet.
har tatt opp de forslag han refererte til. En kommentar fra presidenten: Jeg tror at representanten Akhtar Chaudhry står seg på å bruke begrepet «profesjonelle rådgivere» om det han kaller «profesjonelle bakmenn» i denne tjenesten. Det er sjelden jeg begynner et innlegg i salen med å si at jeg er enig i alt det Jan Tore Sanner sa. Det er jeg i dag. Jeg er også enig i alt det Svein Roald Hansen sa – det er jeg litt oftere, men ikke alltid det heller. Det er stor grad av enighet. Den salen vi sitter i, ble av Langlet tegnet som en åpen sal med rotunden, slik at salen skulle være ute blant folket. Vi er i et rom som det var tenkt åpenhet rundt. Når vi har debatter, er det alltid folk på galleriet. Alle debatter som er her i salen, er åpne. Alle saker som kommer til Stortinget, blir fremmet gjennom denne talerstolen, og alle vedtak blir fattet i denne salen. Alt skjer åpent når beslutninger fattes i Stortinget, og hele arbeidsformen og hele Stortingets historie er preget av åpenhet. Det er mange gode intensjoner bak forslaget til Venstre. Grunnen til at Senterpartiet kommer til å stemme sammen med flertallet i Presidentskapet, er at vi ikke tror det kommer til å løse noe problem. Vi er også litt usikre på hva som er problemet. Det er en stor styrke i det norske stortinget at vi har dyrket ombudsmannsrollen, at vi har møter med mange om mangt. De fleste møtene er med ordførere, LO og ulike typer interessegrupper. I de fem årene jeg har vært på Stortinget, har det vært veldig få møter med såkalte profesjonelle lobbyister fra Det er et lite fenomen, men de står bak. Spørsmålet er jo også: Hvordan skal man klare å lage et system som fanger opp alle de møter og alle de kontaktpunkter som den enkelte stortingsrepresentant har med ulike aktører? Det systemet er ikke mulig å lage, og da blir det fort mistenksomhet og uro i stedet for at vi løser problemet. Så er det flere som har hatt innlegg før som har sagt at det kan medføre at det er møter utenfor, i stedet for at det er møter i huset, hvis vi skal ha et system som bare registrerer møtene i huset. Det ønsker vi i hvert fall ikke. Stortinget skal være den felles politiske møteplassen. Det er her diskusjonene skal skje, og alle skal kunne komme hit. Hvis det er en varsler i UDI eller en eller annen plass som reagerer på noe, skal han også kunne komme til Stortinget og vite at hans sjef e.l. ikke skal kunne lese i et register at vedkommende har hatt kontakt med oss som er folkets representanter, og som skal tørre å være maktkritiske og tørre å snakke også med dem i systemene som ikke er fornøyd med makta. Det var punkt Jeg synes det er veldig fornuftig nå, etter at vi har kjørt regelverket fra Bondevik II-regjeringen, å ta en gjennomgang og se hva som er styrkene, og hva som er svakhetene. Vi fikk en stor debatt i fjor høst om personer som gikk fra regjeringsapparatet over i PR-bransjen. Nå har vi erfaringer nok til å ta en evaluering. Vi kan stramme inn der det er behov for det, og eventuelt gjøre andre Senterpartiet støtter Presidentskapet der. Så er det også fornuftig, det president Dag Terje Andersen tar til orde for, å ha en gjennomgang av tidligere stortingsrepresentanters virke her på huset. Det er i vår alles interesse at det er ryddighet og klare regler rundt det. Der har det vært en del tvilstilfeller, som jeg også selv har erfart. Derfor er det godt at en nå tar en runde og ser på det regelverket.

Denne nærheten mellom folk, organisasjoner, bedrifter og lokalsamfunn på den ene siden og sentrale politikere på den andre er det verdt å verne om. Kristelig Folkeparti frykter at den registreringsordningen som er foreslått, kan bidra til høyere terskler. De profesjonelle aktørene klarer seg alltid, men vanlige folk kan oppleve at det butter imot når man tar kontakt. Dessuten kan et register bidra til at representantene avgrenser strengere hvem de lytter til, av frykt for at det skal skapes et inntrykk av at man er «i lomma» på den ene eller den andre. I så fall kan registeret resultere i at den viktige og positive delen av På den annen side er det et faktum at lobbyvirksomhet har utviklet seg til å bli mer profesjonell med årene. Større åpenhet rundt denne virksomheten er ønskelig, og her deler Kristelig Folkeparti forslagsstillernes intensjoner. Mer åpenhet kan bidra til at borgerne får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og økt tillit til at de politiske beslutningene tas på rett grunnlag. Men Kristelig Folkeparti setter spørsmålstegn ved om det foreslåtte registeret vil være egnet og effektivt for å skape den ønskede åpenheten. Annen kontakt enn det personlige oppmøtet på Stortinget skal f.eks. ikke registreres. For eksempel faller mail- og sms-kontakt utenfor. Møter som holdes andre steder, faller også utenfor. Derfor er det naturlig å spørre om den skisserte ordningen vil bidra til et riktig bilde av lobbypåvirkning overfor Stortinget. Ordningen kan også få uheldige effekter ved at møter som av en eller annen grunn holdes utenfor Stortinget, blir mistenkeliggjort. Gjør man det fordi man vil slippe registrering? vil være en åpenbar oppfølging fra pressen. Den andre siden av dette er jo nettopp at de møter og kontakter som det kan være størst grunn til offentlighet om, bevisst legges utenfor Stortinget. Ingen av våre nordiske naboland har innført en slik registreringsordning som foreslått. Flere land og har konkludert slik som flertallet gjør i dag. Etter disse motforestillingene vil jeg si at det også er gode argumenter for Venstres forslag, og Venstre skal ha honnør for en klar linje i arbeidet for åpenhet i offentligheten. Kristelig Folkeparti deler Venstres intensjon om større åpenhet, men er ikke overbevist om at den foreslåtte ordningen vil være et effektivt redskap i så måte. Og det er viktig for Kristelig Folkeparti å holde terskelen lav for enkeltborgere når det gjelder å ta kontakt med beslutningstakerne. Utfordringene knyttet til lobbyisme må uansett møtes med klare holdninger fra den enkelte når det gjelder hvem man vil møte, osv. Dersom denne debatten bidrar til større bevissthet rundt dette, er det positivt og viktig i seg selv. Det forslaget som behandles i dag, fra Venstre, er

Jeg tror faktisk det ikke er noe av det vi gjør som vi har behov for å skjule. Men vi er i en tid da man merker at politikerforakten øker, da tilliten til avgjørelser vi tar, synker, da konspirasjonsteoriene om hvem som snakker sammen, blir flere. Da må vi gjøre noe. Da må vi sette i verk tiltak for å øke tilliten til demokrati. Tilliten til demokratiet baserer seg på ett ord: åpenhet. Det er sjølve tankegangen knyttet til demokratiet, åpenhet rundt beslutninger, åpenhet om hvem som har påvirket – åpenhet og tillit. Når det står representanter her og sier at hvis noen hadde visst hvem man skulle ha møte med, hadde det avgrenset hvem man hadde lyttet til. Mener man virkelig det? Mener man at hvis noen hadde visst om et møte, så hadde man ikke hatt det? Hvis representanten Bekkevold skulle hatt det, hva slags møte skulle det ha vært? Hva slags møte kan man tenke seg at politikere ikke skulle ha hvis noen hadde fått vite om det? Da bør de kanskje ikke ha det møtet, hvis man har sånne typer møter. Det går ikke an å lovregulere alt. Det er jeg veldig enig i. i. Veldig mange av systemene her i huset er basert på tillit. Veldig mye av lovreguleringa her i huset og i demokratiet vårt er basert på tillit. Men her forutsetter man på en måte at hvis vi lager et system over hvem som påvirker oss, så kommer noen til å utnytte det. Det er et system vi ikke har tillit til at noen kommer til å følge, der vi ikke har tillit til at stortingsrepresentantene kommer til å opplyse det, da kommer stortingsrepresentantene helt sikkert til å finne en annen arena å snakke på. Det er en grunnleggende mangel på tillit til at noen skal bruke et sånt system. Venstre har foreslått en rekke ting knyttet til åpenhet opp gjennom historien, og vi har stort sett møtt de samme argumentene hver gang. Jeg vil bare vise til historien da vi vedtok åpne høringer her på Stortinget. Da var det akkurat de samme argumentene, at da kom høringene til å bli uinteressante, da kom høringene til å bli uinteressante, da kom ingen til å interessere seg for hva som skjedde der, da kom ting til å bli flyttet inn i lukkede rom, og høringene kom til å miste sin interesse. Det er på samme måte som da vi kjempet for åpne komitémøter rundt omkring i kommunestyrene. Hvis det ble åpenhet, sånn at noen fikk høre hva politikerne sa på disse komitémøtene, så kom de til å bli helt uvesentlige. Det var ingen som kom til å bry seg om dem. Det kom ikke til å skje noe viktig på et komitémøte i en kommune fordi det ble åpenhet. Det er akkurat de samme argumentene. akkurat de samme argumentene. Det samme gjaldt da vi skulle innføre offentlighetsloven. Det er mange ting som ikke blir organisert i forhold til offentlighetsloven. Det er veldig mange ting som ikke er med i offentlighetsloven. Betyr det at man er imot offentlighetsloven fordi den ikke regulerer absolutt all kontakt i en saksbehandlingsprosess? Det er ikke noe om sms i offentlighetsloven heller. Jeg er interessert i å få vite om noen er imot offentlighetsloven fordi den ikke regulerer absolutt kontakt. Senterpartiet syns det er kjempeviktig at vi holder hemmelig hvem vi har møte med, fordi det kanskje kommer en varsler. Jeg er enig i det. Kanskje vi skal lage et unntak for varslerne. Men det er ganske rart at Senterpartiet mener akkurat det, for det er det samme partiet som stemte imot at vi skulle ha anonym varsling da vi skulle ha dette inn i lovverk. Det er det samme partiet som mente at det ikke skulle være mulig å være anonym men som syns det er veldig viktig at vi skal ha mulighet til å holde alle møter hemmelig, knyttet til dette. Det ble sagt tidligere her: Jeg har til gode å møte noen som skal møte oss i det skjulte. Jeg har også til gode det. De aller, aller fleste er stolte over å ha vært her. Jeg kan faktisk ikke komme på noen som ikke er det, enten det er ved å fortelle ved middagsbordet når de kommer hjem at de har vært eller det er en bedrift eller en interesseorganisasjon som gjerne skriver i årsmeldinga si at de har vært her. Hvorfor er det da så viktig å holde det hemmelig? Hvorfor er det da så viktig at vi ikke skal fortelle at vi har møtt dem, når de gjerne skryter av at de har møtt oss? Jeg bruker et eksempel her, for jeg syns det er et godt eksempel. Vi har i min tid på Stortinget opplevd flere ganger at stortingsrepresentanter har kjempet for å få medisiner over på blå resept-ordninga. Det syns jeg er et godt eksempel på åpenhet. Jeg tror at mange av dem som har kjempet for det, er interesseorganisasjoner for sykdommer. Som diabetiker vet jeg at det er viktig å få de nye legemidlene fort over på blå resept-ordninga. Tilliten til systemet, tilliten til de vedtakene vi har fattet, blir svekket fordi noen tror at det er legemiddelselskapene som har gjort at vi har fattet dem. Hvis vi hadde hatt åpenhet om hvorvidt det Hvis vi hadde hatt åpenhet om hvorvidt det var interesseorganisasjoner eller legemiddelprodusentene som hadde påvirket, hadde det økt tilliten til våre vedtak. Jeg tror at åpenhet rundt påvirkning på vedtak øker tilliten til våre vedtak. Jeg er også for gjennomgangen, som Presidentskapet snakker om, når det gjelder karantene og adgangskort for tidligere representanter. Jeg ser ingen grunn til Men det jeg syns er viktig, er å få vite om en stortingsrepresentant er her på kaffeslabberas, eller om han har 50 000 kr i året for å kjempe for ei bru. Da vil jeg vite hvilken bru. Jeg vil ha oversikt over hva det er tidligere stortingsrepresentanter er betalt for å gå her og lobbe for. Så må de gjerne gjøre det. Da vet jeg, når en setter seg ved kaffebordet mitt, hva han har som tema og vil snakke med meg om. Det er greit. Det er åpenhet som er løsninga når det gjelder tilliten. Det er åpenhet som kan motvirke den tillitskrisen som noen av de tidligere stortingsrepresentantene har bygd opp under. Det er blitt sagt at mistenkelighetens lys blir kastet over noe når man har åpenhet rundt det. Nei, det er faktisk helt motsatt. Det er mistenkelighetens lys som kastes over noe når man ikke har åpenhet.

større ressurser enn andre og kan derfor påvirke mer. De har mer makt. De har mer ressurser til lobbyvirksomhet. Så jeg har stor sans for Venstres forslag. Men det er noe inne i dette. Det er tre vilkår jeg vil ta fram. Det ene er at det kun skal gjelde dem som oppsøker Stortinget. Det andre er at det kun er de som oppsøker Stortinget for å påvirke, som skal omfattes, at det er begrenset til saker som er til behandling i Stortinget. Jeg tror ikke Venstres forslag treffer det behovet vi har. I forrige periode, eller før jeg ble valgt inn på Stortinget, fikk jeg kjennskap til det som kanskje er landets mektigste lobby, nemlig den såkalte oljelobbyen. Dette er ikke en lobby som er kjennetegnet ved at de står i resepsjonen i Stortinget eller i departementet og venter på den politiske ledelsen. Det som kjennetegner mektige lobbyorganisasjoner, er jo nettopp at de vet at statsforvaltningen er stor, og de setter inn store ressurser på å jobbe inn mot mektige embetsmenn og byråkrater i departementer og direktorater. Dette vil ikke Venstres forslag fange opp. Jeg mener dét er en langt mer interessant debatt. Så kan man også se på hva man kan gjøre for å senke terskelen, for å øke tilgjengeligheten og for å øke åpenheten på Stortinget. I høst, da vi diskuterte budsjett og hadde budsjettprosess, var det åpne høringer. I min komité og i mange andre komiteer måtte man si nei til organisasjoner som ønsket å komme med innspill og kommentarer til budsjettet i de åpne høringene. Men de mest ressurssterke og de største organisasjonene var på plass i alle komiteer. Så tror jeg at vi som folkevalgte må stå til ansvar overfor våre velgere, og det er dét som er garantien for åpenheten. Når en hører på representanten Skei Grande, kan en få inntrykk av at det er et forbud mot åpenhet. er det ikke. Hver enkelt representant og hvert enkelt parti kan ha full åpenhet om sin lobbyvirksomhet. Det blir litt søkt når representanten Skei Grande snakker om en tidligere stortingsrepresentant som skulle lobbe for en bro, og at hun da vil vite hva han eller hun lobber om. Jeg vil jo tenke at denne lobbyisten er en dårlig lobbyist hvis hun har hatt dette møtet uten å vite hva denne tidligere stortingsrepresentanten lobber for. Det er partiene og den enkelte representant som skal bidra til åpenhet. Jeg tror ikke at dette er siste gang vi har denne typen debatt. Jeg tror vi må ta debatten i et enda bredere perspektiv der maktbegrepet er mer sentralt enn det som jeg oppfatter det er i Venstres forslag. Det er tema som pressen har tatt opp, og som er en oppfølging av den tabloide pressens behov og ikke behovet til folk der ute for åpenhet og tilgjengelighet til Stortinget. Eg er

for. Derfor er dette slik eg les dette forslaget og innstillinga, forslag som sikrar gode vilkår for påverknad, men som kanskje kan bidra til to viktige forhold ved det som er viktige. For det første: Eg er for påverknad og lobbyisme, men eg vil samstundes at det skal vere moglegheit for påverknad for alle – at flest mogleg skal kunne nytte seg av han på ein god måte. Derfor er det m.a. som representanten Chaudhry har sagt, at SV arrangerer lobbykurs, der vi rett og slett prøver å bidra med vår beste kunnskap om korleis ein kan påverke godt. Alle andre tiltak som dreg i same retning, er etter mitt syn positive. Den andre viktige delen av dette er at det må vere størst mogleg openheit og kunnskap om den Derfor vil eg takke Venstre og representanten Skei Grande for både innlegget og forslaget, som eg oppfattar har å gjere med openheit. Etter mitt syn er det to gode grunnar bak forslaga som no vert fremma. For det første er eg av den oppfatninga at det er av interesse, òg prinsipielt sett, for allmenta, å vite kven stortingsrepresentantar og politisk leiing i departementa faktisk Det er viktig og interessant kunnskap. Lat meg gi eit konkret eksempel: Dersom Miljøverndepartementet behandlar ei viktig vernesak av eit eller anna slag, møter dei då verneinteressene og næringsinteressene omtrent like mykje, eller er det eit veldig skeivt forhold? Kven av organisasjonane og miljøa som har teke kontakt, får faktisk møte, og kven får det ikkje? Det Det trur eg faktisk er ganske interessant å vite. Eg trur det kan føre til offentleg og viktig debatt i ettertid, dersom det viser seg at det ikkje er eit rimeleg forhold her, og det kan gi kunnskap om korleis det politiske systemet fungerer, og kven som når fram og ikkje. Det same trur eg ein kunne sagt for alle departement og for Stortinget. Den andre viktige grunnen er: Eg meiner, som det er sagt tidlegare, at Den andre viktige grunnen er: Eg meiner, som det er sagt tidlegare, at påstanden om at det kan føre til eit mistenkjelegheitas lys over påverknad dersom vi har meir openheit om det, er det stikk motsette av det som er riktig. Les avisene, då – det siste halve året. Avisene er jo fulle av mistenkjelegheitas lys av påverknad no! Eg la merke til at det står i innstillinga at

men til ein eller annan stad – eg veit ikkje, men eit nedlagt industrianlegg i Groruddalen eller noko slikt kan ein førestelle seg. Eg må berre seie at dersom det er mange slike møte på Stortinget, då treng vi i alle fall langt meir omfattande tiltak enn eit lobbyregister. Men eg føler meg nesten sikker på at det er utruleg få slike møte. Eg trur tvert imot det vil fortsetje å vere har sine møte på Stortinget fordi det er eigentleg heilt greitt at folk får vete kven ein møter, og det kan bidra med ny kunnskap. Eg trur ikkje at denne problemstillinga vil oppstå. Så seier representanten Slagsvold Vedum, som eg vanlegvis er heilt einig med – i alle fall i denne salen, heldt eg på å seie – at eit eksempel på dette kan vere ein varslar. Det var eit godt eksempel. Då ville ein sikkert ha drege ein annan plass og hatt det møtet.

eg er glad for at Presidentskapet foreslår ein gjennomgang av karantenereglane no. Det trur eg er klokt i lys av det siste halvårets debatt. Eg vil òg peike på at det er ei rekkje andre ting enn det som er foreslått her, som vil vere viktig, f.eks. spørsmålet om openheit om kundeforhold. Det er eg rimeleg sikker på vil kome til å presse seg fram i løpet av få år. Her er det faktisk slik at bransjen sjølv har kome atskilleg lenger enn det fleirtalet her har. Det er fleire aktørar i bransjen

så er det ikke åpenhet. Man må ikke sette likhetstegn mellom å registrere og åpenhet. Det er åpenhet. Da jeg satt i møte med tidligere kollega Øystein Singsaas, som kom for å snakke med oss om redningshelikopter – han innledet mailen med at han er helikopterselger, for at det ikke skulle oppstå noen tvil om på hvilket grunnlag han kom – gjorde vi det i Det er ganske krevende å skjule et slikt møte i stortingsrestauranten. Jeg vil ta avstand fra den koblingen mellom det å registrere det vi gjør, og det å si at fordi vi ikke gjør det, er det skjult. Det mener jeg er helt feil. Men det er slik Venstre alltid argumenterer: Hvis man er imot ethvert forslag til endring og justering i offentlighetsloven, er man imot åpenhet. Men det er ikke slik det er. slik det er. Trine Skei Grande sa, jeg tror det var til representanten Bekkevold: Hvilke møter ville man ikke hatt hvis man måtte registrere det? Jeg tror ikke det ville vært noe problem. Men det finnes møter som ikke burde være registrert, for her snakker vi ikke bare om Stortinget, vi snakker også om regjeringen, f.eks. i en fastlåst forhandlingssituasjon knyttet til lønnsoppgjøret. Da bør det være mulig for en statsråd å ta en underhåndskontakt som ingen kan slå opp og se er tatt. Det finnes situasjoner hvor vi i politikken må ha et fortrolighetsrom som det offentlige ikke skal ha krav på å titte inn i. Det er det bred enighet om. Vi har det i komiteene på Stortinget. Vi har det i Regjeringen. Det er nedfelt i offentlighetsloven beskyttelsen av regjeringsnotater og regjeringens interne overlegninger. Og vi må kunne ha det i samtaler oss imellom. Det er ikke sikkert det rød-grønne regjeringsalternativet hadde vært mulig hvis man ikke kunne ha et fortrolighetsrom hvor man kunne snakke sammen og utvikle tillit og legge grunnlaget for det. Det tror jeg også opposisjonspartiene vil erfare hvis de forsøker å utvikle det andre steder, i det offentlige rom – der går det som regel ikke så bra. Men igjen – det er altså ikke slik at ting ikke har skjedd hvis det ikke er på tv. Det er ikke slik at ting ikke er offentlig hvis det ikke står i et register. Så brukte representanten Skei Grande kampen for å få enkelte medisiner over på blå resept, som jo ble ført av profilerte representanter her i Stortinget. Så lurer vi på hvem som sto bak: Var det industrien, eller var det interesseorganisasjonene? Så vidt jeg kan huske, var det i hvert

åpenhet. Så berørte Trine Skei Grande – og det gjorde også stortingspresidenten, Dag Terje Andersen, i sitt innlegg – noe som vi kanskje må se nærmere på, nemlig våre tidligere kolleger, som altså har fri adgang til dette huset. Av og til kommer de på vegne av noen. Av og til har de med seg noen lokale ordførere som skal ha bygd en bro, og av og til har de med seg NAF eller hva det nå måtte være, og av og til har de ikke med seg noen. Så lurer vi på: Er det nå en tidligere kollega som jeg snakker med om dette og hint, eller har han antennene ute, fordi han har en avtale med organisasjonene x og y om å ha ører og øyne oppe og hjelpe til – for det finnes. Ja, da er det to ting vi kan gjøre. Enten kan vi begrense adgangen og si at nei, når du er ferdig her på huset, har du ikke adgang. Skal du ha adgang, må du ha avtale. Da har han en avtale med oss, og da har han en avtale med oss, og da vet vi hvorfor han har avtale. Eller så får vi stille spørsmålet: Hva sitter du her og slarver om nå? Hvorfor spør du meg om det? Hvem er det du bringer dette videre til? Der har vi alle da en gard å sette opp. Jeg tror dette må løses på flere måter, og registre er ikke løsningen på de problemstillingene som ligger rundt dette med åpenhet. Jeg takker representanten Bård Vegar Solhjell for tillitsfull uttalelse. Jeg må ta en liten reservasjon i forhold til hans innledning om at vi bør la oss påvirke mest mulig. Jeg vil si at vi må lytte mest mulig. Og det jeg hører, går av og til i litt slik at det da å la oss påvirke av alt vi hører, kan føre til litt spagat. Vi må ikke komme i den situasjonen at vi er deres ledere, så vi må følge dem. Da kan vi virre litt rundt i ulike retninger. Så vi skal lytte, men av og til må vi også lede. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Etter ønske fra energi- og

Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 70 minutter, og at taletiden fordeles slik: Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra statsråden innenfor den fordelte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

og et forslag til lov om fornybar energi til havs, nemlig havenergiloven. Dette er en sak som først og fremst kjennetegnes av stor grad av tverrpolitisk enighet, og jeg vil takke energi- og miljøkomiteens medlemmer for et godt samarbeid under behandlingsprosessen. Saken har sin bakgrunn i klimaforliket mellom regjeringspartiene og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fra januar 2008, hvor partene var enige om å lage en nasjonal strategi for kraftproduksjon fra havmøller og andre marine fornybare energikilder. En slik strategi skulle se på behovet for forskningsinnsats, vurdere å opprette et eget senter for forskningsdrevet innovasjon på området og finne et egnet lovverk, konsesjonssystem og ikke minst definere arealer som kan la seg benytte til energiproduksjon uten å komme i for stor konflikt med fiskeriinteresser og andre næringer samt det marine miljø.

tilhører staten. Lovens virkeområde er som hovedregel havområdene utenfor grunnlinjen, men den kan også gjøres gjeldende innenfor grunnlinjen i visse tilfeller. Lovforslaget fastsetter konsesjonsplikt for å bygge, eie og drive slike anlegg. Videre er lovfremlegget basert på arealvurderinger med tilhørende prosedyre for konsekvensutredninger. Ved åpning av areal inviteres aktører til å søke konsesjon. Det åpnes for mulighet for prekvalifisering av anbydere samt krav om konsekvensutredning. For å sikre fremdrift i prosjekter vil også myndighetene ha mulighet for å sette tidsfrister for oppstart av energianlegg. Det slås videre fast i forslaget at nettinfrastrukturen til havs ikke skal belastes strømkundene på land. Konsesjonsperioden er foreslått å gjelde for inntil 30 år. Fra Høyres side ønsker vi å ha en konsesjonsperiode på inntil 50 år og fremmer forslag om dette. Bakgrunnen for at vi ønsker en lengre konsesjonsperiode, er todelt: I Storbritannia settes konsesjonsperioden til 50 år, og vi er fra Høyres side opptatt av å gi like rammebetingelser rundt Nordsjøbassenget. Videre har flere høringsinstanser gitt uttrykk for at en lengre konsesjonsperiode er å foretrekke med bakgrunn i hvor omfattende og kostnadskrevende denne type investeringer i fornybar energi faktisk er, og at dette krever en lang og forutsigbar horisont i forhold til rammebetingelsene. Det er positivt at det allerede nå er igangsatt et arbeid med å vurdere egnede arealer, og at resultatet av dette arbeidet skal presenteres i siste halvdel av 2010, og videre at det legges opp til en strategisk konsekvensutredning av disse, inkludert en høringsprosess, i 2011. Det er viktig at denne fremdriftsplanen holdes. Komiteen har i sine merknader understreket betydningen av å ta hensyn til fiskeriaktivitetene i våre havområder, og jeg vil også fra talerstolen i dag signalisere betydningen av dette. Utviklingen av havbasert fornybar energi må skje i god sameksistens med andre næringer, spesielt fiskerinæringen. Forslaget har utpekt den sørlige del av Nordsjøen som det området en regner med at det i første omgang vil være mest aktuelt med utnyttelse av havenergi, fordi området ligger nær store markeder og tilknytning til infrastruktur sannsynligvis vil være lettere. Det er verdt å merke seg at en samlet komité ber om at også den nordlige Nordsjø ses på med samme intensitet, bl.a. fordi det kan være andre vindforhold her som gjør det interessant i et helhetlig bilde av energiproduksjonen til kontinentet. Det er bra at et lovverk nå kommer på plass for å utnytte havenergiressursene også utenfor I Europa, særlig i Tyskland og Storbritannia, foreligger det store planer for utbygging av havvind – ikke bare planer, men også økonomiske tilskuddsordninger som gjør det attraktivt å investere. Faktisk regner en med et marked på mellom 700 og 900 milliarder kr som skal investeres i energiproduksjon fra havvind i de kommende årene. Dette er et marked som også norske bedrifter og kompetansemiljøer posisjonerer seg for. Statoil og Statkraft har fått konsesjon til å videreutvikle og eventuelt bygge ut et stort felt på Doggerbank i britenes tredje konsesjonsrunde, som ble offentliggjort nylig. Det er bra at disse selskapene satser ute, for det er ikke til å underslå at utbygging av havenergi i Norge har et såpass høyt kostnadsnivå i forhold til muligheter for økonomisk støtte at det ikke er realistisk å se for seg en storstilt utbygging av havenergi i Norge med det første. Derfor er det viktig å få et demonstrasjonsanlegg for norsk teknologi Til slutt vil jeg ta opp forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet om en konsesjonsperiode på 50 år. Representanten Siri A. Meling har tatt opp det forslaget hun refererte til. Klimakrisen stiller verdenssamfunnet overfor store utfordringer. Den viktigste utfordringen er på energisiden. Det er å få til en overgang fra fossil til fornybar energi. Dette er helt nødvendig både av hensyn til klimaet og av hensyn til velstandsutviklingen i den fattige delen av verden, hvor befolkningen øker raskt. Europas valg av energipolitiske strategier tar opp i seg klimautfordringene. I tillegg har Europa et sterkt ønske om å bli mindre avhengig av Russland som dominerende gassleverandør. De sterkeste driverne i den europeiske energipolitikken er altså klima og energisikkerhet. Utfaset kullkraft må erstattes. Naturgass og fornybare energikilder som sol og vind seiler opp som de nye energikildene. Vindkraften har i årtier blitt utnyttet som energikilde, men det er først i de senere årene utbyggingen virkelig har tatt helt av. Vindmøller til havs har blitt en stor og viktig del av forventet framtidig energiproduksjon. Det er enorme perspektiver i satsingen på vindkraft. Den raske utbyggingen skaper muligheter for industriutvikling og sysselsetting, som er svært kjærkomment i en tid hvor økonomien er på lavbluss etter finanskrisen. Det sies at i Tyskland er det nå flere sysselsatte innenfor vindkraftutbygging enn i bilindustrien. I England har statsminister Gordon Brown sagt at han forventer 70 000 nye arbeidsplasser i denne industrien. Det forventes at det innen 2020 vil være installert 40 GB vindkraft til havs, noe som innebærer investeringer på om lag 800 milliarder kr. Om 20 år forventes det at det globale markedet for investeringer i vindkraft totalt vil ligge på 1 700 milliarder kr. Europas behov for mer fornybar energi gir store muligheter for Norge, både som energileverandør og som leverandør av infrastruktur. Vår tradisjonelle satsing på vannkraft har gitt oss en fornybarandel i energimiksen som er formidabel. I tillegg kommer våre store gassressurser på sokkelen. Begge deler har et vekstpotensial. Når vi i tillegg til vannkraft også tar med vårt store potensial på vindkraft, ser vi at Norges rolle i europeisk kraftforsyning kan bli stor. Vindkraft er kostbar kraft sammenlignet med vannkraft. Kostnadsbildet på produksjon og prisleiet på elektrisk kraft i Norge gjør at vindkraft pr. i dag og i nærmeste framtid vil spille en marginal rolle i den norske energibalansen. Dette må ikke føre til forhastede konklusjoner om at vindkraft ikke er interessant. Den voldsomme satsingen på vindkraft globalt vil medføre en produkt- og produksjonsutvikling som nok vil senke kostnadene betraktelig. Det er derfor flere grunner til at vi bør engasjere oss politisk for utviklingen av vindkraft, og særlig for havvind. Vi har et stort potensial for produksjon av kraft til havs. Enova snakker om i den nærmeste framtiden mener jeg det er viktigst for oss å fokusere på industrien. Vi har en industri med offshoreerfaring og kraftkompetanse som vil kunne hevde seg i konkurransen om oppdrag. Den kompetansen som har vært bygd opp gjennom 40 års utvikling av sokkelen i olje- og gassindustrien, er gull verdt når vi nå skal bygge videre på dette med fornybar energi til havs. Men da er det, som saksordføreren også var inne på, viktig for vår leverandørindustri at staten bidrar med midler til forskning og utvikling. De bidragene som gis i dag, har bl.a. ført til at vi har fått Hywind utenfor Karmøy, som er verdens første flytende havvindmølle. SWAY har fått konsesjon og økonomisk støtte til utbygging av en kjempestor vindmølle i Øygarden, hvor man prøver ut oppdimensjonerte vindmøller, noe som er helt nødvendig for å få ned kostnadene med vindmøller på sikt. Vi har forskningssentre for miljøvennlig energi. Vi har diverse nettverk av industri og forskning rundt i Norge som jobber med dette, som er store og trekker til seg et ufattelig antall bedrifter og næringsmiljøer i tillegg til forsknings- og utviklingsmiljøer, som er med og driver fram utviklingen, og som er med og driver fram en omstilling i industrien til å ta fatt på de utfordringene som ligger i å komme inn på leverandørsiden på vindkraft. Den rollen Statoil og Statkraft har fått i utviklingen av havbasert vindkraft Vi er på mange måter helt i tet både teknologisk og når dette skal bygges ut, men det er en tøff konkurranse for vår industri for å komme inn på denne sektoren. Jeg synes det kan være grunn til å nevne at den erfaringen vi har med drift og vedlikehold på installasjoner i Nordsjøen i dag, også vil være gull verdt når disse vindmøllene kommer opp og skal driftes i framtiden. Så har det fra industri- og forskningsmiljøene blitt framhevet behovet for test- og demonstrasjonsanlegg i en større skala enn det vi har i dag. Jeg tror at det er viktig å få til. Jeg tror at f.eks. Havsulprosjektet, som Vestlandsalliansen har fått konsesjon på og står klar til å bygge ut på kan være et godt sted å etablere et test- og demoanlegg. Vi har også fått innspill fra bransjen, som dette notatet «Demo 2020» – et test- og demonstrasjonsanlegg med åtte turbiner til vel 2,5–4 milliarder kr. Dette er interessante innspill, og jeg mener det er viktig at vi fra statlig side også er med, og at vi kontant, raskt, kommer med til denne produktutviklingen for at norsk industri skal kunne ta den rollen som vi håper de skal få nå når utviklingen og utbyggingen begynner, spesielt på britisk sektor. Den andre rollen vi som politikere spiller, er rollen som regulatorer. Det lovforslaget som vi her har til behandling, er selvfølgelig den viktigste delen av det, lovforslaget som vi her har til behandling, er selvfølgelig den viktigste delen av det, og det føyer seg på mange måter inn i rekken av de tradisjoner vi har for forvaltning av landets naturressurser, spesielt på energisiden. Vi slår kort og godt fast at disse ressursene tilhører staten. Det legges rammer som gir demokratisk kontroll over utbyggingen av dette og over forvaltningen av ressursene. Det legges opp til en balansert utnytting av arealer, og det tas hensyn til både miljø, annen næring og de forholdene som måtte være aktuelle. Det er bred politisk enighet om lovverket, slik som det ligger. Det eneste spørsmålet jeg vil kommentere her nå, er spørsmålet om konsesjonstid. Dette spørsmålet er blitt behandlet i proposisjonen og er blitt drøftet der, og det er klart at det er gode argumenter for både 30 år og 50 år. Det som det er viktig å ha med seg, er at det legges opp til at det normale skal være forlenget konsesjon når det søkes om det, dersom det ikke er spesielle forhold som tilsier noe annet. Avslutningsvis vil jeg takke saksordføreren for en god og ryddig jobb i komiteen under behandlingen av denne saken. Jeg synes det har vært en lærerik prosess for oss alle, og

skal gi staten det rettslige rammeverket for å gi konsesjoner og på annen måte regulere forhold knyttet til planlegging, utbygging, drift og nedlegging av anlegg for produksjon av fornybar energi. Lovforslaget omhandler også anlegg for omforming og overføring av elektrisitet fra produksjonssted og videre mot konsument. Lovforslaget er i store trekk basert på arealvurderinger med tilhørende prosedyrer for konsekvensutredninger. Regjeringen skriver i proposisjonen at den ønsker at Norge skal utvikles videre som en miljø- og klimavennlig nasjon og være ledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi. EU er en pådriver for fornybar energi med sine 2020-målsettinger. Innen 2020 skal EU-landene produsere 20 pst. mer fornybar energi enn i dag. Svært mye av denne fornybare energien vil komme fra vindmøller, og da særlig vindmøller til havs. Som Regjeringen skriver, vil det nok ta lang tid før vi i Norge bygger vindmøller i stor skala til havs, og da i særdeleshet flytende vindmøller, som er både kostbare og teknisk vanskelige. Strømprisen fra vindmøller til havs vil for Norges del bli altfor høy. Likevel er det av stor betydning at norsk leverandørindustri forbereder seg på å kunne levere utstyr til bl.a. havvindmøller. Statoils og Statkrafts innpass på det britiske gigantprosjektet for vindmøller på Doggerbank vil kunne få stor betydning for den norske leverandørindustrien. En stor del av klimautfordringene som verden står overfor, skal løses med fornybar energi. Dette er Fremskrittspartiet også enig i. En større produksjon av fornybar energi vil være med på å redusere klimautslippene globalt. Havvind vil på lang sikt kunne gi et betydelig tilskudd til den fornybare energien som produseres i dag. Fremskrittspartiet vil særlig peke på Norge som en stormakt på energieksport. Vannkraft har vært og er grunnpilaren i det innenlandske forbruket av energi, både til industri og til husholdninger. Norge har et stort potensial fra både regulerbare og ikke-regulerbare energikilder. Reserver i vannkraft er ikke ubetydelig, og bør etter Fremskrittspartiets mening bygges ut. Vernede vassdrag må vurderes på nytt i lys av dagens mer miljøvennlige utbyggingsmuligheter. Energi fra vannkraft er billig å produsere, og bør i langt større grad enn i dag bygges ut. Vannkraft vil bli enda viktigere når EUs fornybardirektiv blir gjort gjeldende. På vindstille dager og når behovet for elektrisk strøm er særlig stort innenfor EU, kan et stort norsk vannkraftoverskudd være den beste garantien for lavere klimagassutslipp fra EU-landene. Alternativet for norsk vannkraft som erstatning for EU-vindkraft vil i stor grad måtte være kullkraft. Vindkraft fra landbaserte anlegg har også et meget stort energipotensial og vil bli prioritert før anlegg bygges på dypt vann i norske farvann. Fremskrittspartiet mener det er et stort behov for en grundig gjennomgang av gjenværende vann- og vindressurser i Norge. Når slike oversikter foreligger, vil prioritering være lettere. Uten slike prioriteringer vil det være vanskelig å planlegge og bygge ut et tilfredsstillende nett for framføring av den elektriske kraften til forbruker. Fremskrittspartiets syn er at utbygging av vannkraft er mest miljøvennlig og billigst. Derfor må denne type fornybar energi komme først. Dette synet deles av mange i bransjen og blant ledende økonomer.

foreslår Fremskrittspartiet, sammen med Høyre, at konsesjonsperioden settes til 50 år fra igangsetting av anleggene, mot Regjeringens 30 år. I begge forslagene er det altså mulighet for å søke om forlengelse av konsesjonsperioden. Storbritannia, som det er naturlig å sammenligne seg med, har 50 års konsesjonsperiode. Fremskrittspartiet, sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti, legger til grunn at Petroleumstilsynet vil få ansvar for helse, miljø og sikkerhet for energianleggene til havs. Oppsummert støtter Fremskrittspartiet Regjeringens forslag til havenergilov. Det er viktig at lovverket er i forkant av behovet, og er samstemt med andre lands lovgivninger på området. Standarder for kraftproduksjon, ikke minst for et nettverk for avhenting og leveranse av vindkraften, må utarbeides sammen med EU-landene. Regjeringen legger i lovforslaget opp til en fornuftig framdrift hvor Regjeringen selv skal vurdere søkende selskaper, og til sist tildele konsesjoner. Fremskrittspartiet deler her Regjeringens syn.

Og så gjør jo det at salen ikke er veldig full, opplevelsen enda mer eksklusiv. For 100 år siden viste Norge vei med sitt lovverk for vannkraften. Det at rikets ressurser kommer fellesskapet til gode, er ikke en hovedregel på verdensbasis. I en rekke land ser vi fortsatt resultatene av en villet politikk, der noen få tjener store summer på å høste av verdier som burde tilhørt mange flere.

Oljen er et eksempel på at ressursrikdom i seg selv ikke nødvendigvis skaper velstand for folk – det er politiske valg som gjør det. Derfor er det helt naturlig at Norge sikrer rettighetene for utnyttelse også av vindressursene våre til havs. Det er en del av en stolt tradisjon, der helhetlig planlegging og politikk skaper verdier til fellesskapets beste. Det er derfor helt naturlig i petroleumslovgivningen. Det er bra for fagmiljøer og næringsliv, for koblingene er mange mellom dagens offshorevirksomhet, vår forvaltning av vannkraften og framtidens energiproduksjon til havs. Samarbeidet mellom Statkraft og Statoil i Doggerbank-prosjektet illustrerer dette. Det er også bra for demokratiet, fordi det ikke blir internasjonale kapitalkrefter alene som får diktere betingelsene for landets ressursutnytting. Det er også viktig for å sikre en helhetlig planlegging

Vi i SV mener derfor dette perspektivet er viktig, og at det i forlengelsen av det arbeidet som gjøres i dag, er naturlig å se til f.eks. Statnett som systemoperatør. Dette spørsmålet er ett av flere som nå skal utredes, sammen med aktuelle arealer for fornybar energiproduksjon til havs og miljø-, nærings- og fiskeriinteresser osv. En interdepartemental arbeidsgruppe – det høres veldig tørt ut, men jeg tror arbeidet er spennende

Det krever økonomiske ordninger som tar høyde for både langsiktig lønnsomhet og de store kostnadene som vil påløpe i starten. Det krever at vi opprettholder fokuset på kunnskapsmiljøene i Norge og bedriftene som er spydspisser, bl.a. SWAY i Bergen og Smartmotor i min hjemby. Det forutsetter test- og demonstrasjonsanlegg og aktiv involvering av industrien, som har en helt naturlig rolle i utviklingen av denne energien. Vi vet at det teoretiske potensialet for fornybar energi til havs i Norge er kjempestort. Det har vi visst ganske lenge. Men det er opp til oss å sørge for at dette potensialet hentes ut på en samfunnsnyttig måte, på en måte som skaper nye norske arbeidsplasser, nye utfordringer for teknologimiljøene våre og for leverandørindustrien. Loven vi vedtar i dag, er et første skritt på veien, men først og fremst er det en forpliktelse som vi bør ta på oss med den største iver og glede.

Enova har regnet ut at det fysiske potensialet for havvind i norske farvann er svimlende 14 000 TWh pr. år. For å sette det i perspektiv: 1 TWh er omtrent det årlige strømforbruket i Drammen. Havvind er bare én av flere energiformer som kan høstes fra havet. Også bølgekraft, tidevannskraft og saltkraft kan gi spennende muligheter.

Soria Moria slår også fast at grønne arbeidsplasser innenfor energiproduksjon og miljøteknologi skal bli en ny vekstnæring i Norge. Satsing på havbasert fornybar energi representerer gode muligheter for norske bedrifter og kompetansemiljøer. Det globale markedet for vindkraft til havs er forventet å øke raskt. Vi må raskt inn på markedet. Norge har et betydelig fortrinn gjennom vår erfaring med olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. sokkel. Vi har lang erfaring med å bygge, drifte og vedlikeholde havbaserte installasjoner. Vi ser allerede at nye markeder åpner seg. Det er gledelig at norske aktører deltar i byggingen av det som er blitt omtalt som verdens største vindmøllepark til havs. Det fysiske potensialet for kraftproduksjon er gigantisk. Vi må ha fokus ikke bare på mulighetene, men også på utfordringene som ligger i en framtidig utbygging av havbasert energi. Teknologi for havbasert kraftproduksjon er fremdeles i en tidlig fase, med både økonomiske og teknologiske utfordringer. Det er også utfordringer når det gjelder utvikling av kraftnett til havs. Verdens eneste fullskala flytende vindmølle er nettopp satt i drift. For å få fornybar energiproduksjon til havs kommersielt tilgjengelig trengs enda mer forskning og teknologiutvikling. I tillegg til de teknologiske utfordringene skal også miljø, sikkerhet og næringsvirksomhet ivaretas. Loven fastslår at energianlegg skal planlegges, bygges og disponeres i balanse med miljø, sikkerhet, fiskeri og sjøtransport. Produksjon av havenergi er i en tidlig fase, og vi har fremdeles kunnskapsbehov. Vi vet ikke nok om konsekvensene av offshore vindkraft for sjøfugl. Vi har også manglende kunnskap om hvordan støy fra vindturbinene virker på fisk og sjøpattedyr.

peke ut areal som ut fra tekniske og økonomiske forhold er egnet for utbygging av vindkraftanlegg. Areal i sørlige Nordsjø vil ha kortest overføringsavstand til forbruksmarkedene i Europa, men har utfordringer knyttet til samvariasjon med andre store planlagte utbygginger i samme havområde. Arealer i nordlige Nordsjø har lengre overføringsavstander til markedene, men vil på grunn av andre vind- og værsystemer ha mindre grad av samvariasjonsproblematikk ved strømeksport og har også større vindressurser. I begge havområdene trengs det også mer kunnskap om mulig elektrifisering av sokkelen med offshore vindkraft. Derfor er det viktig at man i kommende arealutredninger vurderer mulige areal i nordlige Nordsjø i tillegg til i den sørlige Nordsjø, ut fra de tekniske og økonomiske forholdene det er pekt på i proposisjonen, og i begge havområder får fram vurderinger om mulig elektrifisering av sokkelen med havbasert vindkraft. I dag har vi gått et viktig steg på veien for å legge grunnlaget for en framtidig storskala norsk vindkraftproduksjon. Det juridiske rammeverket er på plass. Vi har lært av vår lange erfaring med forvaltning av vannkraftressurser, petroleumsressurser og infrastruktur for elektrisitet og gass. Loven om fornybar energiproduksjon til havs bygger på dette. Naturressursene skal fortsatt være i offentlig eie og skal forvaltes til fellesskapets beste. Vi har tatt et viktig steg i retning av grønne arbeidsplasser, grønn energiproduksjon og grønn miljøteknologi.

av vindmøller og andre fornybare energiteknologier. Oljen i Nordsjøen har gitt oss enorme verdier og bidratt sterkt til utviklingen av vårt velferdssamfunn. Det er jeg takknemlig for. Samtidig vet vi at oljeressursene ikke varer evig, og at forbrenningen av olje og andre fossile energikilder har skapt utfordringer når det gjelder klimaet på kloden. Forbrenning av olje og gass bidrar sterkt til global oppvarming. Det er vanskelig å forutbestemme framtiden, men jeg har et håp om at dagens fossile energiproduksjon på sikt blir erstattet av fornybar, også i Nordsjøen. Proposisjonen vi behandler i dag, er todelt. Den inneholder både en strategi for utvikling av næringsliv og energiressurser knyttet til havbasert fornybar energi og et forslag til lov om fornybar energi til havs. Strategien er en oppfølging av klimaforliket mellom regjeringspartiene og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fra januar 2008, der det ble enighet om at det skulle lages en nasjonal strategi for kraftproduksjon fra havmøller og andre marine fornybare energikilder. Loven skal gi det rettslige rammeverket for å gi konsesjoner og på annen måte regulere forhold knyttet til planlegging, utbygging, drift

noe som kan gi muligheter også innen fornybar energiproduksjon til havs. Norge har i dag en viktig posisjon som energileverandør til Europa. Ved å satse ytterligere på energiproduksjon vil vi videreutvikle Norges rolle som energistormakt. Flere land har allerede satset betydelig på utvikling av havenergi, og da spesielt offshore vindmøller som faste installasjoner på relativt små dyp. EU-kommisjonen har allerede varslet en handlingsplan for vindbasert havenergi som en del av sitt fornybardirektiv. Det største konfliktpotensialet i denne saken retter seg sannsynligvis mot fiskeriinteressene. For Kristelig Folkeparti er det avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten. Etablering av vindkraftproduksjon til havs eller bølgekraftanlegg kan påvirke fisket negativt, dersom installasjonene blir plassert i fiskeriområder. Potensialet for vindkraft til havs, både fra faste og flytende installasjoner, overstiger forventet behov for elektrisk kraft i Norge de kommende årene. Derfor er det viktig at det er gode muligheter for avsetning av kraft fra norsk vindkraftproduksjon til havs i det europeiske kraftmarkedet. Et nytt tredje generasjons hovednett for overføring av kraft i sjøkabel langs kysten, et såkalt supernett, vil kunne være viktig i så måte. Dersom et slikt nytt nett skal bygges, betyr det store investeringer, men det vil også legge til rette for store framtidige inntekter. Det er derfor viktig at et slikt nett blir utredet grundig, og at man setter i gang de første utredningene allerede nå.

vil innebære. Venstre slutter seg til komiteens innstilling, som også er en oppfølging av enigheten i klimaforliket. Det er positivt at klimaforliket følges opp på ett punkt til, selv om Venstre synes Regjeringen er for passiv med oppfølging av de nasjonale målsettingene for utslippsreduksjoner, som det er bred enighet om. Forslaget til havenergilov inneholder også en nasjonal strategi for marine Allerede så tidlig som i april 2007 foreslo Venstre i Stortinget at det skulle utarbeides en nasjonal strategi for fornybar energiproduksjon til havs, herunder havmøller. Dette forslaget stemte regjeringspartiene ned, men etter press fra Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti kom dette inn i klimaforliket som ble inngått i Stortinget i januar 2008. Den strategien Regjeringen har lagt fram, mangler imidlertid viktige elementer, slik som konkrete målsettinger for utbygging og signaler om et konkurransedyktig støtteapparat, noe som vil gjøre at utbygging kan finne sted i Norge, og ikke bare i andre land, som f.eks. Storbritannia. Jeg har lyst til å bruke tiden her i dag på å dra opp noen linjer for fremtiden. Fremveksten av næringsaktivitet knyttet til olje og gass har vært en viktig årsak til Norges sterke økonomiske utvikling og velstandsvekst de siste Vi ser nå at det tas en rekke statlige initiativ for å få fart på satsingen på fornybar energi i mange land, og at Norge dessverre er på jumboplass når det gjelder støtteopplegg til fornybar energi. Som en del av Venstres samlede strategi for gradvis å erstatte olje- og fornybar energi, vil vi stimulere dagens næringsklynger rundt olje- og gassindustrien til å flytte investeringer og kompetanse over til fornybar energi og fremtidsrettet næringsaktivitet. I fremtiden må det være produksjon av fornybar energi og eksport av fornybare energiløsninger Norge har særlig store muligheter til å lykkes med å utvikle og ta i bruk ny teknologi innen ny fornybar kraftproduksjon, både på land og til havs. For å nå dette trengs økt forskningsinnsats og bedre rammevilkår for utvikling av fornybare energikilder og Dette er bakgrunnen for at Venstre har etterlyst, og også foreslått, å opprette et statlig investeringsselskap som har som formål å investere forretningsmessig i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv. Og vi er utålmodige når det gjelder å få på plass det grønne sertifikatmarkedet for støtte til landbasert fornybar energiproduksjon. Avslutningsvis: Venstre mener det er behov for å etablere et samlet støtteregime for utvikling av fornybar kraftproduksjon til havs, som er internasjonalt konkurransedyktig, og vi mener det bør opprettes et nasjonalt verdiskapingsprogram for satsing på utvikling av marine fornybare energikilder, hvor staten bl.a. bidrar med en kraftig økning i bevilgninger til forskning og pilotanlegg på fornybar energi.

som gir grunnlag for konsesjonsbehandling av anlegg utenfor grunnlinja. Det er en historisk begivenhet at vi i dag fullfører lovverket for disponering av naturressursene våre til energiformål til fellesskapets beste. Først kom vannkraften med banebrytende lovverk for 100 år siden, deretter petroleumslovgivinga tidlig på 1970-tallet, og nå fullfører vi med å sikre rettighetene for utnyttelse av vindressursene våre til havs. Loven markerer samtidig at vi nå tar satsinga på fornybar energi ut i havet! 50 år fram i tid er det godt mulig at når man ser tilbake i historien, ser man at 11. mars 2010 er en dato som man husker tydelig i den sammenhengen. Det er gode grunner til at Norge bør satse på vindkraft til havs. Energipotensialet i norske havområder er svært stort. Vårt næringsliv er basert på en teknologi som gir oss et godt utgangspunkt for å delta aktivt i utviklinga av fornybar energiproduksjon til havs. Lovforslaget gir offentlig styring og kontroll med disponeringa av fornybare energiressurser til havs og er basert på elementer i petroleumslovgivinga. Staten skal stå for en tidlig vurdering av andre relevante samfunns- og miljøinteresser før områder åpnes for søknader. Det vil redusere potensielle konflikter, sikre koordinering med nettutvikling og gi økt forutsigbarhet for aktører. Loven er et rammeverk, og det er nødvendig med utfyllende forskrifter, bl.a. når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. For å vurdere hvordan vi skal organisere tilsynet av HMS best mulig, er det satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe som nå vurderer bl.a. hvilken tilsynsmyndighet som er best egnet. Høyre,

i full størrelse. Forskning og demonstrasjon er nødvendig for å få ned kostnadene og for å bidra til at framtidig utbygging i Norge og i Europa kan gjøres med et stort innslag av norsk teknologi og kompetanse. Historien har vist at norsk leverandørindustri er omstillingsdyktig og at den griper nye muligheter. Det gir meg håp om at mange arbeidsplasser innen teknologi og leverandørindustri også på dette området er noe vi vil se i årene som kommer. Fornybar energi til havs er gitt høy prioritet innen forskning og demonstrasjon. Som vi har framhevet i strategien, er det viktig å få fram demonstrasjonsprosjekter som kan ta kunnskapen fra forskningsmiljøene videre. Dette er sentralt for at norsk næringsliv skal lykkes med en havenergisatsing i årene som kommer. To av de åtte forskningssentrene vi har for miljøvennlig energi, har fokus på vind til havs. Et tredje senter skal se på hvordan vannkraften kan utnyttes best mulig og mest mulig miljøvennlig i samspill med andre fornybare energikilder. I tillegg har Enova opprettet et demonstrasjonsprogram for havbasert kraftproduksjon med økonomisk støtte bl.a. til demonstrasjonsprosjektene I september i fjor fikk NVE i oppdrag å lede en direktoratgruppe med Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Oljedirektoratet. Denne gruppen skal grovsortere aktuelle arealer for fornybar produksjon til havs. Det skal bl.a. tas hensyn til andre arealbruksinteresser, miljø, havdyp, vindressurser, markedspotensial og forholdet til overføringsnett mv. Som komiteen påpeker, er det viktig at det gjøres en bred vurdering av de ulike havområdene i norsk økonomisk sone. Gruppen skal legge fram sitt arbeid denne høsten. Arealvurderinger for havvind og planlegging av overføringsnett til havs henger nært sammen. Det er mulig å se for seg ulike løsninger for nettilknytning av vindkraft til havs. Det viktigste prinsippet som foreslås i denne omgangen, er at nettkundene på land ikke skal dekke kostnadene for et overføringsnett til havs. Jeg vil også kort nevne at vi har undertegnet en deklarasjon om et offshorenett i Nordsjøen. Det er et viktig arbeid og en del av den brede jobben vi nå gjør for å få havenergisatsinga på plass og omgjort i konkret energiproduksjon.

Det betyr også at en må ha bygd ut ganske mange TWh med offshore vindkraft i Norge for at Erik Solheims løfte skal kunne innfris. Tror statsråden at Norge vil ha bygd ut særlig mange kommersielle havvindmøller som leverer strøm til EU, allerede i 2020? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg mener at perspektivet på dette nok er lengre. Grunnen til det er at vi pr. i dag har et kostnadsnivå på dette området som er veldig høyt, og jeg tror at vi må se betydelige teknologiske gjennombrudd før vi ser den store kommersielle utbredelsen og det store gjennombruddet for havenergiteknologien. Jeg mener vel at SWAY, som vi nå ser utvikle seg på Vestlandet, hvor en har teknologi som bidrar til å redusere vekten i toppen av møllene betydelig, er et eksempel på hva vi må jobbe mer med. De møllene vi har i dag, er antakeligvis ikke godt nok tilpasset sterk vind og røffe havforhold, så vi har en lang vei å gå her. Jo før, jo heller, men her må det gås betydelige runder med tanke på teknologiutvikling. Dette handler om energi, men det handler først og fremst om industri og det å

Norsk industri trenger en plass til å utvikle teknologi og prøve ut, få frem referanseprosjekter – og det trenger de nå. Demo 2020 er et prosjekt med over 100 bedrifter, fem universiteter og fire forskningsinstitutter som har gått sammen om å ønske et test- og demonstrasjonsanlegg, nettopp for å kvalifisere norsk industri til å utnytte mulighetene i Europa nå. De ber om og mener at et slikt anlegg må opp å stå i 2011 for at vi i det hele tatt skal ha muligheten til å benytte oss av markedet i Europa. Statsråden har fått en henvendelse fra denne gruppen. Den fikk han i februar. Kan statsråden si noe om mulighetene for å støtte Demo 2020?

kompetanse til å fatte beslutninger om enkeltprosjekter. Det ville være helt galt hvis jeg gikk inn og signaliserte støtte til enkeltprosjekter Vi har betydelige ressurser. Vi har bortimot 2 milliarder kr innenfor Enova-systemet i 2010. Senest for noen uker siden ga vi 135 mill. kr av det til SWAY-prosjektet, som i praksis er det som representanten Meling her er opptatt av, nemlig demonstrasjonsprosjekter og utviklingsprosjekter som bidrar til å ta teknologien videre. Så vi jobber bredt med den intensjonen jeg hører i intensjonen jeg hører i representantens spørsmål, som jeg deler fullt og helt, men å gå inn på enkeltprosjekter her og skulle kortslutte prosessene når det gjelder søknader, ville være galt. I mitt innlegg nevnte jeg at Venstre har foreslått å opprette et nytt Klimatek, som skal investere målrettet i teknologibedrifter. Synes statsråden det er noen god idé? Jeg mener at når vi nå har løftet bevilgningene i Enova opp på et nivå som er svært høyt i forhold til hva det var bl.a. da Venstre styrte over det, så har vi fått en mulighet til å være aktive fra myndighetenes side og gå inn og støtte teknologiutvikling. Jeg nevnte prosjektet SWAY akkurat. Vi har hatt Hywind-mølla hvor vi har vært inne med flere titalls millioner kroner. Vi har nå muskler fra myndighetenes side, noe som gjør at vi kan være en aktør, at vi kan være en medspiller i forhold til teknologiutvikling. Så er det selvsagt mulig å se på det i forhold til organisering, men jeg tror nok vi skal være ærlige og si at det reelt sett handler om å ville bruke penger på dette området. Det vil vi nå når vi bruker nesten 2 milliarder kr på fornybar energi over statsbudsjettet i 2010. Da vil jeg benytte anledningen til

Statoil og Statkraft måtte der skissere hvilke britiske industribedrifter som de så hadde mulighet til å levere til prosjekter. Det er klart at de legger masse penger på bordet i subsidier, og de ønsker jobbskaping tilbake igjen i Storbritannia. Det er konkurransebildet. Hvis vi skal ha håp om at norske miljøer skal kunne hevde seg i dette markedet – så lenge vi vet at vårt eget så haster det med å få det på plass. Jeg skulle ønske at statsråden viste større utålmodighet når det gjelder å benytte seg
Jeg mener at min utålmodighet er svært stor. Jeg mener jeg også har vist det ved mange, mange anledninger når det gjelder å bidra til å løfte de samlede statlige bevilgningene til dette sånn at vi får fram nye prosjekter, kan bruke penger på demonstrasjon og kan bidra til teknologiutvikling i Norge. Jeg nevnte SWAY og Hywind som eksempler på det, hvor vi er i verdenstoppen når det gjelder teknologiutvikling. Det er konkret også bedriftsutvikling.

kompetanse som vindkraftindustrien i Europa etterspør. Det dreier seg om spesialbygde båter, det dreier seg om ny teknologi for å utprøve vindmotstand, osv. Så heldigvis er vi der at industrien i Norge er i markedet. Men jeg er utålmodig, som representanten, etter å komme videre. Derfor skal vi bruke masse penger i 2010 nettopp på det.

og de strategiske veivalgene som ble gjort den gangen på slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-tallet. Det er på mange måter en god parallell. Den handler om noen som trodde på noe få andre trodde på. Den handler om noen som så muligheter der hvor få andre så dem. Det handler om politikere som tok grep, tok styring og sørget for nasjonal kontroll, og det handler om norsk teknologiutvikling. Den loven vi vedtar i dag, er også nybrottsarbeid. Den legger det juridiske rammeverket for det som skal skje på norsk sokkel i årene som kommer. Så er det selvfølgelig all grunn til å være ganske nøktern når det gjelder hva havenergi vil bety for norsk energiforsyning de nærmeste årene. Dette er teknisk krevende. Det er dyrt, det vet vi. Men det er også all grunn til å ha store visjoner på vegne av norsk leverandørindustri og de store mulighetene som ligger i å ta del i den teknologiske utviklingen som kommer til å skje både her og andre steder i årene som kommer. Representanten Henriksen refererte til de 800 milliardene som man anslår skal investeres i havvind fram mot 2020. Det er først og fremst her vi har mye å lære av petroleumshistorien, om hvor avgjørende hjemmemarkedet har vært for at norsk leverandørindustri i dag konkurrerer med de beste i verden. verden. Fram til vi er der, er det avgjørende viktig at vi har gode test- og demoprosjekter på plass. For noen uker siden fikk vi melding om at Statkraft og Statoil har dratt i land en gigantkontrakt om utbygging av Doggerbank utenfor Storbritannia. Den meldingen førte med seg en del kritikk som handlet om at dette skulle ha skjedd i Norge. Jeg må si at jeg er enormt glad for det prosjektet og for den rollen som to svært tunge norske energiselskaper har i det. Storbritannia er et land som i stor grad er fyrt opp på kull. De har tatt på seg enorme forpliktelser gjennom fornybardirektivet. De er nødt til å ta drastiske grep. Det at andre land bidrar med kraftige subsidier, bidrar til teknologisk utvikling, må ikke gjøres til noe problem, og særlig ikke når de viktigste energiselskapene i Norge er med og drar tunge veksler på det. Forhåpentligvis ligger det mye lærdom i de prosjektene som kan brukes når vi skal kommersialisere flytende havvind i Norge, som jo er langt mer krevende teknisk. Vi har Hywind, verdens første flytende havvindmølle, men vi er fortsatt på forskningsstadiet. Derfor er det bra at to av de åtte sentrene for fornybar energi som ble opprettet for drøyt et år siden, Så er havenergi mer enn bare vind. Vi har fått verdens første saltkraftverk på Hurum, også et veldig spennende prosjekt. Potensialet i bølger er ukjent, men kan også være stort. Det er mange som er skeptiske til lønnsomheten i havvind. Det er selvfølgelig her Forskning, testing og piloter kan dra kostnadene ned. Men samtidig tror jeg at fornybardirektivet og de tunge forpliktelsene som mange land nå har fått, vil bidra til å øke etterspørselen og betalingsviljen for norsk fornybar energi, selv om perspektivet på dette selvfølgelig går mye lenger enn 2020. De fleksible mekanismene i det direktivet kan også sette oss i den situasjon at utenlandske aktører kommer til Norge med sine nasjonale støttesystemer i ryggen og ønsker utbygging av havvindkraft her. Så er det også mitt sterke ønske at havvind kan bidra til større grad av elektrifisering av norsk sokkel enn det som er realistisk å se for seg i dag. Da kan vi bidra til utslippskutt fra den sektoren som har hatt den sterkeste utslippsveksten av alle siden 1990, med i nærheten av en dobling. Utfordringene er store, men så er det også store ting vi ønsker å få til. I dag legger vi på plass en byggestein i det som kan bli fundamentet for en ny æra for energinasjonen Norge.

Men jeg tror likevel at når mange skisserer så store visjoner som man gjør her, skaper man et inntrykk i næringen av at det vil komme rammevilkår som faktisk gjør det mulig å leve opp til de visjonene. Og det vil jeg advare litt mot, for vi har altfor mange ganger i norsk energidebatt framskrevet ting som skal skje, uten at rammebetingelsene faktisk ligger der når tiden er kommet. Det fikk vi et eksempel på i Dagens Næringsliv den 12. januar 2010, der lederen for Statoils fornybare energistrategi, Alexandra Bech Gjørv, uttrykte at de i ti år har fått beskjed om å satse på onshore vindkraft, og når prosjektene kommer, er ikke rammene der likevel. Litt blir realisert, men langt fra det som bransjen trodde de skulle få realisere. Og med olje og gass synes jeg blir litt søkt, for olje og gass har stått på egne ben nærmest fra dag én. Man har hatt risikovillig kapital, man har tjent penger på det. Vi vet at offshore vindkraft i lang tid framover vil kreve betydelige subsidier. Det kan være interessant kommersielt sett fra en aktørs side å investere selv om det er subsidiert, for så lenge man tjener penger, er det interessant. Men vi vet samtidig at i mange land i Europa har de hatt det gjelder sol i Spania, men når man begynner å skjerpe inn de støtteordningene fordi det begynner å koste en del penger totalt sett, ser vi også at bransjen rundt kollapser fordi den er blitt bygd ut for raskt i umoden tilstand og ikke klarer å forsvare investeringene sine i konkurranse med andre når man ikke får de samme sjenerøse subsidiene. Selv om Storbritannia har vedtatt å studere Doggerbank og gitt oppdrag til bl.a. Statoil og Statkraft om studere Doggerbank og gitt oppdrag til bl.a. Statoil og Statkraft om å skissere mulighetene, skal vi ha respekt for at engelskmennene gjerne når dette kommer på bordet og de ser totalregningen, ikke nødvendigvis vedtar full utbygging. Så det å forvente at det her er et marked på 900 milliarder kr som Norge bare kan tappe av så mye vi vil, tror jeg vi skal være litt forsiktig med. Men jeg vil samtidig det betyr ikke at det ikke er næringsveier her for norsk leverandørindustri. Vi vet allerede i dag at det er norske selskap som er godt knyttet til f.eks. Vestas som underleverandører, bl.a. fra mitt hjemfylke, Rogaland, og lever godt med det. Men det er forskjell fra å være underleverandør til å tro at man skal få styring på hele bransjen selv, slik som enkelte gir inntrykk av. Det er to viktige tema som Stortinget må ha med seg, og ikke minst Regjeringen, når man går videre i dette. Da tror jeg at veldig få norske skattebetalere vil synes at det er greit at den eksporterte kraften også skal subsidieres med kroner pr. kWt bare for at vi skal den. Dermed betyr det at jeg tror ikke at det blir bygd ut veldig mye offshore vindkraft i Norge i den nærmeste framtid, og jeg er veldig glad for det svaret som statsråden ga, for det viser en viss nøkternhet som SV-statsråder ikke har hatt i denne saken. Spørsmål to, som er relatert til spørsmål én, blir da: Med et manglende hjemmemarked, hvordan skal man klare å utvikle leverandørindustrien, slik at de faktisk kan konkurrere ute? Der mener jeg at vi som politikere absolutt har en rolle

I USA, i Tyskland og i Kina har de allerede et enormt forsprang. Ja, vi er flinke til å få ting til å flyte, men jeg tror det er mer realistisk hvis vi sier at vi skal være mer prosjektpartnere framover enn at vi skal overta denne næringen bare fordi Statoil og Statkraft har kommet inn i et prosjekt i England. Dette handler om god ressursbruk. Engelskmennene må gjerne gjøre dette, for de har ikke andre alternativ innen fornybar energi. Norge har betydelige mengder vann, onshorevind, bioenergi og geotermisk varme som utkonkurrerer offshorevind. Det er et perspektiv man må ta med seg i denne debatten. Den nye havenergilova er

debatten. Den nye havenergilova er eit viktig verkemiddel for fornybar energi til havs, og den vil danne grunnlaget for ei satsing på dette området i åra som kjem. Noreg har vore ei energistormakt på olje og gass i fleire tiår, og det vil vi også vere i mange år framover. På same måten har vi store ressursar som kan utnyttast når det gjeld vindkraft både til lands og til havs. Vi ser i dag at andre land satsar stort på utbygging av vindkraft til havs. Dette gjeld ikkje minst i Storbritannia der òg norske interesser er med på store utbyggingar. Både i Norskehavet og i Nordsjøen er det eit stort potensial for produksjon av vindkraft. Vindkraft er ein viktig ressurs for å nå måla både i klimaforliket og i EU sine målsettingar om 20 pst. fornybar energi frå 2020. Det er forventa at det innan 2020 er installert 40 GW vindkraft til havs, og det betyr formidable investeringar i åra som kjem dersom dette skal realiserast.

Areal i nordlege Nordsjø har lengre overføringsavstand til marknaden, men vil på grunn av andre vind- og vêrsystem ha mindre grad av samvariasjonsproblematikk ved straumeksport, og ein har også større vindkraftressursar i den nordlege delen av Nordsjøen. Denne fleksibiliteten er viktig å ha med seg frå starten. Potensialet for vindkraft til havs, både frå faste og flytande installasjonar, er langt større enn behovet for elektrisk kraft innanlands dei komande åra. Med bakgrunn i Europa sitt store behov for fornybar energi vil dette gje store moglegheiter for eksport av elektrisk kraft frå vindkraftproduksjon til havs i den europeiske kraftmarknaden. Norsk vindkraft til havs kan spele ei viktig rolle for å møte det europeiske behovet for fornybar energi i framtida, både for å redusere klimagassutslepp og for å sikre Europa sin forsyningstryggleik for elektrisk kraft. God infrastruktur for overføring av elektrisk kraft er avgjerande for utviklinga og utbygginga av fornybar energiproduksjon til havs, forsyningstryggleik og ein fornuftig bruk av ressursane. Eit nytt 3. generasjons hovudnett for overføring av kraft i sjøkabel langs kysten, eit såkalla supernett, vil vere viktig for å få dette til. Det er svært positivt at Noreg slutta seg til arbeidet med planlegging av eit europeisk supernett i Nordsjøen i starten av februar. Det gjer at norsk fornybar energi kan få ein viktig plass i den europeiske kraftbalansen. Norsk vasskraft er peika på som ein viktig faktor i det europeiske kraftsystemet, og Noreg må leggje til rette for å utnytte dette potensialet. Det gjer at vi allereie no bør starte planlegginga av eit norsk supernett vidare nordover langs norskekysten. Det vil tilføre både norsk vasskraft og norsk vindkraft til det europeiske supernettet, og det kan vere med på å få fleire deltakarar i spleiselaget for å få fram nettkapasitet lenger nord. Det vil også gjere det lettare å vurdere vidare utbygging av vindkraft, og det kan redusere behovet for dei største linene inne i landet.

Dei representerer meir enn eit hundretals industribedrifter, fem universitet og fire forskingsmiljø, frå Verdal i nord til Kristiansand i sør. Dei har innleidd eit unikt samarbeid og ønskjer å etablere eit norsk test- og demonstrasjonsprogram for havvind og havenergi. Som statsråden nemnde, er teknologimiljøet i Måløy i Sogn og Fjordane også retta inn mot offshore vind. Søsterbedriftene Easy Form og originale støypeformer for vindmøller til kundar i utlandet. Stadt Towing Tank har eit 182 meter langt testbasseng og lanserer nyutvikla teknologi bl.a. inn mot offshore vind. Brothers AS utviklar det nye konseptet Sea Bridge for entring av offshore vindmøller frå båt, medan Måløy Verft byggjer service- og forsyningsskip for vindmølleparkar. Skipsreiar Fredrik Odfjell i FOB Shipping har tinga den første båten og har opsjon på tre til. Odfjell seier til avisa Firda at bransjen meiner at det innan tre–fire år er behov for 100 nye båtar til vindmølleparkane. Det syner litt av potensialet i denne industriutviklinga, og det er også ein viktig del av ei framtidig satsing på vindenergi til

Samfunnets konflikt mellom privatkapitalistiske interesser og fellesskapets interesser blir tydelig i slike saker. Vi husker alle sammen hvordan interessemotsetninger har blusset opp ved de siste års behandling av hjemfallsinstituttet. Når det står om milliardverdier, er det viktigere enn noensinne å være ideologisk bevisst og hele tiden ha fellesskapets beste for øye. Når det blåser som verst og presset er størst, kreves det en sterk rygg og For Arbeiderpartiet er dette resultatet av en ideologisk forankring samt bevisste valg når vi er tydelige på at landets store og naturgitte energiressurser er vår alles eiendom, og skal derfor komme fellesskapet til gode i så stor utstrekning som mulig. Etter vår mening er det grunnleggende urettferdig om så store verdier skulle havne i lommene på enkeltstående privatpersoner eller selskaper. For å unngå at nettopp det skal skje, trenger man tydelig lovgivning, både i forhold til eventuell eiendomsrett samt rammeverk rammeverk og kjøreregler når det kommer til hvem som skal stå for den konkrete høstingen av ressursene. I tillegg er det avgjørende at man har et skatte- og avgiftsregime som sikrer en rettferdig fordeling av de høstede gevinster og verdier. I tillegg til de perspektivene jeg nå har omtalt, er et godt rammeverk viktig med tanke på å tiltrekke seg privat kapital og private interessenter. Stabilitet og forutsigbarhet er kanskje den viktigste faktoren for et vellykket Offentlig Privat Samarbeid. Det er vanskelig i dag å inneha en sikker og bestemt oppfatning om framtidspotensialet til fornybar energiproduksjon til havs, enten det er vindmøller til havs eller andre fornybare energikilder ute i havet. Her spriker prognosene enormt, fra den største optimist til den mest negative pessimist. Uavhengig av hvem som skulle får rett, er det viktig å ha en industriell tenkning rundt det som kan komme av fornybare energikilder fra havområdene i framtiden. Norge innehar stor industriell kompetanse når det gjelder installasjoner og løsninger offshore. I tillegg til dette er vi en stor energinasjon, med alle de fortrinn det fører med seg. Det må vi forvalte med alt det ansvar som ligger i det. Vi må sørge for at denne kompetansen gjør oss til verdensledende innenfor fornybar energi. Dette gir oss store industrielle muligheter som vi ikke må la gå fra oss. Vi kan skape tusenvis av arbeidsplasser og få stor verdiskaping innenfor dette området i framtiden. Denne sjansen må vi ta vare på, og behandlingen av dagens sak er et viktig ledd i dette arbeidet. Rammeverket for produksjon av fornybar energi til havs, som vi i dag vedtar, tror jeg vil vise seg å bli svært viktig for vår slik at vi kan ha store verdier til fordeling også i framtiden. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

hente ut dette. Jeg tror at en av de sentrale rollene som Norge kan spille, er den rollen som vi nå tar i forhold til teknologiutvikling. Det er nettopp fordi vi i Norge har vesentlig lavere strømpriser enn det en har i de fleste andre land, derfor vil det være slik at vi har den motsatte veien inn i denne problemstillingen enn det en del andre land har. Andre land sier: Vi har svært forurensende energiproduksjon, vi må over til noe annet – og da er offshorevind en satsing både i Danmark, i Storbritannia, i Tyskland. Vi har en energiproduksjon som er ganske så

Det at vi nå er gode på understell i offshoreteknologien, gjør at vi har fått bedrifter som Ovec Tower, Aker Verdal og andre som er interessert i å bringe denne teknologien ut og er teknologileverandører der. På teknologisiden synes jeg også at det er riktig å nevne nettopp SWAY og Hywind, som er prosjekter som er veldig spennende, og som trekker på mange miljøer. Men jeg vil si én ting til slutt, og det er at vi må ha en helhetlig tilnærming til dette. Det vi må ha en helhetlig tilnærming til dette. Det er ett område der vi forurenser mye i dag på energiproduksjon, og det er offshore, i forhold til petroleumsvirksomheten. Det er ingen tvil om at kostnadene ved energiproduksjon når det gjelder petroleumsvirksomheten i dag, er høye nok til å forsvare f.eks. vindkraft produsert fra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

Forslagsstillerne er inne på viktige problemstillinger. De mener at det skal legges til rette for at foreldrene selv skal kunne velge når og hvordan de vil ta ut sin foreldrepermisjon, og de vil ha utvidet adgangen til permisjon til komiteen ikke støtter forslaget, er komiteen enig i veldig mye av det forslagsstillerne sier her, men da innenfor den totale rammen for dagens ordning. Ulike foreldre har forskjellige behov, og det er politikken nødt til å ta høyde for.

at ulike foreldre har ulike behov, og at politikken som føres, må ta høyde for dette. Det som jeg synes er litt utrolig i denne saken, er at en er enige om dette, når en da vet at Regjeringen fører en litt annen politikk. For Fremskrittspartiet har det også vært viktig ikke å gå inn og detaljstyre de ukene som foreldrene har til disposisjon. Hver enkelt familie må ha stor frihet til å finne løsninger som er best for dem. Her må en ha barns beste i fokus, og ikke straffe barnet hvis far ikke har anledning eller mor ikke har anledning til å ta ut alle de ukene. Situasjonen i dag er at mor mister de ukene som far ikke har anledning til å ta, og det rammer barnet, for de trenger å ha foreldrene hjemme det første året. Fremskrittspartiet har tro på far og at far ønsker å være mer hjemme, og vi har tro på familien og at de klarer å finne ut av dette Målet må hele tiden være å gi barnet tid sammen med sine foreldre, noe vi sikrer gjennom å gi familien full frihet til å dele foreldrepermisjonen seg imellom slik de finner det best for sin familie. Til forslaget: Komiteen støtter intensjonen med forslaget. Det er veldig mange gode ting som er tatt opp der, men vi støtter ikke selve forslaget om å utvide dette til også å gjelde

at Fremskrittspartiet skryter av den foreldrepermisjonsordningen vi har i Norge. Den er vitterlig kjempet fram av venstresida og kvinnebevegelsen og de såkalte statsfeministene som man snakker så foraktelig om fra den sida. Det hadde ikke vært en så god foreldrepermisjonsordning i Norge i dag hvis ikke de kreftene på venstresida hadde kjempet det igjennom i regjeringer som stort sett har utgått fra venstresida. Når det gjelder Venstres forslag om å utvide foreldrepermisjonen til 15 måneder, der tre måneder skal være forbeholdt far – og at det skal tas ut i løpet av en tiårsperiode – så støtter ikke vi det. Årsaken er at kostnaden – prislappen på forslaget – vil være på mellom 4 og 6 milliarder Vi mener det finnes langt mer målrettede tiltak å bruke så mye penger på, og vi mener vi får lite igjen for det. Vi ville ha brukt dem helt annerledes hvis vi hadde hatt så mye penger å bruke på småbarnsfamiliene. Svakheten ved dagens foreldrepermisjon er ikke at den er for kort, eller at den ikke er fleksibel nok. Den største svakheten ved foreldrepermisjonen i dag er at ikke

har allerede utvidet, fra seks til ti uker i forrige stortingsperiode. Det skal bli ganske spennende å se på erfaringene fra utvidelsen til ti uker, for jeg tror at en slik utvidelse vil bidra til at vi får et langt mer likestilt foreldreskap enn det vi har hatt fram til nå. Årsaken til det er at mens vi kun har hatt seks ukers fedrekvote, er den av halvparten av familiene tatt ut i forbindelse med ferie. ferie. Da får ikke far muligheten til å være hjemme alene sammen med det lille barnet, bli kjent med rutinene og føle på gleden ved å være hjemme og ha omsorgen for barnet. Jeg tror at i løpet av et par år vil vi se en enorm effekt av nettopp dette. Derfor vil jeg på det sterkeste advare mot Fremskrittspartiet, Fremskrittspartiet, og deler av Høyre, som nå ønsker at vi skal fjerne fedrekvoten. Hadde vi ikke hatt fedrekvoten, som ble innført av Grete Berget i 1993, ville fedre i dag hatt mye mindre tid sammen med ungene sine. Det er en sannhet at vi i Norge fremdeles er veldig tradisjonsbundet, og vi har Det forventes at far skal være hovedforsørger, og at mor skal være den som er hovedomsorgsperson på hjemmebane. Så det å fjerne fedrekvoten vil være å sette det likestilte foreldreskapet – og fars muligheter til å ta del i omsorgen – langt tilbake i tid. Helt til slutt har jeg lyst til å si at det har jo vært 8. mars. mars. Det store temaet 8. mars i år ble boka til Marie Simonsen og Ingunn Yssen, der de er litt provokative i form og sier at jenter taper når de får barn. I realiteten sier de egentlig bare det samme som Likelønnskommisjonen har sagt: Når familier får barn,

Så hvis vi også skal se på likelønnsdimensjonen i dette, er vi nødt til å sørge for at vi har et likestilt foreldreskap på hjemmebane. Et av de viktigste bidragene vi kan komme med der, er nettopp å utvide fedrekvoten og holde steinhardt på

barnet i det første leveåret – og være med på barnets sosiale og menneskelige utvikling. Jeg synes forslaget fra Venstre på mange måter er godt. Det er godt fordi det nettopp reiser spørsmålet som mange er opptatt av om dagen, nemlig om familiene skal gis mer valgfrihet – dette er et spørsmål som blir mer og mer viktig i debatten. Man har på den ene siden den rød-grønne regjeringen, som ønsker en lengre foreldrepermisjon på grunn av at man ønsker å gi mer tid til far. For regjeringspartiene ser det altså ut til at det er viktigere å øke likestilling mellom foreldrene enn faktisk å bidra til at familiene kan leve gode familieliv og gi barna sine god omsorg. På den annen side ser vi nå i denne saken at det er ingen av partiene i opposisjonen som er fornøyd med dagens ordning med foreldrepermisjon. Vi ser at både Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre etterspør mer valgfrihet og mer fleksibilitet. Og det er ikke noe rart, fordi vi vet at det foreldrene også ønsker seg, er å kunne styre hverdagen til familien i enda større grad selv. I Høyre er vi bekymret for en stadig større statliggjøring av barndommen og familielivet, som vi ser under den rød-grønne regjeringen. Vi er også bekymret for at det blir vanskelig for de

av permisjonsuker til far vil gå på bekostning av mor. For Høyre er det viktigste at det er familien selv som skal ha muligheten til å bestemme og finne løsninger som passer den enkelte familie best, nettopp fordi familier og foreldre og barn har ulike behov og ulike ønsker for Derfor er også vi villig til å gå inn i en debatt og se på hvordan vi kan gjøre permisjonsordningen mer fleksibel og mer preget av valgfrihet. Vi deler langt på vei forslagsstillernes, Venstres, syn i denne saken, men vi er ikke rede til å gå inn på den løsningen som Venstre foreslår. Vi vil likevel fra Høyres side understreke viktigheten av å legge til rette for at viktigheten av å legge til rette for at barn får mulighet til å tilbringe mye tid sammen med både mor og far i første leveåret. Det er ingen som er uenig i at far også bør ta mye ansvar for barneomsorgen det første året, men det er likevel viktigst at mor og far skal få bestemme dette selv. Det gir god omsorg for barnet, det gir gode muligheter for mor og far, og det er det som gir godt familieliv. Representanten Solveig Horne har helt rett i at den norske foreldrepermisjonsordningen er

Vi vet at kvinner fremdeles gjør mer arbeid hjemme og tar mer omsorg for barn, og vi vet at det er en faktor som spiller inn med tanke på at vi fortsatt har ulikelønn i Norge. SV har ambisjoner om at foreldrepermisjonen og et mer likestilt foreldreskap skal bidra til å minske lønnsgapet i Norge. I mange saker som omhandler arbeidsrettigheter, viser partiet Venstre manglende evne eller vilje til å forstå maktforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og jeg mener at det samme er tilfellet i dette spørsmålet. Jeg mener at det med en periode på tolv år, slik som foreslått, vil innebære fare for at arbeidsgiver kan presse på for utsetting av permisjonsuttak. Særlig tror jeg det vil kunne være et problem for menn som også med dagens ordning har problemer med å få tatt ut mer enn sine 14 uker. I dette perspektivet blir høyresidens retorikk om valgfrihet meningsløs. Vi snakker om foreldres tid med barn, og de fleste foreldre er jo arbeidstakere. Så til sist vil jeg legge inn som en liten visitt at norske familier stort sett har gode vilkår i Norge gjennom et anstendig arbeidsliv med gode ferierettigheter og gode arbeidsrettigheter, og hvis venstre- og høyresiden fortsatt er opptatt av å sikre foreldretid med sine barn, er også arbeidet for en sterk fagbevegelse og sentrale oppgjør avgjørende i den kampen.

forslaget. Aller først vil jeg benytte anledningen til å takke Venstre for at de har fremmet representantforslaget om foreldrepermisjon. Det er uttrykk for et positivt engasjement for familiesaker, som vi også vet og har sett gjennom media den siste tiden at Senterpartiet deler. Det viser at her er det et fellesskap i sentrum for

Vi vil også gjøre livet lettere for alle foreldre ved at det skal bli enklere å kombinere arbeidslivet og familielivet. Vi tror hverdagen kunne blitt mye enklere for mange dersom de hadde hatt mer permisjonstid å ta ut, f.eks. i forbindelse med skoleferier og langhelger. Akkurat hvordan familiene skal bruke den ekstra tiden, skal vi ikke legge oss opp i, poenget er mer tid til familien og at barna skal

Og samfunnsøkonomisk er det viktig å legge til rette for og stimulere til at det kan fødes flere barn. Så litt om fars del av foreldrepermisjonen, siden det er blitt et tema i innstillingen. Kristelig Folkeparti synes det er svært positivt at fedre tar og får mer ansvar for egne barn. Fedres omsorgsdeltakelse i barnets første leveår er viktig for tidlig å etablere en god kontakt mellom far og barn. Fedrekvoten er spesielt viktig fordi kjønnsfordelingen i foreldrepermisjonen ofte setter standard for arbeidsfordelingen mellom foreldrene senere i samlivet. Økt fedreuttak av foreldrepermisjonen vil bidra til mer deling av omsorg for barna også når de blir større. Samtidig har vi sett at det statistisk synes å være en sammenheng mellom deling av omsorgsoppgaver og risiko Dessuten er bedre fordeling av permisjonsuttaket positivt for kvinners posisjon i arbeidslivet. Erfaringen viser at mild tvang er det som skal til for å endre kjønnstradisjonelle valg på dette området. Fedrekvoten har vist seg svært effektiv for å øke andelen fedre som tar ut foreldrepermisjon. Kristelig Folkeparti har gjentatte ganger fremmet forslag og bedt Regjeringen legge fram sak om at far på selvstendig grunnlag opparbeider seg rett til pappapermisjon, noe ikke alle har i dag. Til slutt vil jeg følge opp representanten Gjuls innlegg, der hun refererer til de utspillene som kom 8. mars omkring boka fra Simonsen og Yssen. Det er mange viktige diskusjoner som skal tas om fordeling av omsorg på hjemmebane også i årene framover, men nettopp for å oppnå det vi ønsker, at fedre skal komme mer på banen, er det viktig å snakke om det på en måte som ikke nedvurderer foreldrerollen; at det er en byrde som foreldrene må fordele seg imellom. Det er faktisk noe positivt. Vi ønsker fedrene på banen for å ta et større ansvar – som et privilegium som foreldrene skal fordele seg imellom, ikke som en byrde.
Håbrekke har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er

bare så det er sagt. Jeg er enig i Arbeiderpartiets definisjon av hva som er utfordringen i dag, nemlig at fedre må få rett til opptjening, og at fedre må ta ut større del av permisjonen. Det er jeg helt enig i. Det er derfor Venstre har lagt inn fedres rett til opptjening i sine budsjetter, og det er derfor vi har satt fram dette representantforslaget. Vi var innom et snev av skolevalgsretorikk og gammelsosialistisk tankegang om makten i arbeidslivet her for litt siden. Jeg har lyst til å dra dette ned til virkeligheten til folk, til forståelsen av virkeligheten der ute. Da kan jeg fortelle to historier om to pappaer som har kjempet for at dette skal få gjennomslag i Venstre. Den ene hadde akkurat startet en bedrift da kona oppdaget at hun var gravid. De ville selvfølgelig ha denne babyen. Mannen har nettopp startet eget firma og vet at akkurat det halvåret som det er aktuelt for ham å ta ut permisjon, er helt kritisk for er det ikke noen arbeidssjef som krever. Han er bare i den fasen i livet sitt. Dette var ikke helt superplanlagt, men kjempekoselig. Han mistet sin valgfrihet, for han får selvfølgelig overført sin permisjon til mor. Da er du faktisk i en fase som er så viktig at det etter dagens reglement er greit å overføre selv de minste ukene til mor. Den andre historien er om en pappa som akkurat har reist på stor turné med platelansering. Dette er også en sann historie. Dette var planlagt i mange år, den babyen var ikke akkurat så planlagt. Det er veldig mange fedre som opplever at dette krasjer med livet deres. Det har ikke noe å gjøre med arbeidsgivere som presser dem til ikke å ta ut permisjon. Jeg tror det heller ikke er så mye lettere for en arbeidsgiver å presse noen som vil har permisjon for en ettåring, enn noen som vil ha permisjon for en seksåring. så mye lettere for en arbeidsgiver å presse noen som vil har permisjon for en ettåring, enn noen som vil ha permisjon for en seksåring. Dette er virkeligheten der ute. Virkeligheten er at folk ikke er ansatt i store firma med ekle kapitalister som eiere. Det er veldig mange som er ansatt i egne, små selskap. Av og til er det sånn at man planlegger at mor skal få barn når det passer mor, men man bryr seg ikke så mye om at det skal passe for far samtidig. Med vårt forslag kan det passe far når det passer far, og far får muligheten til å ta ut mye lengre permisjon Dette er først og fremst et forslag om å øke fedres valgfrihet og fedres mulighet til å ta ut lengre permisjon. Vi kunne ha fremmet vårt grunnforslag, men vi i Venstre er opptatt av dialog og av saksbehandlingen i komiteen, og nå ser vi at vi kan få flere med på laget. Derfor støtter vi Kristelig Folkepartis forslag, som vi ser på som et litt omforent forslag av vårt. Så er vi i hvert fall to partier. Jeg tror at dette kommer til å bli framtida, for det leves veldig ulike liv. Det er ikke alle som passer inn i de sosialistiske, firkantede maktstrukturene. Det er faktisk helt annerledes der ute. Der ute er det småbedriftspappaer. Der ute er det pappaer på musikkturné, der ute er det mammaer og pappaer som lever veldig ulike liv. Vi må ha regler for at de skal få lov til å være gode mammaer og pappaer som blir kjent med barna sine og får bruke tid til sjøl om det ikke passer inn i «firkantene» vi bestemmer her på huset. Dette er ikke bare en sosialreform og en pappareform, men først og fremst en valgfrihetsreform som gjør at folk får være sammen med barna sine mye mer enn de får i dag. For i dag tvinger vi spesielt fedre inn i en firkant, og passer de ikke inn i den, får de bare ha det så godt. Da gikk toget. Vi mener at pappaene ikke skal stå igjen på perrongen når toget går. Vi mener at det skal være en rute som

De fleste foreldre tar ut mesteparten av permisjonen i barnets første leveår. Det er helt forståelige grunner til det. Det er et privilegium å kunne være hjemme med barnet det første året. Men foreldre har ulike behov, og mange utnytter den fleksibiliteten som ligger i dagens ordning. For eksempel er det en del fedre som ikke tar ut fedrekvoten sammenhengende, men fordelt over lengre tid, og mange strekker Det er fullt mulig med den ordningen vi har i dag. For meg er det et poeng at fedrene tar ut permisjon tidlig, både for å knytte tidlig god kontakt med barnet og for å ta sin del av spedbarnsomsorgen. Dette bidrar til et likestilt foreldreskap. Vi vet at et likestilt foreldreskap også bidrar til mer stabile og bedre familier for fedre, mødre og barn. Fordeling av permisjonen legger grunnlag for en god fordeling av omsorgsoppgavene mellom foreldrene, ikke bare det første året, men også senere, og gir mor og far likere muligheter for yrkesdeltakelse. En likestilt familie er mest robust i dagens samfunn. Regjeringen har i Soria Moria II varslet utvidelse av foreldrepermisjonen til 48 uker med 100 pst. dekning eller 58 uker med 80 pst., og utvidelse av fedrekvoten til 14 uker. Venstre foreslår 15 måneder permisjon, derav tre måneder øremerket far. Erfaringer fra Island, Sverige og Norge tilsier at få fedre tar ut mer enn fedrekvoten, dvs. at de fleste fedre sannsynligvis vil ta tre av de 15 månedene som Venstre foreslår. Det vil altså gi et relativt mindre fedreuttak enn med Regjeringens opplegg. I tillegg kan fedrene i Venstres modell ta ut sine måneder når barnet er i skolealder. Det gir etter mitt syn ikke den samme effekten på omsorgsfordelingen som 14 uker tidlig i barnets liv.

Den fleksibiliteten som de borgerlige snakker om, vil fort kunne vise seg å bli ufriheten for mange menn i vårt arbeidsliv. Det er få ting jeg får så mange henvendelser om, som fedre som på ulike måter møter hindringer på sin arbeidsplass for å ta ut permisjon. Jeg støtter derfor ikke Venstres forslag om en foreldrepermisjon som kan brukes til barnet er tolv år. Permisjon bør brukes til å gi fleksibilitet og god omsorg når barna er små, og samtidig bidra til økt likestilling mellom foreldrene. Når Venstres forslag i tillegg er vesentlig dyrere enn det opplegget Regjeringen foreslår, uten å svare på de viktigste utfordringene, nemlig hvordan vi skaffer mer tid med barna for far, og sørger for uttaksrett til flere menn, synes jeg det er en spesiell bruk av store penger. Avslutningsvis vil jeg si at selv om vi har en svært god foreldrepengeordning i Norge, har vi fortsatt noen veldig viktige utfordringer å jobbe med. I dagens regelverk er ikke foreldrene fullt likestilte som omsorgspersoner. far gjør. Mannemeldingen varslet utredning av en likestilt og forenklet ordning, og Soria Moria II slår fast at Regjeringen vil sikre flere grupper av fedre selvstendig uttaksrett. Dette er noe jeg er i full gang med å jobbe med. Jeg har en veldig klar ambisjon om å komme med forslag til hvordan vi kan lage en mer likestilt og enklere ordning som sikrer rettigheter for flere menn, og som sikrer barna våre god kontakt med begge foreldrene når de er små.

Kan statsråden se at dette kommer i konflikt med den politikken denne regjeringen fører? Regjeringen pålegger far å ta ut ukene i fedrekvoten, mens mor ikke kan overta de ukene, slik at foreldrene selv har ikke full frihet til å fordele de ukene

er at vi ser at det er mer enn formelle regler som begrenser familienes valgfrihet. Det er de tradisjoner og forventninger som samfunnet, arbeidsgivere, kvinner og menn har til det å være mor og far, som også legger klare begrensninger, og som er grunnen til at nesten ingen menn tok ut permisjon før fedrekvoten kom. Det er derfor også grunnen til at hvis representanten Horne lykkes i sitt prosjekt med å fjerne fedrekvoten, vil klokken skrus tilbake. Flere kvinner vil være hjemme. Færre menn vil være hjemme. Det mener jeg betyr mindre frihet for den enkelte kvinne og mann. Jeg har to spørsmål til statsråden. For det første: Finansministeren er hver dag ute i media og sier mye om de økonomiske utsiktene og statsbudsjettene framover.

Derfor er de ordningene vi har, med fedrekvote, til barnets beste også. Jeg er skeptisk til en utvidelse av den totale permisjonstiden i den retning som Kristelig Folkeparti og Venstre foreslår. Vi har allerede en veldig raus permisjonsordning. Jeg mener at vi skal bygge ut tiden noe, ikke minst for å gi rom for en videre økning av fedrekvoten, men så tror jeg tiden er inne til først og fremst fremst å sørge for at alle har uttaksrett, framfor enda mer utvidelse av den totale

Hva vil statsråden gjøre for at far skal få selvstendig opptjeningsrett? Vi er alle enige om at mor og far i dag ikke er likeverdige som omsorgspersoner. Far har et B-stempel som omsorgsperson fordi han ikke har selvstendig opptjeningsrett. Hva vil denne regjeringen gjøre for at vi snarest mulig får på plass en ordning der far også sikres selvstendig opptjeningsrett når han skal ta ut sin fedrekvote?
Det er ikke radikalt å bruke penger på en dårlig måte. SV har aldri vært for utvidelse av permisjonen så langt som Venstre og Kristelig Folkeparti foreslår. Det mener vi ikke er nødvendig. Men vi mener at en viss utvidelse, i tråd med det Regjeringen har foreslått, er klokt, ikke minst for å skaffe mer rom for far. Så er det sagt veldig tydelig, både i mannemeldingen og i Soria Moria II, at Regjeringen har som ambisjon å få til en mer likestilt foreldrepengeordning. Det er ca. 6 000 menn som i dag ikke har uttaksrett, og det er det viktig å gjøre noe med. Derfor jobber jeg med en gjennomgang av hele denne ordningen for å se på hvordan vi kan lage både en mer likestilt ordning og en enklere ordning for familiene. Det er noe vi jobber med nå, og som vi vil komme tilbake til Stortinget med når vi har et klart forslag til hvordan en slik modell bør være. Replikkordskiftet er over. De representantene som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Fedre arbeider i Statoil, på Rema, i Siemens, i helsevesenet, i barnevernet og rundt omkring, og det er ikke alle som driver sitt eget firma. Vi vet at menn som ønsker å ta ut permisjon, møter hindringer, også uformelle. Vi vet at med pakken og tanken om at kvinner er omsorgspersoner, kommer også en pakke og en tanke om at menn ikke er det. Kampen for fedres formelle rettigheter i foreldrepermisjonen er også en kamp for å bli regnet som skikkelige omsorgfedre, og

vi får meldt inn. Disse mennene får ikke en håndsrekning fra høyresidens retorikk om valgfrihet. Venstre må gjerne mene at det er gammeldags å snakke om makt og arbeidsliv. Jeg tror at de over 800 000 som betaler kontingent til fagforeningen sin, vil være uenig i

på dette området, både foreldrepermisjonen og forlengelse av pappapermisjonen. Historien – og referatene fra denne sal – viser hvem som har stemt for hvilke forbedringer, og hvem som har foreslått økninger i regjering. Så er det nevnt et kostnadselement både ved forslaget til Venstre og forslaget fra Kristelig Folkeparti, som er nesten likelydende, og som ligger til behandling.

fødes for få unger. Det gir oss store finansielle utfordringer i forhold til velferdsordningene i tiden framover. Så i det perspektivet er det faktisk en god investering å legge til rette for familieliv, legge til rette for at familier kan velge ulike løsninger som gjør at det blir attraktivt å føde flere unger. Dette er ikke den eneste motivasjonen for et sånt forslag, men det hører med å løfte blikket litt når man diskuterer kostnader knyttet til slike viktige investeringer. Så viser representanten Gjul igjen til utspillet fra Simonsen og Yssen den 8. mars. Jeg synes det er relativt forenklet å si at det er relativt forenklet å si at de sier det samme som Likelønnskommisjonen sier, rett og slett fordi de viser til konsekvensene i forhold til karriere og lønn osv. Så sier de at hvis kvinner er rasjonelle, så bør de ikke få barn. Det håper jeg faktisk representanten Gjul ikke slutter seg til, fordi det er et veldig klart verdivalg å si at de verdiene er viktigere enn det å gi omsorg til unger og bruke tid og investere en del av livet på det. For at vi skal skape en likere fordeling når det gjelder ansvaret for foreldrerollen, må vi snakke opp foreldrerollen, oppvurdere den, slik at vi viser at det også for menn faktisk er et privilegium, og ikke snakke det ned som en byrde, som noe som hemmer andre ting som virkelig er viktig i livet, som karriere og status. Det tror jeg er et grunnleggende utgangspunkt for at vi skal nå de intensjonene som mange av oss her i salen har knyttet til likere fordeling av omsorgen for

Representanten Håbrekkes siste innlegg gjorde at jeg ble nødt til å ta ordet igjen. Håbrekke kan virkelig ikke ha skjønt hva dette dreier seg om, for er det noen som virkelig har kjempet for friheten til kvinner, er det jo venstresiden i norsk politikk. Det som har skjedd, er jo at norske kvinner har fått en valgmulighet. Norske kvinner har den muligheten som de fleste andre kvinner, bl.a. i Sør-Europa, ikke har. Vi kan faktisk velge både å få barn og å være yrkesaktiv. Det vi har gjort, er jo at vi har lagt til rette for gode foreldrepermisjonsordninger, barnehage og ikke minst det at vi har et organisert og regulert arbeidsliv.

hun synes er best. Fremdeles er det sånn at vi har store forventninger til morsrollen. Det er mange som snakker om «en dårlig mor», men det er veldig sjelden du hører begrepet «dårlig far». Ved samlivsbrudd er det veldig mange mødre som opplever at hvis det er far

det tåpelige utspillet som kom fra Ingunn Yssen og Marie Simonsen den 8. mars. Det er så tåpelig at det ikke engang skulle vært nevnt fra denne talerstolen. Det viser hvor krampaktig initiativene fra venstresiden i norsk politikk er, når man ikke har noe annet å diskutere på 8. mars enn at kvinner som føder barn, er ulykkelige fordi de ikke får de samme mulighetene i arbeidslivet. Nå begynner det å bli satt så på spissen at selv folk som

ut fra at far og mor skal likestilles i størst mulig grad. De glemmer helt at foreldrepermisjon faktisk er en ordning som skal sikre barnet et godt omsorgstilbud. Det første året i livet

i noen år av livet sitt kanskje velger å jobbe i en mindre stillingsandel, som kanskje velger å ikke tjene en halv million, men å være hjemme med ungene og følge opp dem. Jeg synes det er trist at vi har kommet dit at man ikke respekterer kvinner for det valget de tar, både i forhold til yrkesliv og til barn, at det skal være slik at man ikke blir sett på som en vellykket kvinne hvis tjener godt nok og jobber hundre prosent, men faktisk velger å være hjemme med ungene sine. Presidenten vil minne om at begrepet «tåpelig» er blitt påtalt av tidligere presidenter, selv om det i denne sammenheng dreide seg om uttalelser fra andre enn stortingsrepresentanter.

nemlig at mange kvinner taper i arbeidslivet når de får barn. Det synes jeg, med respekt å melde, er noe som burde bekymre oss alle, og som er politisk viktig å adressere. La meg si at når representanten Hofstad Helleland går løs på de rød-grønne for å mangle respekt for kvinners valg, synes jeg det er temmelig spesielt, også disse antydningene om at vi ikke skal være opptatt av barnets beste. Det er altså to dager siden vi behandlet barneloven, der vi på en rekke områder ser at det kan være viktige likestillingspolitiske hensyn som det er vanskelig å ta fordi vi prioriterer barnets beste. Det har vi vært veldig tydelige på. Jeg må også si at jeg synes det er

familier og barn et bedre familieliv. Det er der vi har en fundamental uenighet, fordi høyresiden ikke ser den viktigheten. Da synes jeg også det er litt underlig at det er umulig å finne ut hva Høyre nå mener om foreldrepermisjon for framtiden. På den ene siden er representanten Hofstad Helleland ute og vil avskaffe fedrekvoten, mens andre representanter for Høyre ikke vil det. det. Merknaden i denne saken er umulig å tolke i noen som helst retning, så det er stor uklarhet rundt hva dette betyr. Da får jeg litt behov for å minne om at det korstoget som representanten Hofstad Helleland tydeligvis er inne på mot alle former for kvotering, ikke er et oppgjør med all verdens sosialisme og skadelige krefter som hun er opptatt av. Det er et oppgjør også med hennes eget partis historie, som har bakket opp de fleste kvoteringsforslagene – enten det næringslivskvotering eller fedrekvote – opp gjennom årene. Så hva Høyre egentlig står for i denne saken, er det kul umulig å finne ut av, og jeg tror det er flere enn meg som hadde hatt glede av å få det oppklart. Presidenten er ikke sikker på om begrepet «korstog» er et begrep en bør bruke fra talerstolen, særlig mot Høyre. Neste taler er Øyvind Håbrekke. Representanten har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og

Men jeg synes, også etter den siste runden, at det er viktig å påpeke at det at det er for store forventninger til morsrollen, ikke behøver å bety at vi skal trekke forventningene ned til den rollen som far har hatt historisk. Det bør ikke være noe mål, og det er ikke til barnets beste. Vi burde oppvurdere farsrollen og dermed få bedre omsorg for ungene totalt sett. Nå begynner denne debatten å bli riktig interessant. Hvem det er

det er vel ingen som har sagt at vi skal kutte i. Vi har en av verdens beste ordninger. Hvem som har æren for det, er ikke det viktige, men at vi har en veldig god ordning. Statsråden står her og sier at han er livredd for å gi familien full frihet, han er livredd for å tenke at barnets beste kanskje er at mor er lenger hjemme, eller kanskje at far er lenger hjemme enn de ukene han har i dag. hva så? Det viktigste må vel være barnets beste, at barnet har foreldrene hjemme med seg lengst mulig. Fremskrittspartiet er et borgerlig parti, og forskjellen mellom de borgerlige og de sosialistiske partiene i dette er at vi

og det er da jeg føler meg gammel, når jeg begynner å huske – fra veldig, veldig mange år tilbake. Jeg tror det er viktig å minne om at verden faktisk har utviklet seg ganske mye, at verden er dynamisk, og holdninger er i sterk utvikling. Høyres utgangspunkt er at Høyre vil være et parti som vil se fremover, og vi vil ha debatt om dette ut vår tids realiteter. Dette er ikke et statisk fenomen. Det er helt riktig, som statsråden påpekte i stad, at Høyre har støttet kvotering. Høyre har støttet mange grep rundt likestilling som har hatt å gjøre med det å legge rammer for valg. Men vi mener at det er på høy tid å ta en del av de debattene opp igjen, fordi vi mener at nye generasjoner menn ser annerledes på spørsmålet om det å ta ansvar på hjemmebane. Heldigvis har vi vært i en slik utvikling. Vi tror det er viktig å ta disse debattene nå, og vi kommer til å ha viktige debatter om disse spørsmålene på vårt landsmøte i mai. Så tror jeg også det er slik at en del av dette er et resultat av en berettiget og sterk kvinnekamp opp igjennom, kanskje særlig på 1970- og 1980-tallet. Jeg tror nok at likestillingsperspektivet den gangen var minst like viktig som perspektivet barnets beste, uten at man skal behøve å gjøre opp noe endelig regnskap på det ene eller andre i det. Jeg vil heller ikke nødvendigvis kritisere det fordi likestillingsspørsmålet var – hva skal jeg si – veldig berettiget å ta opp. Men jeg tror nok at når vi nå diskuterer dette om igjen, er det nødvendig å løfte hensynet til barnets beste frem som overordnet, ha det tyngre med seg i diskusjonen, enn jeg tror var tilfellet ved mange korsveier da hovedkursen for dette ble lagt for 20 år siden. Flere har ikke bedt om ordet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

Hofstad Helleland, som får ordet på vegne av sakens ordfører, Lars Bjarne Tvete. Jeg vil starte med å gi ros til Venstre, som står bak dette forslaget. Det er et veldig godt forslag. Det eneste som er synd med forslaget, er at det ikke får flertall her i salen i dag.

mens andre sliter med lite ressurser og lange restanser. Dette får alvorlige konsekvenser for de ungene det gjelder. En enstemmig komité er også enig med Venstre i at barnevernet ikke makter å gi den hjelpen mange barn trenger, på grunn av store utfordringer knyttet til ressurser og samhandling. Det er derfor viktig å understreke betydningen av at forsknings- og utviklingsprogrammer etableres og videreføres, slik at det formidles god kunnskap om hvilke utfordringer barnevernet står overfor, og hvordan barnevernet lykkes i sitt arbeid, og hvorfor det ikke lykkes. Det er viktig å se på økonomistyring og ressursforvaltning innenfor barnevernet, både på statlig og kommunalt nivå. Målet er å få til et effektivt barnevern, hvor ressursene brukes på tiltak direkte rettet mot barn og deres familier, og ikke på en topptung organisasjon med unødig byråkrati og administrasjon og hvor politiske og ideologiske føringer virker styrende på virksomheten. Høyre mener at et totalansvar for barnevernet på kommunalt nivå i en rekke kommuner vil gi et bedre barnevern. Dette har vi bl.a. sett gjennom forsøksprosjektet i Trondheim, der de gjennom fire år som forsøkskommune viste til meget gode resultater. I forsøksperioden ble det barnevernsfaglige kompetansenivået i kommunen styrket, og det ble høy grad av både stort politisk engasjement for og vilje til å satse økonomisk på barnevernet. Det er ikke noe rart. Lokalpolitikerne fikk ansvar, og de ble gjennom det ansvaret også mye mer engasjert i arbeidet med barnevernet, og det sørget for økte økonomiske ressurser. I det hele tatt ble tilbudet til barn og unge bedre, og det utviklet seg til å bli veldig mangfoldig i perioden forsøksprosjektet i Trondheim fikk virke. Det er veldig synd at forsøksprosjektet ikke ble videreført når alle er enige om at prosjektet viste seg å ha så gode resultater. Fra Høyres side deler vi forslagsstillernes ønske om å åpne mulighetene for at kommunene kan ta et helhetlig ansvar for alle barnevernets virkeområder. Høyre støtter derfor forslaget fra Venstre om å se på arbeidsfordelingen mellom den kommunale barnevernstjenesten og Jeg går ut ifra at de andre partiene redegjør for sine enkelte syn, og jeg ønsker å ta opp de forslag som Høyre fremmer i saken. Representanten Linda C. Hofstad Helleland har tatt opp de forslagene hun refererte til. Det er et stort fokus på barnevernet, og det er viktig. Forslagsstillerne skal ha ros for å sette spørsmålet på dagsordenen. Det kan være helt avgjørende for en persons liv at samfunnet makter å gripe inn så fort som mulig når man ser at barn trenger ekstra oppfølging og kanskje er utsatt for omsorgssvikt. Derfor er det også bred og tverrpolitisk enighet om at vi vil ha et likeverdig og godt barnevernstilbud over hele landet. Men dessverre får vi stadige meldinger om at det ikke er sånn. Enkelte kommuner bryter loven hver dag. Vi ser også at det er stor ulikhet mellom kommunene. kommunene. Nok et eksempel på en utilgivelig unnlatelsessynd fikk vi i Aftenposten i dag, hvor vi ser at barnevernet har mottatt et tosifret antall bekymringsmeldinger om to barns oppvekst hos en mor og likevel ikke grep inn. Det fortelles om at guttene ble voldtatt, at de er blitt holdt under vann for å trues til å utføre seksuelle handlinger på menn og på hverandre. Barnevernet meldte det til politiet, men politiet grep ikke inn. Det vi også ser i saken, er at de første bekymringsmeldingene ble meldt inn allerede da den eldste gutten var bare et halvt år gammel. Her handler det altså ikke bare om barnevernets unnlatelsessynd, men det handler om at det er et bredt spekter med tiltak som tydeligvis ikke fungerer godt for å beskytte og hjelpe barn. Det er ønskelig med oppmerksomhet også i denne salen og med forslag fra partiene om hva som kan gjøres for å bedre situasjonen. Men jeg kan vanskelig se at forslaget vi nå debatterer, løser noen verdens ting når det gjelder dagens situasjon, snarere tvert imot. Jeg tror kanskje at de største byene ville maktet å ta et sånt ansvar, men for det store flertallet av dagens kommuner vil dette kunne bli dramatisk. De sliter allerede med for få ansatte og stor turnover, som begrenser kontinuitet og god faglighet. Forslagsstillerne sier jo også selv i forslaget at

Jeg er enig med statsråden i svarbrevet i at dette må evalueres grundig, og at man må se på helheten i tiltakene rundt de barna som trenger hjelp. I går la fylkesmannen i Nord-Trøndelag fram årsstatistikken for barnevernstjenesten i fylket. Det resulterte i forsiden på Trønder-Avisa i dag, som sier at barnevernet svikter barn, og at det er en dramatisk Fylkesmannen peker særlig på tre områder, som jeg også vil be statsråden ta med seg i sitt evalueringsarbeid i forbindelse med en opptrapping av barnevernet. Det ene er eierrollen i dagens kommunestruktur. Vi ser at interkommunalt samarbeid fungerer godt, men ikke godt nok, og at det kan tyde på at en del rådmenn som ikke har vertskommuneansvaret, lener seg noe tilbake, tilbake, og det kan være en potensiell risiko for at de overlater ansvaret til dem som har vertskommunerollen. Man har allerede i dag store bemanningsproblemer, med stor turnover, noe som hindrer stabiliteten, og det bør det ses på i denne sammenhengen. Det andre er henleggelsesprosenten i barnevernet. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har funnet fram statistikk for de siste ti årene som viser at henleggelsesprosenten har vært rundt 40 Samtidig sier barnevernsledere over hele landet at kompleksiteten i sakene blir stadig større, og at alvorlighetsgraden stadig stiger. Jeg stiller spørsmålet om dette betyr at terskelen for faktisk å gripe inn overfor barn som trenger hjelp, er blitt høyere, i tråd med en utvikling av mer alvorlige problemer rundt disse barna. En stabil henleggelsesprosent tyder faktisk på det. det. Det tredje er at ⅔ av de barna som i dag er under tiltak, faktisk mangler tiltaksplan. Det er et brudd på de retningslinjene som er, derfor må det også tas med i evalueringen. Med bakgrunn i dette vil jeg vise til forslagsstillernes egen argumentasjon. Jeg tror at Stortinget gjør klokt i å avvente evalueringen som statsråden har skissert. Barnevernet er skissert. Barnevernet er svært viktig. Det er en av de viktigste sakene som denne komiteen jobber med. Barnevernet skal være statens verktøy for å hjelpe de barna som trenger hjelp. Men når jeg hører på representanten Arild Stokkan-Grandes innlegg – som for øvrig var et veldig bra innlegg – der han pekte på veldig mye svikt i barnevernet, at barnevernet svikter barn, at det er en høy henleggelsesprosent, og at vi har hatt flere episoder i media den siste tiden som viser hvor gal situasjonen i barnevernet er, minne om at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har styrt Barne- og likestillingsdepartementet i mange av de siste årene. Hvorfor har ikke dette blitt tatt tak i før? Det bare spør jeg meg. Intensjonen i forslaget som ligger på bordet i dag, er veldig godt, men jeg tror ikke de forslagene som ligger der, er det som er løsningen for barnevernet i dag. Jeg tror mer løsningene ligger i det forslaget som vi skal diskutere neste torsdag, der det kommer konkrete forslag som kanskje kan hjelpe på i barnevernet. Barnevernet er viktig for å sikre at alle barn får en trygg oppvekst. Når de nærmeste svikter, er det viktig at vi har et apparat som fungerer helt optimalt og sikrer at de barna som trenger det, får hjelp. Barnevernet har en av de viktigste oppgavene. De har et stort ansvar som de er nødt til å ta med seg. For Fremskrittspartiet har det vært viktigst at barnevernet hjelper familiene lengst mulig, sånn at en kanskje kan unngå å få en overtakelse. Men altfor ofte ser vi at man er nødt til å ta barna fra foreldrene. Ofte ser vi at det skjer for sent, noe som barnevernet bør se på. Det er katastrofalt når barnevernet svikter, for de barna som trenger den hjelpen, er faktisk de svakeste av de svake, og de trenger hjelp fra staten. Jeg viser også til den saken det sto om i Aftenposten i dag: I Vestfold fylke har altså tre kommuner fått kraftig kritikk – én har fått kraftig kritikk og de to andre har brutt barnevernsloven. Jeg er helt sikker på at dette ikke er noen unike tilfeller. dette ikke er noen unike tilfeller. Dette skjer faktisk flere hver eneste dag ute i de enkelte kommunene. Det er noe som statsråden er nødt til å ta med seg, og se på hvilke retningslinjer og hvilke rutiner barnevernet i den enkelte kommune har, for å påse at dette ikke skjer igjen. Det er viktig å ha et tilsyn. Vi har fått en rapport fra Riksrevisjonen, før jul, som viser at veldig mange av de barna som har krav på tilsyn, ikke får tilsyn. Vi ser også henleggelser tilsyn, ikke får tilsyn. Vi ser også henleggelser som ikke får følger. Det er vi nødt til å rette opp i. Den barnevernsreformen som ble vedtatt, hadde mange gode intensjoner. Den skulle sikre et likt tilbud til alle barn i landet. Men vi ser ofte at det ikke er tilfellet. Vi har veldig mange små kommuner der alle kjenner alle, og der kommunen ikke har økonomi eller ressurser til å gi barn det tilbudet de skal ha. Stortinget lager lovverket, men barnevernet følger ikke opp. Det har Stortinget lager lovverket, men barnevernet følger ikke opp. Det har vi sett flere ganger. Så skryter Regjeringen av at de har et statsbudsjett med 400 nye stillinger. Veldig mange kommuner har sagt at de ikke har klart å følge opp dette. Det er bekymringsfullt, for når det da bevilges penger og skrytes av at nå skal vi få et løft i barnevernet og det ikke skjer, så går det ut over ungene. For Fremskrittspartiet har også fylkesnemndene vært en viktig sak. Vi ønsker å legge ned fylkesnemndene. Vi ønsker å ha en annen løsning på dette. Vi ser helt klart at den situasjonen vi har i dag, med lang saksbehandlingstid, ikke er god verken for familien eller for barnet. Det må det også rettes opp i. Vi ser at det er store konflikter mellom kommunene og det statlige barnevernet. Det er noe som en er nødt til å fokusere på.

ser på de ordningene vi har i dag, at vi gjør dem bedre, og at det barnevernet som vi har i dag, oppfyller det lovverket som allerede er der.

Men vi vil samtidig understreke at det er for tidlig å konkludere på hvorvidt dagens organisering av barnevernet bør endres vesentlig. Vi skal heller ikke undervurdere verdien av en sterk barne-, ungdoms- og familieetat, med de mulighetene det gir for god kompetanseheving, faglig utvikling og et godt forankret samarbeid med andre relevante tjenester. Men vi støtter altså forslaget om å gjennomgå Likevel er det viktig å se et slikt forslag i sammenheng med den totale situasjonen i barnevernet. Og det er viktig å understreke at det er ikke først og fremst organiseringen som er hovedproblemet, for dagens situasjon er at det er store mangler i alle barnevernets ledd. Det er for øvrig dokumentert også i den siste budsjettproposisjonen fra fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Vi lykkes ikke med å hjelpe alle de ungene som trenger vår hjelp. Det er veldig alvorlig og trist, og vi kan ikke akseptere at situasjonen er slik. På grunn av svak kommuneøkonomi er det bekymringsmeldinger som kommer inn, som ikke gjennomgås. Av samme grunn er det mange som ikke får tilbud om ettervern. Ressurssituasjonen i kommunene fører altså til for liten kapasitet, for få ansatte, for lite tid og for liten kompetanse. Derfor kan det også være fornuftig å gjennomgå arbeidsfordelingen mellom det statlige og det kommunale barnevernet. Men jeg vil understreke at det ikke bare er det kommunale barnevernet som sliter. Fylkesnemndene klarer ikke å overholde tidsfristene for saksbehandlingstid. Hundrevis av barn venter på å få et fosterhjem. Likedan er det med dem som har et fosterhjem og ikke får tilsynsfører. Det er altså behov for en bred opptrapping av ressurser til barnevernet som sådant. Da er det trist å konstatere at den innstillingen som komiteen har levert i dag, som handler om nettopp det, og der man har sjansen til å gjøre et tverrpolitisk, bredt nasjonalt løft for barnevernet,

fra det største regjeringspartiet. Men hvem er det som styrer barnevernet? Det er flertallsregjeringen som styrer barnevernet. Konklusjonen er derfor at det er de rød-grønne og Regjeringen som svikter barnevernet. Man har hatt sjansen til å være med på et felles tverrpolitisk løft, og det viser komitéinnstillingen i dag at man ikke er villig til å være med på. på. Når man uttaler seg så sterkt fra talerstolen her i dag om situasjonen i barnevernet og det eneste konkrete bidraget er at det forslaget vi har til behandling i dag, ikke skal vedtas, så holder ikke det, og det står ikke til troende. Man må gjerne oppfordre opposisjonen til å avvente Regjeringens egen evaluering av barnevernsreformen og vurdering av Men det som den saken vi har til behandling i dag, viser, er at opposisjonen er utålmodig. Vi har ikke tid til, og barnevernet har heller ikke tid til, å avvente evaluering fra en regjering som ikke er i stand til å vise fram sine ambisjoner for barnevernet, som ikke er i stand til å fortelle oss hvilke mål og hvilke frister man har satt for å komme i mål i en helt uakseptabel situasjon, der barn som myndighetene har overtatt ansvaret for, ikke blir gitt et skikkelig tilbud. Det krever ambisjoner, det krever målsettinger, det krever handlekraft. Det er det denne debatten må dreie seg om. Intensjonen bak Venstres forslag er om. Intensjonen bak Venstres forslag er at vi ser at vi i dag har et barnevern som er under kraftig press, og som ikke fungerer godt, og da må vi se på om strukturene og ressursene er prioritert på riktig måte. For meg er det viktig at det er barnet som er i sentrum for barnevernet – at det ikke er statens behov eller organisering eller strukturer og heller ikke kommunestrukturen. Jeg mener at vi skal organisere den offentlige velferdsstaten på en slik måte at en får løst oppgavene sine. Hvis det er slik at den er feilorganisert, må vi organisere på nytt, for det er oppgavene som er poenget. Hvis vi har en struktur som ikke er tilpasset det å gi gode tilbud, må vi gjøre noe med det. Det er en annen ting som undrer meg, og som gjør at jeg også støtter forslaget om prøveordninger: Når man har gjennomført prøveordninger og prøveordningene viser seg å fungere, hvorfor får de da ikke lov til å fortsette? Det er for meg et stort under. Det hender at jeg sier til barnevernsfolk at som barnevernsbarn er i en av de store kommunene, som f.eks. Oslo. Grunnen til dette er tallene vi ser f.eks. i Trønder-Avisa i dag. Der ser man at antall bekymringsmeldinger pr. ansatt i Nord-Trøndelag ligger langt over snittet. 253 barn i lille Nord-Trøndelag fikk bekymringsmeldingen sin henlagt uten noen form for undersøkelse. Vi ser tall på tall på hvordan man ikke klarer å takle utfordringene. Det er ikke slik at det er et paradis noe annet sted heller, men skal man lage gode ordninger rundt barn, må man faktisk lage ordningene rundt barna og ikke prøve å få barna til å passe inn i ordningene. Slik strukturen er i dag, så får barna bare vær så god å passe inn i det. De som sitter og bestemmer hva som skal gjelde for hvert enkelt barn, er ikke de som møter barna engang. Her er det klart at det ikke bare er ressurser – mer ressurser – som trengs for å få til et godt barnevern, men også en ny organisering og ikke minst kompetanse. Vi må flytte kompetanse og kunnskap nærmere barna – nærmere dem det gjelder. Samme hva man har vært med på tidligere, må man være i stand til å vurdere ordningene på nytt. I dagens BT er det lagt fram en undersøkelse som viser hva folk som er ansatt i barnevernet, syns om den jobben de sjøl gjør. Da viser det seg

Det er faktisk slik at 41 pst. innenfor Bufetat også mener det er for dårlig. Men 77 pst. av dem som sitter med barna på sitt kontor, syns det er for dårlig. Det er først og fremst barnevernsansatte i kommunene som syns at systemene rundt dem ikke fungerer. Da er spørsmålet: Er det de som har rett, eller er det vi som har rett? Jeg mener at det er de som jobber i det lokale barnevernet – de som møter hvert enkelt barn, de som skal finne systemer for hvert enkelt barn – som er de beste til å vurdere Jeg skjønner at Fremskrittspartiet ikke er enig i Venstres forslag – det er helt logisk. Fremskrittspartiet vil ha mer stat og mer stykkpris og mer individ, mens vi vil ha desentralisering av makt og løsninger som er tilpasset hver enkelt, og ikke standarder som folk skal inn i. Så det er helt logisk. Men jeg er veldig glad for at vi i dag har fått et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti som Høyre og Kristelig Folkeparti som jeg mener også er et ideologisk grep med hensyn til hvor vi syns at makta i forhold til barna skal være. Jeg syns den skal være så nær barna som overhodet mulig. Jeg vil at fagfolk som kan se barna i øynene, kan finne løsninger for dem. Jeg vil at folk som vet hvilken hverdag barna står i, finner løsninger for dem. Da må det gjøres organisatoriske grep, man må gjøre kompetansegrep, men man må først og fremst flytte makt ned – makt ned til der barna er.
Alle barn skal ha like muligheter og gis trygge oppvekstvilkår. For oss som samfunn er det en særlig viktig oppgave å sørge for at det også gjelder barnevernsbarna. Vi har et særskilt ansvar. Det er den kommunale barnevernstjenesten som har hovedansvar for barna i barnevernet, og det statlige regionale barnevernet skal bistå kommunene gjennom å gi tilbud om institusjon, skaffe fosterhjem og hjelpe kommunene i de vanskelige sakene. Målet er et likeverdig og godt barnevernstilbud i hele landet.

Det kan vi på barnas vegne ikke akseptere, og derfor må vi gjøre noe med det. Representantene Skei Grande og Tenden mener at barnevernsreformen har ført til ytterligere byråkratisering av barnevernet, og at løsningen er å gi kommunen et helhetlig ansvar for barnevernet. Det er et forslag som tidligere har vært utredet. Forut for reformen i 2004 ble det også vurdert overføring av de fylkeskommunale kommunen et helhetlig ansvar for barnevernet. Det er et forslag som tidligere har vært utredet. Forut for reformen i 2004 ble det også vurdert overføring av de fylkeskommunale oppgavene til kommunal sektor. Kommunens kompetanse og kapasitet var et av argumentene mot en slik overføring. Små kommuner har i utgangspunktet vanskelig for å få kvalifisert personale, og i tillegg var det ikke realistisk å tenke seg at alle kommuner skulle ha et eget institusjonstilbud. Det var for fylkeskommunene, og det var ingen grunn til å tro at det skulle være lettere for kommunene. For de største kommunene, som har et befolkningsgrunnlag tilsvarende eller større enn mange fylker, mente departementet i høringen den gangen at en overtakelse av fylkeskommunenes oppgaver på barnevernsområdet og muligens også familievernområdet ville vært gjennomførbart. Men med daværende kommunestruktur, kjennetegnet ved et stort antall småkommuner, var det også den gang grunn til å stille spørsmål ved de små kommunenes kompetanse og kapasitet til å

Det er strukturproblemer i barnevernet som vi må ta fatt i, men jeg savner en litt mer edruelig holdning fra de borgerlige med tanke på den historie de har i forbindelse med denne reformen. Dagens organisering har vært virksom siden 2004. Det er grunnlag, mener jeg, for å stille spørsmål ved om vi er best tjent med dagens organisering, eller om vi kan gjøre det på andre måter. Men for å gjøre slike vurderinger må vi ha systematisk kunnskap. Vi er nå i startfasen av en omfattende evaluering av den statlige barnevernsreformen. Vi skal se på en rekke viktige områder. Det omfatter statlig barneverns bistand til kommunalt barnevern, institusjonstilbudet, samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helsevern, og vi skal også få evaluert den økonomiske og faglige styringen av det statlige barnevernet. Den evalueringen skal ikke bare omfatte egen organisasjon, men også se på barnevernets samarbeid med andre viktige instanser i barns liv, f.eks. det psykiske helsevernet. Kommuneperspektivet blir viktig i evalueringen. Kommunene har et hovedansvar for barnevernsbarna og et oppfølgingsansvar når barnet mottar hjelp i form av statlige tiltak. Vi har ett barnevern i Norge i dag, og det må også denne evalueringen avspeile. Resultatene fra evalueringen vil foreligge i 2011. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere de spørsmålene som representantene fra Venstre også er opptatt av. Det er viktig å vurdere hvordan vi innenfor dagens struktur kan få til bedre resultater både når det gjelder samarbeid mellom kommune og stat, når det gjelder samlet ressursbruk, og når det gjelder f.eks. institusjonstilbudet til barna. Regjeringen har gjort mye på dette området i det siste, både når det gjelder å styrke det kommunale barnevernet, når det gjelder å styrke tilsynet, barnevernet, når det gjelder å styrke tilsynet, og når det gjelder å sette i gang prosesser for å forbedre Bufetat. Jeg erkjenner at det må gjøres mer, og jeg er enig i at vi må se på strukturene i barnevernet, men jeg mener det er en forutsetning at vi sikrer oss grundig kunnskap før vi kommer til konklusjonen. Det åpnes for replikkordskifte. Det er

Problemet er bare at jeg tror ikke dette er de eneste tilfellene. Mange kommuner henlegger ofte saker fordi de håper at en kanskje flytter til en annen kommune. Statsråden sa selv at en del kommuner bryter barnevernsloven hver dag. Det er statsråden som har ansvaret for at dette ikke skjer. Mitt spørsmål til statsråden blir da: Vil statsråden nå pålegge alle kommuner å gå gjennom sine rutiner og sikre at kommunene ikke bryter barnevernsloven? Og jeg har et spørsmål til: Hvilke konsekvenser vil det få for kommuner som bryter barnevernsloven? Jeg tror jeg reagerer på den saken som er kommet fram, på samme måte som alle komiteens medlemmer gjør. Vi er dypt bekymret over at slike ting kan skje i Barneverns-Norge. Det er viktig at dette følges opp.

Linda C. Hofstad Helleland,

og se på at så mange barn blir utsatt for grove overgrep. Vi har ikke tid til å se at flere barn utsettes for flere grufulle hendelser. Hva vil statsråden gjøre på kort sikt for å bedre barnas situasjon?

og der har vi et felles ansvar. Jeg tror det ville være formålstjenlig for barnevernet om vi tar på alvor den tverrpolitiske bekymring som er for dette, istedenfor å gjøre dette til partipolitikk, for jeg registrerer jo at heller ikke Høyre i sitt alternative budsjett hadde løsninger som f.eks. ville gjort at vi fikk en annen ressurssituasjon i barnevernet. i barnevernet. Vi må ta inn over oss at en viktig grunn til den situasjonen vi er i i kommunene, ikke er at det ikke har vært satset de siste årene, men at saksmengden har økt enda mer enn satsingen. Det er også et resultat av at barnevernet har lyktes bedre, og når fram til flere. Men det skaper også større utfordringer, og betyr at vi må satse enda mer. Det er

om situasjonen i barnevernet, ikke minst i det kommunale, når han sier at enkelte kommuner bryter barnevernsloven hver eneste dag. Da må jeg si: Vi har lyttet og lyttet og lyttet til statsråden som har snakket og snakket og snakket om barnevernet i lang tid, og det har også andre statsråder før ham. Men jeg må bare si: Vi vet ikke hvordan statsråden har tenkt å forholde seg til det. Vi vet ikke hva statsråden har tenkt å gjøre med barnevernet. Så spørsmålet er rett og slett: Hvor lenge skal vi vente før vi får vite hva statsråden har tenkt å gjøre med barnevernet? Det er sånn, som jeg har varslet, at vi skal evaluere reformen. Jeg mener det er nødvendig å gjøre det før vi kan foreslå store strukturelle endringer. Det vil jeg også tro representanten som representerer det partiet som brukte fire år på å lage reformen, vil være enig med meg i. Den evalueringen kommer altså i 2011. Når det gjelder ressurssituasjonen i det kommunale barnevernet, etterlyser jeg litt mer raushet fra representanten Håbrekke, som jeg synes har lagt fram et godt forslag – som vi skal diskutere neste uke – som er kunnskapsrikt, og som i større grad går til kjernen av problemene enn det forslaget vi diskuterer i dag. Men når han svinger seg til de store høyder over at Regjeringen ikke vil stemme for hans forslag neste uke, synes jeg han heller skal se på i hvor stor grad vi kommer i møte virkelighetsbeskrivelsen, og sier at vi skal gjøre noe med det, og så innse at det alltid har vært sånn i Norge – alltid vil være sånn – at en regjering styrer gjennom budsjettproposisjoner, og ikke gjennom private forslag fra Sånn vil det fortsatt være. Men jeg mener den raushet vi møter Håbrekkes forslag med, burde det være rimelig ble gjengjeldt, at vi ser at vi har en tverrpolitisk bekymring og et tverrpolitisk ansvar. «Raushet» var et godt stikkord, og Regjeringa syns de er

som statsråden syns er positive i det forslaget som er kommet, eller er dette helt skivebom – og alle skal begynne på nytt igjen? Regjeringa har tross alt hatt fem år på å begynne på nytt igjen, sjøl om det ikke er statsråden sjøl som har sittet og hatt ansvaret hele tida. Jeg mener, som jeg sa i mitt innlegg, at denne reformen, som også Venstre i regjering var med på å skape, og den kritikk som nå kommer mot den, viser at det er ting ved reformen som ikke ble gjort godt nok. Det er også en slags innrømmelse fra Venstre gjennom dette forslaget. Jeg er enig i at vi må se på de strukturelle utfordringene vi har i samhandlingen mellom kommunalt og statlig barnevern, og se på hvordan vi får best mulig ressursutnyttelse, hvordan vi unngår dobbeltarbeid, og hvordan vi får til en mest mulig enhetlig måte å møte ungene på. Så jeg har ved flere anledninger, også i innlegget mitt i debatten i dag, sagt at mange av disse utfordringene er utfordringer jeg også ser, det er problemstillinger jeg også ser, men jeg synes det er forhastet i dag å konkludere med hva som bør være den framtidige organiseringen. Vi kommer til å få et godt grunnlag for en sånn debatt når evalueringen foreligger neste år.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

og når han leser svarbrevet fra statsråden der han sier at det kan være første steg i en langsiktig og helhetlig opptrappingsplan for barnevernet. Jeg synes også det er grunn til å minne forsamlingen om at det tross alt har vært tatt ganske store grep innen barnevernet de siste årene. Det har vært gjennomført reformer, det er bevilget penger, lovverket er skjerpet, bl.a. plikten til dokumentasjon og det å evaluere hvordan man følger opp barna, og plikten til å gi tilbakemelding til dem som melder bekymring til barnevernet. Problemet er at til tross for stadige regelendringer, strukturendringer og bevilgninger, skjer dette, og det vil sannsynligvis fortsette å skje. Til tross for en fantastisk innsats fra dem som jobber i barnevernet, må de også se at de ikke klarer å hjelpe alle barn som de så gjerne hadde ønsket å hjelpe. Det handler om systemsvikt også fra andre etater, noe som jeg pekte på i mitt forrige innlegg. Vi må også huske at en del av økningen i henvendelser til barnevernet faktisk handler om en større tillit til barnevernet. Det er positivt. Derfor er en stadig økning i henvendelser sånn sett ikke bare et problem. Men det blir problematisk hvis vi ser at ressursmangelen, koblet med det økte antallet henvendelser, fører til at terskelen for å gripe inn overfor barn blir høyere. Da har vi et alvorlig problem. Komiteen har også gjennom høring at barnevernet får oppgaver som andre etater strengt tatt har ansvaret for. Derfor mener jeg at det er feil å vedta et slikt forslag som vi har foran oss i dag, nettopp fordi det tar høyde for en kommunestruktur med en portefølje som er totalt annerledes enn hvordan virkelighetsbildet er i dag. Derfor mener jeg og flertallet at vi trenger en helhetlig og grundig evaluering, og at vi i den prosessen, når Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en egen sak etter etter evalueringen, har muligheten til å snu alle steiner for å sørge for at vi får et barnevern som fungerer til beste for våre barn. Det må vi alle sammen være enige om. Det er

I løpet av hele forrige stortingsperiode var barnevernet en gjenganger i denne sal. Under vekslende statsråder hadde vi den ene debatten etter den andre – jeg får nesten si den ene verre enn den andre – med utgangspunkt i faktiske eksempler på hvordan barnevernet har fungert. Jeg synes det er meget gledelig at statsråden i alle fall har kommet til den erkjennelse at her er det nødvendig å gjøre noe. Det er nemlig noe nytt med denne statsråden. Det har vært noen statsråder før vi kom dit. Jeg gleder meg til å få den evalueringen som er bebudet. Jeg håper at det ikke vil gå lang tid fra man har en evaluering til vi faktisk får en reell debatt og forslag til løsninger, for dette er til de grader på overtid. Jeg synes nok at når Regjeringen har syslet med dette i snart fem år, er det på tide med en litt annen, skal vi si, fantasi når det gjelder å høste erfaringer. I den grad jeg synes Regjeringen fortjener kritikk, er det rett og i tilknytning til f.eks. å iverksette noen piloter på dette området. Noen kommuner har helt for egen maskin satt i gang interkommunalt samarbeid mellom de små kommunene, og har sånn sett forsøkt å nærme seg det som har vært den viktigste og sentrale problemstillingen for en kommunal løsning.

barnevern. Jeg kan jo håpe at noen vil bla i papirene, for jeg kan ikke redegjøre for det her nå. Men blar en i papirene, vil en f.eks. finne tanker om en felles Internett-portal for barnevernet som kunne gjøre tilbudene mer tilgjengelige, se på balansepunktet mellom fosterhjemsplasseringer og institusjon og kanskje også se på de private ressursene som er på dette området,

av dyktige fagfolk over hele landet. La meg også si at jeg har respekt for at regjeringspartiene ønsker en løsning der man vil kjøre sin egen evalueringsprosess, man vil bruke lenger tid osv. og avvente den. Det jeg ikke klarer å slå meg like mye til ro med, er at man skal avvente en sånn lang evalueringsprosess og så komme tilbake til Stortinget etter noen år, uten at vi vet noe om i hvilken retning man tenker seg – hvilke mål, hvilke ambisjoner man har for denne sektoren. Statsråden viser i sin svarreplikk til meg til at regjeringspartiene styrer gjennom sine budsjetter og ikke gjennom Dokument 8-forslag fra opposisjonen. Jeg synes det var en ganske spesiell uttalelse. Jeg går ut fra at han ikke mente det sånn, men han var svært nær ved å fraskrive regjeringspartiene ansvaret for sin egen stemmegivning i denne salen. Det er det grunn til å stille spørsmål om, spesielt når han i tillegg benevner det forslaget som omtales, som et godt forslag. Når man i tillegg Når man i tillegg sier at man styrer gjennom de årlige budsjettene, hva betyr det? Det er faktisk statsrådens og Regjeringens eget valg at man ønsker å styre barnevernssektoren fra budsjett til budsjett, for man har lagt inn midler til noen nye stillinger i det kommunale barnevernet for inneværende år. Men hva skjer neste år? Det er det ingen som vet – ikke engang statsråden – før budsjettkonferansen til Regjeringen er over. Faktum er at på andre områder har Regjeringen lagt fram stortingsmeldinger og planer, og vi har vedtatt felles plandokumenter her i salen – det gjelder omsorg, det gjelder psykisk helse, det gjelder barnehagesektoren og full barnehagedekning. Regjeringen har lagt fram planene sine for flere år framover: Her er vi i dag. Dit skal vi, og det skal vi følge opp i budsjettene framover. Under sitt foredrag nylig til fylkesmannsmøtet 23. februar sa statsråden ifølge departementets nettsider: «Men vi må være ærlige på at utfordringene er store, og at det er behov for et løft ikke minst innenfor det kommunale barnevernet, i tillegg til at det trengs en forbedring av samarbeidet mellom ulike aktører innenfor barnevern.» Jeg holder fast på min påstand. Statsråden har snakket og snakket. Vi har lyttet og lyttet. Og jeg vet ikke hva statsråden vil med barnevernet, hva slags ambisjoner, mål og tidsfrister han har satt seg for å løse de meget alvorlige utfordringene som regjeringspartiene selv har påpekt her i dag.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

Sametingets årsmelding for 2008 gjør rede for arbeidet i Sametinget, de oppgavene Sametinget skal forvalte, og økonomiske og administrative utfordringer. Meldingen tar for seg en lang rekke områder som Sametinget arbeider med, alt fra arbeid med diskriminering og likestilling, samisk samarbeid på tvers av landegrensene, regionalpolitiske spørsmål, areal- og miljøpolitiske spørsmål, via kultur, kulturminnevern og språk, til barnehager, skoler og sikring av tradisjonell kunnskap. er ikke mulig innenfor rammene av dette innlegget å komme inn på alt som berører de samiske samfunn. Jeg må trekke fram noe, og det er ikke slik at det som ikke blir nevnt her, ikke anses som viktig. Komiteens flertall har merket seg – og gir gjennom en merknad uttrykk for – behovet for en avklaring av hvilke budsjettprosedyrer som skal Jeg har forståelse for at Sametinget, i likhet med kommunene, har behov for en viss forutsigbarhet i budsjettrammene fra år til år. Det samme gjelder behovet for å få avklart rammene for neste års virksomhet så tidlig at det er mulig å gjøre en forsvarlig budsjettering for neste år. Disse behovene er det mulig å ha forståelse for, uavhengig av Sametingets formelle stilling. Det har vært en arbeidsgruppe i sving som har sett på ulike modeller som kan anvendes, men det er ikke oppnådd enighet mellom Sametinget og Regjeringen i konsultasjonene om spørsmålet. Forhåpentligvis vil en avklaring av budsjettprosedyrer komme snarlig, og det er flertallets håp at dette ivaretar behovene for større forutsigbarhet og noe tidligere avklaringer for Sametingets budsjettarbeid. Kunnskap om det samiske samfunnet, og særlig kunnskap om spesielle samiske forhold, er et viktig beslutningsgrunnlag for oss som politikere. Det er derfor viktig at arbeidet med samisk statistikk videreføres. Jeg er tilfreds med at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil bidra til å sikre en videre finansiering av dette arbeidet. Flertallet i komiteen har også merket seg at Sametingets langsiktige mål er at utarbeidelse av samisk relatert statistikk blir en fast og etablert virksomhet. Forslaget til ny minerallov vakte stor debatt både i Finnmark og i samiske miljøer. Det ga seg også uttrykk i krevende konsultasjoner mellom Regjeringen og Sametingets plenum endte også opp med ikke å kunne gi sin støtte til lovforslaget. Jeg er derfor veldig tilfreds med at Sametingsrådet i sin tiltredelseserklæring klart gir uttrykk for at de vil forholde seg til den vedtatte loven. At det uttrykkes så eksplisitt og klart, er et ansvarlig bidrag til å dempe motsetningene mellom ulike interessenter i forbindelse med innføringen av Når det er sagt, er det likevel grunn til å respektere Sametingets betraktninger om behovet for langsiktige lokale ringvirkninger og medvirkning som sikrer ivaretakelse av samiske interesser. Flertallet i komiteen har da også gitt uttrykk for at dette vil være viktige forutsetninger i forbindelse med mineralvirksomhet. Til slutt vil jeg nevne betydningen av at Regjeringens handlingsplan for samiske språk blir fulgt opp. Planen ble lagt fram i mai 2009 og har en virketid på fem år. Språket er en av faktorene – om ikke den aller viktigste – som sikrer en kultur. De samiske språkene, særlig lule- og sørsamisk, er truet, i den forstand at de snakkes bare av et hundretall personer. De tiltakene som er beskrevet i handlingsplanen, må følges opp, og vil bli fulgt nøye også fra min side. Med dette har jeg på vegne av flertallet i komiteen gleden av å anbefale

som i all hovedsak handler om nedleggelse av Sametinget. Det er altså slik at mange samer har stemt på Fremskrittspartiet, fordi man ønsker å nedlegge Sametinget. Det synes jeg er interessant å merke seg, og det synes jeg denne salen bør tenke litt over. Det er noen veldig gode grunner til det. I Stortingets omgang med samepolitikken har man gjort en del dramatiske feilgrep opp gjennom historien. Et stikkord er prinsippløshet. Man har altså klart å konstruere et system hvor mennesker har ulike rettigheter i et samfunn, basert på etnisitet. Stortinget har altså konstruert et DNA-demokrati i Finnmark, og for så vidt også i hele landet, men det er særlig i Finnmark at dette er av stor betydning. Det er noe jeg mener er – og Fremskrittspartiet oppfatter som – totalt uforenelig med prinsippene i et liberalt demokrati. Likevel har Stortinget stått for en politikk hvor man skiller folk etter blodbakgrunn. Et annet stikkord i den politikken som føres, er historieløshet. Som nordlending – jeg har familie langt tilbake i tiden i Nord-Norge – klarer jeg ikke å se det kunstige skillet som man snakker om fra en del representanter i denne salen, om to folk, og at dette er klare etniske grupper. For det første, så er det vel faktisk tre grupper som har lang

etniske skillelinjer i Nord-Norge. Derfor blir hele den politikken som har vært ført fra denne salen, fra Stortinget, komplett meningsløs. Men det er kanskje noen grunner til at det har blitt slik; kanskje er det ting tilbake i historien, Alta-kampen og alt dette. Det handler kanskje litt om avstand. Jeg konstaterer at det er en avstand på over 2 000 km fra Stortinget til Karasjok. Det er kanskje det vi ser et utslag av på dette området. Komiteen var nylig på reise i Finnmark, og i indre Finnmark, og fikk se nærmere på særlig samepolitikken. En av de tingene som jeg tror mange ble overrasket over, var de konfliktene som nå er til stede i Finnmark. For meg, og for Fremskrittspartiet, er ikke dette noe nytt. Det er noe som har skjedd på grunn av at man har skapt en politikk – med alle gode intensjoner – men man har skapt en politikk hvor man skiller mellom folk som bor i Nord-Norge, etter konstruerte etniske skillelinjer. Av og til er det lov å tenke seg om og konstatere at

forhåpentligvis, er den siste perioden vi behandler en årsmelding fra Sametinget, rett og slett fordi vi legger det ned. Nå er

fem måneder etter den perioden vi nå behandler. Nok om det, man trenger ikke å være så formell når man skal behandle en årsmelding, og jeg skjønte på Per-Willy Amundsen at han la opp til den store samepolitiske debatten, der historieskrivingen fra Fremskrittspartiet nå skulle få gjenklang i Stortinget. Jeg tror jeg skal skuffe Per-Willy Amundsen med å si at Fremskrittspartiet står ganske isolert i sitt syn på det samiske folk,

Jeg merket meg også da vi var i Sametinget, at de representantene som var der fra Fremskrittspartiet, syntes de hadde blitt tatt imot på en utmerket måte og hadde glidd inn i fellesskapet – og det virker jo positivt. Sametinget har sikkert ikke så store problemer med at Stortinget behandler årsmeldingen så lenge etter at den ble aktuell, men det er litt lite tilfredsstillende. Sametinget og Regjeringen har i sine konsultasjoner ikke klart å oppnå enighet om nye budsjettprosedyrer. Dette var saksordføreren inne på, og Høyre støtter at dette må komme på plass og at begge parter nå må bestrebe seg på å finne en god løsning på dette. Også når det gjelder ny minerallov, er det uenighet. Dette var jo også et viktig tema da finnmarksloven ble behandlet, uten at det der heller ble gjort Det er viktig nå at man finner løsninger som kan realisere de mange spennende og verdiskapende prosjekter i Finnmark og andre deler av landet og i områder der det er behov for mer verdiskapende virksomhet, samtidig som man ivaretar samiske interesser, reindrift og annen utmarksnæring på en Sametinget har, som vi hørte da vi var der oppe, stort fokus på samiske språk. Særlig lulesamisk og sørsamisk er sårbare språk, og det foregår nå et betydelig arbeid for å styrke disse. Her er det viktig at Regjeringens handlingsplan fra mai 2009 følges opp, samtidig som det legges opp til desentraliserte og fleksible språkopplæringsopplegg. Selv har jeg besøkt Brekken skole i Røros kommune som har undervisning i sørsamisk. Jeg ble imponert over den entusiasme og kreativitet som brukes for å drive språkundervisning både på stedet og interaktivt gjennom fjernundervisning. Dette er sårbare miljø som det er viktig å gi gode arbeidsvilkår. Vi hadde også gleden av å besøke Samisk høgskole, som nå har fått nye, flotte lokaler i Kautokeino. Høyre tror det er viktig at høgskolen nå får anledning til å utvikle seg som en selvstendig institusjon som har Sameland som arbeids- og opptaksområde, der en legger vekt på det nordiske samarbeidet, og at Regjeringen i større grad søker å få også Finland og Sverige – og kanskje Russland – med på å finansiere Samisk høgskole, slik at vi kan få en samisk høgskole, som høgskole, som allerede i dag har studenter fra de nordiske nabolandene, men som i større grad også kunne bli en samisk høgskole for hele Nordkalotten. Det tror jeg er viktig. Det hadde vært spennende å høre om statsråden har noen tanker om hvordan Samisk høgskole skal utvikle seg videre. Det har jo vært signaler, bl.a. fra Helga Pedersen, om at de bør slå seg sammen med Høgskolen i Finnmark, noe som Høyre vil sterkt advare mot. Sametinget har avholdt valg og konstituert seg, nye partier har kommet inn, og mange nye unge representanter setter nå sitt preg på det viktige arbeidet Sametinget gjør. Men dette får vi komme tilbake til, forhåpentligvis om mindre enn et år, når vi diskuterer årsmeldingen for 2009. Jeg vil begynne med å si at jeg er

Det tror jeg vi skal jobbe for å få til. Etter å ha vært borte fra det samepolitiske området i forrige stortingsperiode, synes jeg det er veldig kjekt å være tilbake og se hvordan en del av de sakene som ble drøftet veldig sterkt i perioden 2001–2005, nå i mye større grad er kommet på plass. Det har skjedd veldig mye på det samepolitiske området i løpet av de siste årene. En av de løpet av de siste årene. En av de sakene var Finnmarkseiendommen, en annen var Samisk høgskole, som er et praktbygg der det ligger og skuer utover hele Kautokeino og fungerer som en samlingsplass og et kraftsenter, ikke bare for den nordsamiske delen, men også for hele Nordkalotten. Det den nordsamiske delen, men også for hele Nordkalotten. Det var veldig spennende å se hvordan dette har utviklet seg i løpet av de årene. Noe annet som jeg ønsker å gripe fatt i, er nettopp det som flere andre har vært inne på, nemlig stillingen til lulesamisk og sørsamisk. Da vi var på besøk i Finnmark, var vi på et Jeg ble overrasket, må jeg innrømme, over hvor dårlig det sto til for det lulesamiske og det sørsamiske språket. Det var en vekker for meg. Jeg stusset også på én ting, og det var at når man gjennomfører debatter i Sametinget, gjennomføres det ikke tolking stusset også på én ting, og det var at når man gjennomfører debatter i Sametinget, gjennomføres det ikke tolking til lulesamisk og sørsamisk. Det er noe som jeg synes det hadde vært fornuftig om Regjeringen gikk i dialog med Sametinget om, at Sametinget tok en diskusjon rundt akkurat det. For det er helt klart at skal man få en utvikling der man styrker lulesamisk og sørsamisk, må det også være mulig å tale de språkene i det samiske parlamentet. Sett fra min side ville det i hvert fall helt klart være en fordel. En annen ting som det er veldig lett å merke seg når man reiser i Finnmark, er at det her er mange konflikter. Det har vi vært klar over. Det er ikke riktig, som Per-Willy Amundsen sier, at dette er noe som vi ikke er klar over. Dette leser vi om. Det er veldig lett å merke seg at her går det mye konflikter.

reindrift. Bakgrunnen for det er: Når man ser at så mange konflikter er knyttet opp til det, mens det er noe som det samiske parlamentet ikke tar opp og diskuterer i sin fulle bredde, er det underlig at det ikke blir en sentral sak også i Sametinget. Hvordan dette skal gjøres, mener jeg at det er helt naturlig at Sametinget selv bestemmer. Men den diskusjonen det fornuftig å ta. Det er også veldig spennende hvis Finnmarkseiendommen i større grad kan utvikle seg med tanke på å bidra til næringsutviklingen i hele Finnmark. Det tror vi vil være positivt for Finnmarks befolkning, både for dem som er samiske og for dem som ikke er samiske. Når det gjelder samisk høyere utdanning, har Regjeringen nå en gjennomgang av dette, for å se på hvordan man kan styrke den samiske utdanningen. Det er naturlig å komme tilbake til alle de spørsmålene som er knyttet opp til Samisk høgskole, i etterkant av at den utredningen er gjennomført. Den utredningen ser også Samisk høgskole veldig positivt på og ønsker å delta aktivt i den prosessen. Jeg tror det er helt nødvendig for å sørge for å styrke det samiske som et kraftsenter. Når det gjelder historieskrivingen, er det én ting som er viktig å si. er viktig å si. Hvis det er noen som er historieløse i sin omtale av samepolitikken, er det jo Fremskrittspartiet. I Per-Willy Amundsens innlegg nevnes det ingenting om fornorskningspolitikken. Det nevnes ingenting om hvordan det samiske språket har vært fullstendig overkjørt gjennom det forrige århundret, det nevnes ingenting om at språk faktisk er veldig viktig. Både med tanke på identitet og som kulturbærer er det ekstremt viktig å sørge for å styrke språket. Det er ikke mulig å se forskjell på mennesker i Finnmark, om faktisk er veldig viktig. Både med tanke på identitet og som kulturbærer er det ekstremt viktig å sørge for å styrke språket. Det er ikke mulig å se forskjell på mennesker i Finnmark, om de har samisk blod eller ikke, men det er fullt mulig å høre forskjell på samisk og norsk når det tales. Det regner vi med at også Fremskrittspartiets

Som representant for Sør-Trøndelag kjenner jeg best til den sørsamiske befolkningens utfordringer. De er bl.a. knyttet til språkopplæring og læremiddelproblematikk. Sørsamene er en minoritet i minoriteten. De er bosatt veldig spredt – ofte noen få i hver kommune – med den følge at mange skoler har veldig få elever, kanskje bare én eller to med den følge at mange skoler har veldig få elever, kanskje bare én eller to som skal ha opplæring i sørsamisk. Det sier seg selv at ressursbehovet pr. elev da blir veldig stort. Mye av den sørsamiske språkopplæringen og revitaliseringen av språket foregår ut fra idealisme og som rent dugnadsarbeid. Jeg er opptatt av at Sametinget tar hensyn til dette, og av at de legger til rette og sørsamisk også skal få sin språkrevitalisering. Her mener jeg Sametinget må gå foran med et godt eksempel, og gjennom egne prioriteringer vise at de tar bevaring og utvikling av sørsamisk og lulesamisk på alvor. Som det har vært sagt før her i dag, mangler Sametinget pr. i dag tolking på disse språkene – selv der. Heller ikke i Sametinget kan sørsamene snakke sitt eget språk.

Det haster både for samene og for andre at vi får endringer i dette. De varslede endringene i rovdyrpolitikken i Regjeringens plattform, Soria Moria II, må vises i praktisk politikk. Det er en reell fare for at reindriftsnæringen i mange områder utraderes hvis ikke Samene har sitt virke til dels på tvers av landegrensene, og det skjer mye internasjonalt i forhold til urbefolkningens rettigheter. Forhandlinger om en felles nordisk samekonvensjon står bl.a. på trappene. Den skal samordne samenes rettigheter og lette samhandlingen mellom samer fra forskjellige land, på tvers av landegrensene. Jeg håper Stortinget, i likhet med vil bli holdt løpende orientert, slik at vi blir i stand til å vurdere de endringer i norsk rettstilstand som dette eventuelt vil medføre. Avslutningsvis vil jeg også påpeke at vi faktisk behandler årsmeldingen om Sametingets virksomhet for 2008, og det etter at Sametinget selv har vedtatt årsmeldingen for 2009. Jeg håper vi kan få behandlingstiden for slike meldinger ned,

altså årsmeldingen for Sametingets virksomhet for 2008. Jeg er enig med dem som har sagt at vi må prøve å få det til slik at vi er noe mer oppdatert. Det er jo årsmeldingen for 2009 det ville vært interessant for Stortinget å diskutere nå i 2010. Det må det kunne gå an å få gjort noe med. Vi har i Norge ett urfolk, og det er samene. Samene kommer som kjent fra det som i dag er fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland. Norge er det landet som har ratifisert ILO-konvensjon nr. 169, som stadfester urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. arbeidet. Kristelig Folkeparti vil være med på å sikre samenes rett til eget språk, kultur og samfunnsliv, slik det er forankret i internasjonale konvensjoner. Det må bygges opp under mangfoldet i det samiske samfunnet. Samepolitikken krever oppfølging på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. Sametinget er for den samiske befolkningen og må derfor være Regjeringens fremste premissleverandør i samiske spørsmål. Samenes egenart må sikres ved at deres levemåte, kultur og verdier blir ført videre til nye generasjoner. Mange utfordringer ligger i skjæringspunktet mellom samiske bruk av naturressurser og arealforvaltning i områder med samisk bosetting. Sentrale myndigheter har et selvstendig ansvar for å bevare og videreutvikle samisk kultur. Assimileringspolitikken som ble ført fra 1800-tallet og langt fram i tid, var til stor skade for det samiske språket og dets anseelse. Manglende kunnskap om samiske forhold er med på å skape fordommer. Mange samer er blitt møtt med skjellsord og mobbing fordi de er samer eller har samisk bakgrunn. Dette er en skamplett i vår felles historie. Språket er en svært viktig del av kulturen. Det er derfor viktig at det samiske språket blir bevart og videreført. Samisk er heller ikke bare samisk. Det finnes hele ti hoveddialekter eller språk i denne gruppen, og en rekke underdialekter. rekke underdialekter. Barneombud Reidar Hjermann skrev i en kronikk i Nordlys 6. februar 2009 at en av de største utfordringene for samiske barn i dag finnes i skolen. Han sa bl.a. at deres opplæringssituasjon mildt sagt er bekymringsfull, med både mangel på læremidler på eget språk, manglende lærere til å lære bort, og rektorer som ikke gir rom for Barneombudet mener samiske barn ikke får det de har rett til, nemlig en god samisk språkopplæring. Dette inntrykket bekreftes også bl.a. i Elin Anita Sivertsens svært interessante masteroppgave om unge samers identitet. Hun skriver at for enkelte har det å få anledning til å lære samisk vært en kamp, der den unge selv, eller familien, har måttet undersøke og kreve retten til å lære seg samisk. Undersøkelser om samisk språk foretatt i Sametinget i 2000, i 2004 og i 2008 samt evalueringen av samelovens språkregler av 2007 har avdekket at de fleste offentlige organer som omfattes av samelovens språkregler, ikke oppfyller lovens krav fullt ut i forhold til retten til bruk av samisk i kontakt med offentlige organer i forvaltningsområdet for samisk språk. Vi har med andre ord en jobb å gjøre her. Regjeringen la fram handlingsplan for samisk språk i mai 2009. Den er utarbeidet i dialog med Sametinget og skal ha en virkningstid på fem år. Jeg forventer at Regjeringen nøye følger opp planen, slik at dette virkelig legger grunnlaget for en sterkere innsats for de samiske språkene på ulike samfunnsområder, særlig innenfor opplæring, utdanning, offentlige sammenhenger. Helt til slutt vil jeg bare si at jeg håper jo at Fremskrittspartiets tre innvalgte representanter i Sametinget finner de oppgaver som Sametinget skal ta tak i, så interessante at de ikke har én eneste agenda, nemlig det å legge

Jeg har merket meg at flere representanter har påpekt at det er lenge siden 2008. Jeg bare minner om at meldingen ble lagt fram fra Regjeringen den 12. juni 2009. Jeg skal selvsagt ta med meg at vi i større grad skal bidra til å få framdrift i saken, men det er også viktig for oss å involvere departementene i oppfølgingen av Det er, som flere har sagt her, viktig å huske på at samene er et anerkjent urfolk i Norge, og det er utviklet spesielle rettsstandarder internasjonalt for å sikre at urfolks levesett og kultur opprettholdes og utvikles. Jeg er glad for at Norge står bak de folkerettslige forpliktelsene, og det er en sentral del av Regjeringens samepolitikk. Behandlingen av denne årsmeldingen her i dag viser at det er

og at Sametinget overfor departementet har signalisert behov for mer tid til å vurdere foreliggende skisse og eventuelt foreslå alternative budsjettmodeller. Flertallet peker på at det er behov for en avklaring av budsjettprosedyrene mellom Regjeringen og Til dette vil jeg orientere om at departementet er i jevnlig dialog med Sametinget om saken og avventer nå en tilbakemelding om skissen til nye budsjettrutiner mellom Regjeringen og Sametinget som ble forelagt Sametinget høsten 2008. Saken ble sist tatt opp av Sametinget på det halvårlige konsultasjonsmøtet rett før nyttår. Sametinget ønsker at arbeidet med budsjettprosedyrer vil komme tilbake med et forslag til konsultasjonsprosedyrer. Saken ble også drøftet med Finansdepartementet i de årlige møtene som Sametinget, Finansdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet avviklet i februar. Så er jeg enig i at et levende samisk språk er sentralt for opprettholdelsen av den samiske kulturen. Mister vi de samiske språkene, mister vi en viktig del av vår kulturarv. De samiske språkene er i dag i en utsatt stilling. Spesielt gjelder dette i områdene utenfor forvaltningsområdet for samiske språk og i de sørsamiske og lulesamiske områdene. For Regjeringen er det derfor viktig å legge til rette for at de samiske språkene skal være levende bruks- og samhandlingsspråk også i framtiden. På denne bakgrunn fremmet Regjeringen i 2009 en handlingsplan for samiske språk. Handlingsplanen er utarbeidet i dialog med Sametinget.

Handlingsplanen har en virketid på fem år. Det vil bli foretatt årlige rapporteringer på gjennomføringen av mål og tiltak i handlingsplanen. Den første rapporten kommer i 2010. På grunnlag av de problemstillingene som kommer fram i evalueringen av samelovens språkregler fra 2007 og på bakgrunn av at forvaltningsområdet for samelovens språkregler er utvidet til å omfatte både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk språk, har departementet, i samarbeid med aktuelle departementer og Sametinget, satt i gang et arbeid med gjennomgang av samelovens språkregler. Jeg vil i den forbindelse også ta med meg det Trond Helleland sa om behovet for å samordne nordisk innsats på høyskolenivå. Jeg tror det er en god idé, og jeg vil ta med meg det. Så er det også viktig at vi har god kunnskap når vi skal utvikle politikkområdet. Derfor er det viktig å fokusere på at vi skal ha gode data om utviklingen når det gjelder folketall. Det har vært en stor nedgang i folketallet i de samiske områdene, og det må vi ta på alvor. Jeg tror det er viktig å være klar over at de store utfordringene krever at vi legger til rette for videre fornyelse av det norske samfunnet. Det gjelder også de samiske områdene. Så vitner den debatten jeg møter i de samiske områdene – og delvis også debatten i denne salen – om at det er behov for mer informasjon om samiske spørsmål, og det er noe jeg vil ta initiativ til å følge opp videre. Det åpnes da opp for replikkordskifte.

Så vil statsråden i samråd med Sametinget se på om det går an å få til det ganske raskt?
si at på samme måte som komiteen har jeg også vært i Sametinget og besøkt de samiske områdene ganske nylig, og jeg ble også overrasket over at man kun hadde tolking på nordsamisk i Sametinget, og jeg hadde en dialog med sametingspresidenten om det. Det er Sametinget som har ansvaret for å organisere Sametingets virksomhet, og jeg vil mene at det er mulig, innenfor de rammer som Sametinget har til rådighet, å sametingspresidenten om det. Det er Sametinget som har ansvaret for å organisere Sametingets virksomhet, og jeg vil mene at det er mulig, innenfor de rammer som Sametinget har til rådighet, å ha tolking på andre samiske språk enn nordsamisk. Men det som jeg oppfatter er en stor utfordring i de samiske områdene, er tilgang på tolker. Derfor har jeg også, i møte med fokusert på behovet for å få flere og bedre tolker sånn at vi har nok tolker til å tolke i Sametinget og til å dekke det behovet som er for tolker utover Sametingets virksomhet. Vi kan følge opp det i forhold til den dialogen vi har med Sametinget, og se hvilke muligheter Sametinget ser innenfor sine rammer. Replikkordskiftet er omme.

Etter min oppfatning forsøker representanten Amundsen gjennom bruk av retoriske virkemidler å tegne det bildet at samer i Norge får en særdeles positiv forskjellsbehandling i forhold til andre nordmenn. Det er greit at Fremskrittspartiet har det standpunktet at de ikke anerkjenner begrunnelsen for Grunnloven § 110a om at staten Norge er etablert på territoriet til to folk, og at staten dermed har et ansvar for å bevare og respektere kulturen til to folk. Det jeg ikke synes er så greit, er forsøket på å framstille det som om samers rettigheter ensidig går på bekostning av nordmenns rettigheter. Jeg vil utfordre Fremskrittspartiet til å angi konkret hvilke rettigheter de egentlig snakker om. For meg handler dette først og fremst om å ta vare på det kulturelle, språklige og andre særskilte forhold ved det samiske. Faktum er, som flere av debattantene har vært inne på, at disse forholdene gjennom mange år systematisk har blitt undertrykt – også villet undertrykt – av norske myndigheter, og derigjennom har det oppstått et behov for å forsøke å gjenreise språket, kulturen og andre forhold. For Fremskrittspartiet er det et argument at samer ikke er den største minoriteten i Norge. For meg viser det at partiet har gått glipp av en helt sentral premiss i demokratisk tenkning – at det ikke er størrelsen på minoriteten som er viktig, men at alle har krav på respekt for hvem de er. Det følger videre av dette at det påhviler majoriteten – altså oss – et særskilt ansvar i forhold til alle minoriteter, uavhengig av hvor mange de er. Det er Fremskrittspartiet forsøker å framstille det som om den demokratiske ordningen vi har med et sameting, i framtiden også vil være et grunnlag for at andre grupper, særlig i Oslo-området, som det heter i merknaden deres, skal gjøre krav på tilsvarende rettigheter. Det er en påstand som faller på sin egen urimelighet, all den tid begrunnelsen for Sametinget og § 110a er en erkjennelse av at staten Norge er etablert på territoriet til to folk. Det er vel avklart at staten Norge ble etablert før 1970-årene, da innvandringen av de gruppene jeg antar Fremskrittspartiet viser til, startet. I så måte mener jeg det er liten sjanse for at de skal kunne gjøre krav på sitt eget «sameting». Som finnmarking er

besøket der. Så er det litt av debatten som jeg synes er interessant. Veldig ofte blander vi ting når vi debatterer samiske spørsmål. Vær klar over at samiske spørsmål handler om samisk kultur, historie og språk, mens reindriften har bedt om å få lov til å bli behandlet som en næring, og har derfor selv bedt om ikke å komme inn under og bli forvaltet av Sametinget. De vil gjerne bli behandlet som en næring på lik linje med andre næringer der oppe. Så vi skal ta oss i akt for å legge for stor kulturbelastning på reindriften, for det er ikke sikkert at reindriften som Så til Holmås og diskusjonen rundt FeFo. Der må jeg også be Stortinget om å fare med nennsom hånd. La finnmarkingene prøve seg med å forvalte de verdiene som kommer ut av Finnmarkseiendommen. Der har vi muligheten til å få en god dialog mellom Sametinget og fylkestinget. Kanskje fikser vi den oppgaven selv? Hvilken sterk rygg ville Finnmark fylke kunne stå med etterpå, hvis finnmarkingene selv hadde fått samlet seg og blitt enige om hvordan man skulle forvalte verdiene – skapt gode ting ut av det! Jeg kan dessverre ikke unngå å kommentere Fremskrittspartiet og retorikken deres. Her

Det er ute av diskusjonen. Så må jeg få legge til at hvis det er sånn at Fremskrittspartiet er så alvorlig bekymret for de konfliktlinjene som er i Finnmark fylke, og for de konfliktene som raser der oppe, så er det fullt mulig for dem å helle olje på vannet. Det er jo sånn at disse diskusjonene kommer opp med jevne mellomrom – gjerne når det er valgår – og fremst i fakkeltoget så er det fullt mulig for dem å helle olje på vannet. Det er jo sånn at disse diskusjonene kommer opp med jevne mellomrom – gjerne når det er valgår – og fremst i fakkeltoget går Fremskrittspartiet. Hvis det er sånn at man er interessert i å gjøre noe med dette, er det Fremskrittspartiet som har det største handlingsrommet – enkelt og greit. Nå vil jeg gi Fremskrittspartiet litt av verktøyet de kan bruke i disse debattene for å dempe de konfliktene de er så bekymret for. Det første verktøyet heter respekt, og det er respekt for mangfold. Hvis dere legger det inn som en kjerneverdi, kommer dere straks mye, mye lenger når dere skal hjelpe debatten. Det er faktisk også sånn at man skal ha respekt for motdebattantene slik at man lar alle stemmene slippe til. Med respekt for alle hyggelig debatter jeg har hatt med Fremskrittspartiet – dere har et stykke å gå der. Nå er jeg veldig glad for at det ikke er representanten

med. Han snakket om hvor viktig det er å ivareta samisk språk og samisk kultur. Det er jeg helt enig med representanten Sivertsen i. Det er nettopp det som er grunnlaget for samepolitikken. Men vi trenger da vitterlig ikke noe sameting for å ivareta samisk språk og samisk kultur. Vi trenger da vitterlig ikke opprette noe så spesielt som Finnmarkseiendommen for å ivareta samisk språk og samisk kultur. Det er jo det som er det springende punktet. Man har altså konstruert noen såkalte demokratiske organ, som Sametinget, som er etnisk basert, etnisk sammensatt, og som gir klare særrettigheter til samene. Det er helt uomtvistelig. Det er altså blodet ditt som bestemmer din stemmerett. altså blodet ditt som bestemmer din stemmerett. Det er et DNA-demokrati. Det samme gjelder sammensetningen av Finnmarkseiendommen. Der er det også etnisk skjevt fordelt, som gjør at én gruppe i samfunnet får mer makt, og da får man selvfølgelig det på bekostning av andre grupper i samfunnet. Men dette handler altså ikke om språk og kultur; det handler om at Stortinget har trådt feil i sin samepolitikk. Så var det altså ikke altså ikke kun to grupper som bodde i Finnmark den dagen man trakk grensene – i 1751 var det vel? Det var faktisk tre grupper. Man skal ikke glemme at de som i enkelte sammenhenger omtales som kvener – andre kaller dem norsk-finske – også var til stede da de grensene ble trukket opp. Så jeg tror det er flere som bør forholde seg til historiebeskrivelsen på en litt mer korrekt måte. Så er det også slik, og det er mitt ankepunkt, at det er ingen som er stolt av fornorskningsprosessen som skjedde når det gjaldt samene. Men en ny urett kan heller ikke gjøre opp for en gammel urett. Flere har ikke bedt om ordet til sak

flere årsaker ønsket å selge sin eiendom til en som kunne tenke seg å bo og videreutvikle denne eiendommen. De ble enige om pris, overtakelsestidspunkt, hva som skulle være inkludert i handelen, eventuelt at selger skulle få bo der en stund, eller få andre rettigheter i en viss periode – dvs. at alt var ordnet mellom selger og kjøper. Ofte var papirene skrevet av f.eks. en advokat, slik at alt var ordnet og gjennomtenkt. Så kom saken til kommunen for politisk behandling med en tilrådning fra rådmannen og ofte med et avslag, eller et delvis avslag, fordi f.eks. prisen var for høy i forhold til gårdens avkastning eller at noe av eiendommen skulle selges som tilleggsjord til en eller flere naboer. Dette førte ofte til et politisk flertall for rådmannens innstilling, og det resulterte i at det ikke ble noen handel, fordi selger ikke ønsket å selge gården til en for lav sum. Tross alt var dette et livsverk som noen ganger flere generasjoner hadde bygd opp. Det kunne også være at handelen ikke ble noe av fordi kjøper ønsket å kjøpe hele gården og ikke bare en del av den, det kunne være for kort tid for kjøper til å flytte til eiendommen. Dermed endte det ofte med at selger, dvs. eier, beholdt gården, forpaktet bort jorden og hadde avvirkning i skogen når det var ønskelig. Men det som er ille, er at bygningsmassen, både bolighus og driftsbygninger, bare sporadisk ble brukt, og forfallet begynte. Det samme kan sies om kulturlandskapet både i og rundt tunet,

mens den på Jæren er 35 år. Dette sier noe om at skal man ha vekst, må et regel- og lovverk følge med i tiden. Skal man ha jobber ikke bare til noen få bønder, men også til elektrikere, snekkere, folk i butikker, helsepersonell, folk i velforening og idrettslag, må vi si ja, altså ha en ja-mentalitet, selv om noen av dem som overtar et gårdsbruk, ikke bor der hele tiden eller ikke bare driver med det gården har produsert i alle år. Mange leste sikkert i Bondebladet for en stund siden om han som fikk 3 000 kr i bot hver dag for at han drev med lafting inne på låven. Slik jeg forsto det, var dette en god nok levevei for ham, men myndighetene sa nei. Dessverre er ikke han den eneste som får nei, når man ønsker å utvide inntektene. Et annet eksempel er fra min kommune. En småbruker ønsket å legge ut en liten del av eiendommen til sju hyttetomter. Han hadde potensielle kjøpere, og han fikk lov av kommunen, men bare til fem tomter. Da ble det ikke noe av, for inntekten hans ved å selge disse tomtene lå i tomt nr. 6 og tomt nr. 7. De andre dekket utgiftene til opparbeidelse

Kanskje gjør man ikke like mye, men noe vil man gjøre. Dette ville igjen ha skapt en verdiøkning som både eier og hans etterkommere ville hatt nytte av, og ikke minst samfunnet generelt. Det ville også gjort mye for turistene, og det vi ønsker å vise dem. Ingen vil vel være stolt av å vise fram et område eller en bygd der mange av de 34 000 tomme gårdsbrukene står. står. I tillegg til de 34 000 tomme gårdsbrukene har vi en sørgelig utvikling når det gjelder antall gårdsbruk som blir drevet. I den siste fireårsperioden, mens Senterpartiet har hatt landbruks- og matministeren, og vi har hatt den samme regjering som nå, har det blitt 4 419 færre gårdsbruk. Jeg tror det har en klar sammenheng med de tomme gårdsbrukene. Når det ikke lønner seg å pusse opp bygninger og

det ville blitt lys i vinduene i deler av året, bygningene ville blitt tatt vare på, pusset opp og utvidet. Det ville skapt arbeid og positive ringvirkninger, og jorda ville blitt leid bort til naboen, slik at han hadde fått styrket sitt bruk – en vinn-vinn-situasjon for alle. Servicetilbudet i bygda ville ha blomstret, og det ville alle ha tjent på. Det er sagt av nåværende og tidligere regjeringer at landbruket skal være ryggraden i bosetningen ute i distriktene. Slik var det kanskje før, men den ryggraden er i dag svært skrøpelig og tåler lite. Jeg tror at det gryende bondeopprøret vi ser i dag, ikke bare er politisk bråk foran et jordbruksoppgjør, men noe mer alvorlig. For å redde distriktene og landbruket må man tenke nytt. Lover, regler, arealplaner, reguleringsplaner m.m. må forandres til dagens nivå, og ikke minst må man se framover. Dagens eier av en gård, uansett om det er et lite småbruk eller en storgård, må få råderetten tilbake. Disposisjonsretten må over til eier. Det er ingen som frivillig ønsker å gi fra seg gården for en latterlig liten sum, når den har en helt annen verdi. Da sitter eieren på den til det blir forandringer, og håper at det blir i hans tid. Optimismen i landbruket må tilbake. Antall dekar god matjord må styrkes, slik det ble i de to siste årene med borgerlig styre, før Stoltenberg-regjeringen overtok. De siste fire årene har vi mistet Den som ikke skjønner at noe må gjøres med dagens landbrukspolitikk, lover, regler og reguleringer på alle måter, vil, slik jeg oppfatter det, være med på å rasere distriktene i et raskt tempo. Nytenkning må til, slik at optimismen og livskvaliteten kommer tilbake. Det er viktigere med bolyst enn med den botvangen vi har i dag.

mens andre vil bruke den som hytte eller fritidsbolig. Mange ønsker noe mer eller noe annet enn det dagens marked jevnt over kan tilby. De vil ha det vi kan kalle en livsstilseiendom, som er mer enn en tomt, men mindre enn et gårdsbruk. De vil ha en blomstereng og en vedteig. Holdninger som dette bør vektlegges når politikken skal utformes, og det krever at den politiske

Slike eiendommer, som ofte har rett til offentlige overføringer, som er avhengig av drift, må forvaltes på en slik måte at det ytes noe tilbake til lokalsamfunnet i form av matproduksjon, næringsutvikling, kulturlandskap, bosetting og levende bygder. Jeg deler ikke representanten Bredvolds kullsviertro på at lovgivningen er årsaken til at gårdsbruk ikke blir bebodd. Jeg tror tvert om at dersom reguleringene skulle bli fjernet, legges det til rette for at mange flere gårdsbruk enn i dag vil bli tatt i bruk som fritidseiendom, og kun som fritidseiendom. Det kan etter min mening være mange årsaker til at eiendommer står tomme. Dels er det vanetenkning – eierne ser ikke mulighetene for salg, og potensielle kjøpere tror ikke det er mulig å få kjøpt. Dels er det familiære, slektskapsmessige, forhold, utsatt dels tror jeg det er manglende tilrettelegging og planlegging. Kommunene ser ikke og utvikler ikke det potensialet mange mindre eiendommer har i et livsstilsmarked. Jeg tror at mye kan gjøres med mer oppmerksomhet og informasjon om dette spørsmålet. Det politiske målet må være å legge til rette for at ressursene de tomme boligene representerer, blir utnyttet for å sikre bosetting i sårbare lokalsamfunn. Etter min mening handler dette om flere ting: Hvis eieren ikke selv bruker gården til bolig eller næring, bør vi stimulere til å få gården eller boligen på salg. I tillegg må de som ønsker å bo i huset, få reell mulighet til å kjøpe, de må ikke konkurrere på pris med eiere som vil bruke eiendommen til rene fritidsformål. Skal bosettingen sikres på sikt, må det dessuten finnes eller skapes arbeidsplasser for dem som skal bo i husene. I 2008 ble det omsatt ca. 2 300 eiendommer med mer enn 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar skog. Omtrent halvparten av disse eiendommene var under de någjeldende grensene for boplikt og priskontroll. Omsetningstallene viser at det innenfor gjeldende regelverk både er tilgang på livsstilseiendommer og på eiendommer for landbruksdrift. Det er en viktig oppgave å ta denne muligheten i bruk på en mer målrettet måte. Resultater kan bare oppnås ved felles innsats fra både lokalsamfunn og storsamfunn, og innsatsen må bygge på et mangfold av virkemidler. Virkningene av innsatsen må ses i et langsiktig perspektiv. Mange kommuner og fylker gjør i dag en solid innsats. Vi må være opptatt av praktiske løsninger som legger til rette for at arbeidet de gjør, kan lykkes. Flere regioner og kommuner har satt i gang et målrettet prosjektarbeid for at fraflyttede bruk får fast bosetting. Jeg har særlig merket meg at noen prosjekter har satset på det som kan kalles «bygdelivsmeglere» – personer og nettsteder som aktivt oppsøker passive eiere med ubebodde gårdsbruk, og som formidler kontakt med personer som ønsker å kjøpe gårder. I praksis har dette vist seg å være en fruktbar tilnærming. Landbruks- og matdepartementet har gitt støtte til flere slike Et eksempel er prosjektet «Lys i alle glas», som er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner i Buskerud. Prosjektet har en bred politisk forankring, bl.a. i fylkestinget. Målet for prosjektet var å få til bosetting på 100 flere bruk i løpet av fem år regnet fra 2007. Etter tre år, ved inngangen til 2010, var 40 bruk solgt og 19 utleid til bolig, og de hadde 150 interessenter som ønsket å overta. Dette viser at det nytter å gjøre en målrettet innsats. Som sagt, dette nytter fordi innsatsen er målrettet. Jeg mener det bør satses på denne typen tiltak i større omfang enn det som gjøres i dag. Sammen med målrettet bruk av dagens lovgivning kan dette føre til at de som ønsker det, kan skaffe seg en bolig å bo i uten å bli utkonkurrert av folk som ønsker å

mennesker som flytter fra et senter ut i distriktene. Det er ganske mange mennesker, og det er klart at dette vil skape livskvalitet, ikke bare for dem som flytter ut, men også for dem som allerede er der. Jeg kjenner til en del av disse tiltakene, og det er mange kommuner også, i hvert fall relativt mange, som prøver å få utenlandske innbyggere. Blant annet er det mange som reiser til Nederland, til messer der, og får nederlendere hit, og f.eks. i min hjemkommune har det vært positivt. Men det monner så så lite, og da må vi kanskje ha målrettede tiltak, som statsråden sier. Jeg har egentlig ikke sett så mye av de målrettede tiltakene. Så sa statsråden at en bør «stimulere» til salg. Når en statsråd fra Senterpartiet og en sosialistisk regjering sier at en bør stimulere til salg, skurrer det litt i hodet mitt: Hva betyr ordet «stimulere»? Er det med litt tvang, eller er det andre ting som skal til? Det håper jeg statsråden kommer tilbake til, hva statsråden og Regjeringen legger i ordet «stimulere». Ellers må det bli enklere, som jeg

Så jeg vil også gjerne høre litt mer – hvis statsråden vil si noe mer om det – om hvordan statsråden vil bidra til at det blir smidigere å drive med annet enn melkeproduksjon, kornproduksjon eller grasproduksjon, f.eks. lafting osv. Et annet eksempel kan jo være at man satser mer på gårdsturisme. Gårdsturisme er i skuddet, men da kan ikke bygdene vi viser fram, ha 34 000 gårdsbruk som står tomme. Jeg tror også det er viktig at vi

neste taler er statsråd

om at de vil erstatte fellesskapsløsninger med individets frihet til selv å bestemme – altså at en skal ta bort lover og regler, at en skal avregulere og «slippe bonden fri», som er et slagord som Fremskrittspartiet noen ganger bruker. Etter mitt syn er valgfrihet, for å bruke det begrepet, et verdifullt utgangspunkt. Men det er ikke nok. Samfunnshensyn er viktig når det skal tas stilling til hvordan eiendomsressursene i dette landet skal utnyttes. Dette er et hensyn som en ikke kan forvente at eierne tar selv. Eiendomslovgivningen, som ble nevnt i det første innlegget til representanten Bredvold, gjør det både eierens interesser og samfunnshensyn har en sentral plass. Og jeg mener det lovverket vi har i dag, ivaretar denne balansegangen på en god måte. Samtidig vil jeg understreke at det er en kontinuerlig prosess å sikre at lovverket er tilpasset vår tids utfordringer. Senest i fjor vedtok Stortinget omfattende endringer i lovgivningen – bl.a. slik at færre eiendommer ble omfattet av konsesjonsplikt, boplikt og odelsrett. Reglene om boplikt ble dessuten forenklet slik at de er blitt bedre redskap for kommunene i arbeidet for å sikre bosetting på gårdsbruk. Endringene ble vedtatt med støtte i et stort flertall i Stortinget. I tillegg til dette sendte jeg for ca. en måned siden ut et nytt rundskriv med endringer i priskontrollen etter konsesjonsloven. Jeg har besluttet at priskontroll skal unnlates dersom kjøpesummen for bebygd landbrukseiendom Den nedre grensen for når det skal gjennomføres priskontroll, er dermed økt til det dobbelte. Det innebærer at mindre eiendommer, hvor boligfunksjonen er mer framtredende enn næringsaspektet, kan bli prissatt nærmere markedsverdi. Dette legger til rette for at flere små eiendommer kan komme på salg. Det bygger altså videre på en tilbys i et større marked der også ønsket om en livsstilseiendom kan ivaretas – mens andre eiendommer med større ressursgrunnlag forbeholdes dem som vil ha yrket sitt – og aktiviteten – i landbruket. Endringene bygger ikke på lettvinte løsninger hvor hensynet til fellesskapet er fraværende. De kan imidlertid etter min mening, sammen med en bevisst bruk av reglene i kommunene og aktiv lokal bygdelivsmeglerinnsats, bidra til at Jeg har tillit til at kommunene er klar over dette, og at det må arbeides målrettet over tid for å oppnå slike resultater. Eg vil innleiingsvis gje ros for at det er

Framstegspartiet vil erstatta fellesskapets og storsamfunnets verdiar med individets rett til sjølv å bestemma ut frå kva som gir best gevinst for den enkelte. Representanten Bredvold og Framstegspartiet kjem etter mitt syn med feil medisin i nedleggings- og fråflyttingsdebatten. Eigedomslovgjevinga i landbruket gjer det mogleg å gjera avvegingar der både eigarane sine interesser

busetjing. Her representerer dei tomme bustadene ein uutnytta ressurs. Når eigaren sjølv ikkje brukar garden til næring og bustad, så er eg med på at vi bør stimulera til sal. Så vil eg gje representanten Bredvold rett i at det nok har vore retta for lite fokus nettopp mot dei små landbrukseigedommane. Er garden av ein viss storleik, kan vi ikkje setja oss i den situasjonen at garden går til fritidseigedom og vert lagd brakk, når nokon vil overta og driva han. Skal vi ha levande bygder, matproduksjon, aktive gardsbruk og kulturlandskapspleie, må vi ha dyr på beite. Berre slik kan vi òg i framtida ha opne landskap utan at det gror igjen med skog. Det er opne landskap med levande bygder turistane vil sjå og oppleva i Noreg. Eg greier ikkje dy meg for å dra fram eit anna aspekt som er avgjerande for å behalda bønder som vil driva gardsbruka også i framtida: Det er at bøndene må ha ei avkastning – ei inntekt – å leva av. I tillegg veit vi at jordas befolkning aukar i framtida, og då må det vera heilt feil medisin å føra ein politikk som gjer at matjord vert lagd brakk. Landbruksministeren tok opp livsstilseigedom som eit litt meir enn ei tomt, men mindre enn eit gardsbruk. Eg ser fram til den vidare diskusjonen om dette i landbruksmeldingane, for bygdene har mykje å tilby som appellerer til mange. Regjeringa har gjort endringar. Seinast i fjor gjorde vi lovendringar slik at færre eigedommar vert omfatta av konsesjonsplikt, buplikt og odelsrett. Landbruksministeren har foreslått at ein doblar den nedre grensa for når ein skal gjennomføra priskontroll. For mindre eigedommar der bustadfunksjonen betyr meir enn næringsaspektet, vil det For mindre eigedommar der bustadfunksjonen betyr meir enn næringsaspektet, vil det verta ei prisfastsetjing nærare marknadsverdien. Men eg meiner bestemt det er rett at vi framleis skal frita eigedommar med større ressursgrunnlag for marknadsprising, og gje dei som vil ha yrket sitt i landbruket, forrang til desse eigedommane. I motsetning til Framstegspartiet har eg tiltru til at lokalpolitikarane tek avgjersler som er til beste for bygda. Det finst titusenvis av eigedommar som ikkje er omfatta av lovverket i dag. Viss representanten Bredvold har rett i at fjerning av reguleringane er det som skal til, så ville desse småbruka ha gått unna som varmt kveitebrød. I mitt fylke er det mange generasjonsskifte i emning. Mange bruk treng òg store investeringar for å stetta nye krav til f.eks. lausdrift. Viss dei unge som skal overta, òg skal konkurrera på pris med eigarar som berre skal bruka eigedommen til fritidsformål, vert det ikkje mange att som har økonomiske musklar til å fortsetja med gardsdrift. Og kva med pressområda, der svært mange landbrukseigedommar vil ha ein alternativ verdi i marknaden langt utover det som faktisk er avkastinga på Vi må ha stabile og aktive næringsutøvarar i landbruket, og då må det vera inntektsmoglegheiter og sosiale forhold som gjer både heiltids- og deltidsstillingar i landbruket mogleg. Då er eg samd i at både buplikt og priskontroll er gode verkemiddel som vi må byggja vidare på. Til slutt vil eg seia: Eg har hatt ganske mange rådslag rundt omkring med bønder, både små og store bønder. Eg har ikkje høyrt eit rop frå næringa og bøndene

Norske bønder må få et enklere regelverk å forholde seg til og i større grad frigjøres fra offentlig styring. Arbeidet med å forenkle og modernisere jordbruket har stoppet helt opp med den rød-grønne regjeringen. Fremskrittspartiet mener at det er på tide at regjeringen Stoltenberg viser handlekraft og gir bøndene mulighet til selv å bestemme hvordan de vil drive sin egen virksomhet. Det må være et paradoks at siden år 2000 er det blitt over 20 000 færre bønder i Norge, samtidig som produksjonen har økt. Det må også være et paradoks at det er med Senterpartiet i regjering at avvikling av norsk landbruk når nye høyder, med nesten 5 000 nedleggelser på få år. Fremskrittspartiet beskyldes for å være den største trusselen mot norsk landbruk – som vi også har hørt i innleggene her tidligere – men vi ser i praksis at den rød-grønne regjeringen, med Senterpartiet i spissen, nærmest har startet en avvikling og nedleggelse av norske bønder over hele landet. Fremskrittspartiet er opptatt av at det må være en gjennomgang og endring av bl.a. jordloven. I dag er det kun på papiret at bonden selv får bestemme over egen jord, for alle bønder har fått merke at i praksis er det byråkratene hos landbruksmyndighetene som bestemmer hvordan jorda skal benyttes, og ikke bonden selv. Fremskrittspartiet vil gjeninnføre full eiendoms- og produksjonsfrihet for matprodusenter. Behovet for dagens system med støtteordninger vil da gradvis reduseres, og vi vil også innføre en kompensasjonsordning som i en periode støtter dem som på en negativ måte blir blir vesentlig berørt av endringene i landbrukspolitikken. Vi mener det må gis omstillingstiltak for dem som ønsker å få fram nye næringer i landbruket og markedsrette sin produksjon. Med Fremskrittspartiet i regjering ville norske bønder fått en betydelig skatte- og avgiftslette. Fremskrittspartiet vil ha en ny landbrukspolitikk som kan legge grunnlag for en robust norsk matproduksjon over hele landet, som offensivt kan møte den internasjonale konkurransen som stadig kommer nærmere, og utnytte eksportmuligheter ved en friere matvarehandel. Fremskrittspartiet mener det sosialistiske landbrukspolitiske styringssystemet er et hinder for å utvikle matproduksjon i retning av forbrukerhensyn og bort fra byråkratiske begrensninger. Fremskrittspartiet er skuffet over at de øvrige partier på Stortinget ikke tar et oppgjør med en landbrukspolitikk som har sviktet i forhold til målsettingene om bosetting, sysselsetting Jordbruksnæringen har vært gjennom store omveltninger de siste 20 årene, og antallet produksjonsenheter er halvert. Til tross for en negativ utvikling med lave inntekter og nedleggelser har man fortsatt politikken med produksjonsreguleringer og begrenset eiendomsrett. Fremskrittspartiet mener det haster med å innføre en ny landbrukspolitikk gjennom en entreprenørskapsmodell, der den private eiendomsretten og næringsfrihet er sentralt. Vi mener det er viktig å skille nærings- og distriktspolitikk og å sørge for å gi bonden næringsfriheten tilbake gjennom en fullverdig eiendomsrett og rett til å styre sin egen produksjon. Konkurranse er den viktigste forutsetning for et godt entreprenørmiljø, og derfor må de etablerte ordningene som hindrer dette, avvikles snarest. Der har vi vært og sett til New Zealand, der det virkelig går så det suser, fordi de har deregulert det som er å deregulere av regler, de lar næringen styre og lar også markedet være med og

Vi foreslår en nedtrapping av næringssubsidiene og viser til at større næringsfrihet vil gi bedre inntektsmuligheter for matprodusentene enn det passive støtteordninger gir grunnlag for. Som eneste parti har vi i budsjettet lagt fram forslag om å legge 1,5 milliarder kr i omstillingsstøtte for landbruket, som skal bidra til omstilling og innovasjon. er på tide at norsk landbruk får lov å være innovativ. Fremskrittspartiet mener at jordbruksnæringen må finne sin plass blant vanlige produksjoner som søker et marked i friest mulig konkurranse. Vår politikk legger til rette for moderne rammebetingelser som vil skape nye muligheter for matproduksjon over hele landet. De som har fulgt med i utviklingen i landbruket i den siste tiden, har registrert at flere og flere bønder, sammen med stortingsrepresentant Lundteigen, nå går offentlig ut og kritiserer Regjeringens landbrukspolitikk, og det må vel si nok for ministeren. er på grunn av sine rammebetingelser preget av tilbakegang og pessimisme. Bøndene er misfornøyd med lave inntektsmuligheter og liten næringsfrihet, og forbrukerne er misfornøyd med Europas høyeste

sto 34 000 landbrukseiendommer tomme. Meg bekjent – og ifølge Statistisk sentralbyrå fra 2009 – står det allerede i dag langt flere landbrukseiendommer ubebodde som direkte følge av et lite fleksibelt regelverk. Saken er den at det haster med å ta nødvendige grep for å gjøre lovverket mer fleksibelt, slik at det blir lettere å drive gårdsdrift eller å bo på en landbrukseiendom.

som griper tungt inn i den enkeltes eiendomsrett, samtidig som den er et sterkt inngrep i den enkeltes rett til å bestemme hvor man vil bo. Det er faktisk god distriktspolitikk å oppheve boplikten. Jeg har med glede merket meg at landbruks- og matministeren har hevet grensen til det dobbelte for når det det kreves prisvurdering ved salg av landbrukseiendom, og at maksimal boverdi tredobles. Jeg registrerer også at statsråd Brekk uttalte følgende: «Endringene bidrar til at vi får et enklere regelverk for prisvurdering. Jeg vet også at mange nordmenn har en drøm om å få kjøpe seg et bruk. Håpet er at disse endringene skal gjøre det mulig å øke omsetningen av landbrukseiendommer, slik at flere kan få realisert Dette er viktig, og det er et steg i riktig retning som vi i Høyre har kjempet for lenge. Men ser vi på Landbruks- og matdepartementets egen argumentasjon og tar den på alvor, burde de oppheve hele priskontrollen fordi den demper omsetning. Vi ser dessverre at virkemidlene fra Regjeringen langt ifra er gode nok, og at stadig flere landbrukseiendommer Ser vi hele landet under ett, står faktisk 21,8 pst. av de drøyt 175 000 eiendommene uten bosetting, dette ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå fra 1. januar 2009. Det tilsier ut ifra mitt regnestykke at ca. 38 000 boliger står tomme, og det utgjør Man skal ikke langt utenfor bykjernen før boplikt oppleves som blodig alvor. Til tross for denne situasjonen ser vi at Regjeringen med Senterpartiet i førersetet stikker hodet i sanden og framholder skjerping av boplikten og en stram priskontroll. Høyres representant Svein Flåtten fremmet 3. desember 2009 et skriftlig spørsmål til statsråden vedrørende en sak der fylkesmannen i Vest-Agder fattet vedtak om å nekte fradeling av kårboligen i Eigersund kommune, der eierens eldste sønn ønsket å overta gården, og datteren ønsket å overta kårhuset. En slik løsning ville gitt flere av eierens etterkommere mulighet til å overta eiendommene og bosette seg på gården. Det var ikke drift på bruket, og jorden var leid ut til et bruk som ligger ca. 1 mil fra gården. Til orientering har andre kårhus i samme område som ligger betydelig nærmere gårdstunet enn dette, tidligere blitt fradelt da riktignok før brevet fra tidligere statsråd fra Senterpartiet kom om en innskjerpet praksis i slike saker. I sitt svar på spørsmålet fra representanten Flåtten sa statsråd Brekk følgende: «Jeg er enig med representanten Flåtten i at dagens praksis med hensyn til fradeling av kårboliger kan gi urimelig utslag. Jeg er derfor innstilt på å se nærmere på dette i tilknytning til arbeidet med gjennomgangen av delingsforbudet.» Jeg har et spørsmål til statsråden som jeg håper han vil besvare: Vil statsråden holde løftet som ble gitt om å se nærmere på dette? Når vil det i så fall skje? I hvilken form vil denne viktige saken, som har så stor betydning for alle dem som skal leve og bo i Distrikts-Norge, komme til Stortinget? Det er ei viktig problemstilling som representanten

Vi har nettopp behandla ei stortingsmelding om klimapolitikk og landbruk. Her var mattryggleik eit viktig element, og i det perspektivet er det viktig å halde dyrka mark i hevd. For SV er det viktig å ta vare på og vidareutvikle eit allsidig landbruk som utnyttar viktige ressursar som beite og Eg har hatt kontakt med folk som arbeider med omsetning av gardsbruk. Dei peikar på at det gjerne er unge folk som ønskjer å kjøpe landbrukseigedomar, og dei har ofte lita kjøpekraft. Frislepp av pris og fjerning av buplikt, slik interpellanten ønskjer, vil føre til auka pris. Det vil vere ein fordel for kjøpesterke folk som ønskjer å skaffe seg ein fritidseigedom. Men denne kjøpesterke gruppa vil fortrengje mindre kjøpesterke grupper som ønskjer å investere i driftsbygning og buskap, vidareføre landbruksproduksjonen, utnytte beitelandet og halde jorda i hevd. Vi som har vakse opp på ein gard, veit at gardsbruk er livsverket til mange tidlegare generasjonar. Dette skaper ofte sterke bindingar til garden, og det er naturleg nok med på å avgrense omsetning av Fjerning av prisregulering og oppheving av buplikt vil i liten grad endre på dette, berre fortrengje unge som genuint ønskjer å drive landbruk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Norsk Bygdeungdomslag har etablert prosjektet «Slipp oss til – ungdom inn i landbruket». Der arbeider ein konkret med å få ungdom inn i landbruket. Prosjektet samarbeider med fleire kommunar for å auke tilgangen på landbrukseigedomar til folk som er genuint interesserte i å drive bruket, og heilt eller delvis vil gjere bruket til eit levebrød. I ein del kommunar er det arbeidd godt med slike prosjekt. Det har skapt større omsetning av bruk, og det er skapt levekraftige bygder ikkje berre med folk som bur der i periodar, men med folk som Det er dette som er vegen å gå, ikkje å la fri pris fortrengje dei som ønskjer å byggje seg ei framtid og skaffe seg eit levebrød på aktiv gardsdrift. Vi treng dei som vil drive aktivt landbruk, og vi skal følgje opp dei intensjonane vi var samde om då vi behandla stortingsmeldinga om klima og

Dette tilsvarer et kutt i vederlaget til arbeid og egenkapital i jordbruket med om lag 70 pst. eller 129 000 kr pr. årsverk i 2010 – noe som særlig ville rammet unge brukere og de som har satset på næringen med nyinvesteringer de siste årene. Kuttforslagene i støtte, kombinert med de andre forslagene, ville etter en konkursbølge sentralisere landbruket i Norge rundt de største byene, mens det ikke ville være mulig å opprettholde noe landbruk i resten av landet. Det hjelper heller ikke med omstillingsstøtte, som Fremskrittspartiet foreslår, dersom grunnlaget for landbruket er borte. Jeg synes det er merkelig at Fremskrittspartiet snakker om å styrke grunneiers disposisjonsrett, når de samtidig vil avvikle landbruket og dermed rive ned grunnlaget for levende bygder rundt om i landet. Dette er sannheten om Fremskrittspartiets politikk for landbruket, distriktene og grunneierne. Med denne bakgrunnen kan man med rette spørre om Fremskrittspartiets bekymring over tomme gårdsbruk og grunneiere snarere er rene krokodilletårer enn reell bekymring. Fremskrittspartiet vil også avvikle omsetningsloven og markedsregulering til fordel for et rent markedsbasert omsetningssystem. Dagens markedsordninger bidrar til å gi stabile og forutsigbare priser for både bonde og forbruker. Uten regulering vil prisene variere betydelig, og det er verken produsent eller forbruker tjent med. Ustabile priser, og dermed inntekter, vil påvirke risikovurderinger og investeringslyst. Når det gjelder de gårdsbrukene som i dag ikke er bebodd, deler jeg ikke representanten Bredvolds syn om at det er lovgivningen som er årsaken. Jeg tror tvert imot at dersom reguleringene skulle bli fjernet, legges det til rette for at mange flere gårdsbruk enn i dag vil bli tatt i bruk som fritidseiendom. Senterpartiet er helt klar på at det politiske målet må være å legge til rette for at ressursene de tomme boligene representerer, blir utnyttet til å sikre bosetting i sårbare lokalsamfunn. Vi er opptatt av levende bygder og å legge til rette for positiv utvikling i distriktene. Dersom eieren selv ikke bruker gården til bolig eller næring, mener vi i Senterpartiet at vi må stimulere til å få gården eller boligen på salg. I tillegg må de som ønsker å bo i huset, få reell mulighet til å kjøpe. De må ikke konkurrere på pris med eiere som vil bruke eiendommen til fritidsformål. Skal bosettingen sikres på sikt, må det dessuten finnes eller skapes arbeidsplasser for dem som skal bo i husene. Statsråden nevnte i sitt innlegg at flere regioner og kommuner har satt i gang målrettet prosjektarbeid for at fraflyttede bruk får fast bosetting. Sammen med målrettet bruk av dagens lovgivning kan det føre til at de som ønsker det, kan skaffe seg en bolig til å bo i uten å bli utkonkurrert av folk som ønsker å kjøpe seg en hytte. Det er viktig å se på hva det enkelte parti står for i praktisk politikk, og forslagene til Fremskrittspartiet i statsbudsjettet for 2010 viser helt klart hva partiet står for i landbrukspolitikken. Det er verd å merke seg for alle. Senterpartiet er ikke villig til å rasere landbruket, slik Fremskrittspartiet legger opp til. Vi vil fortsatt kjempe for en politikk med levende bygder og landbruk i hele landet. Interpellanten peker på et svært stort paradoks i den norske landbruks- og distriktspolitikken: Over 22 pst. av landbrukseiendommene med boligbygning står tomme, samtidig som det er en rekke mennesker som ønsker å overta disse, noe som landbrukets kompliserte og unødvendige regelverk er direkte til hinder for. Det gjelder odelsloven, det gjelder delingsforbud i jordloven, det gjelder regler om statlig boplikt, og det gjelder konsesjonsloven.

til å se landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringspolitikk. Landbruket må kort sagt få mindre øremerking, færre skjemaer og færre og enklere retningslinjer. Venstre vil ha en mer aktiv bosettingspolitikk for de landbrukseiendommene som i all hovedsak er et sted å bo. Derfor må det bli enklere å få kjøpt småbruk for å sikre bosetting og økt mangfold på bygdene. For noen år siden gjennomførte Landbruksdepartementet et prosjekt som handlet om ulike scenarioer for fremtidens bygder. Konklusjonen var at det er to scenarioer som står sterkt opp mot hverandre. Det er det som der er kalt for motvindsbygdene, de som er imot forandring, de som alltid vil at ting skal være som det er. Det er bygder det går ganske dårlig med. Det blir stort sett bønder igjen, og dem blir det stadig færre av. Det andre er de bygdene som tør tenke helt annerledes. Det å tenke annerledes på bygdene handler svært ofte om å slippe annerledes mennesker til – med annerledes tanker, annerledes erfaring og annerledes utdanning.

og tar med seg spennende tanker og næringer i tillegg. Til det trengs flere spennende eiendommer på bygdene, som nye mennesker har lyst til å leve av og for på nye måter. Det er det dette dypest sett handler om. Derfor er dagens regelverk et sterkt signal til norske borgere om at bygdas arealer er for bønder. Opphever man dette, sender man et sterkt verdisignal – at vi ønsker annerledes mennesker som ønsker å bo på en annerledes og mer fargerik og spennende måte. For Venstre er hovedmålet i landbruks- og distriktspolitikken å gi grunnlag for økt verdiskaping og livskvalitet bygd på en bærekraftig forvaltning av landbrukets og bygdenes ressurser. Skal vi lykkes med dette, er ikke svaret gårsdagens tankesett, gårsdagens løsninger eller gårsdagens regelverk. I stedet for innstramninger i boplikten må vi ha en aktiv bosettingspolitikk for de landbrukseiendommene som i all hovedsak er et sted å bo. Derfor må det bli langt enklere å få kjøpt de aller fleste av de 32 000 småbrukene som i fleste av de 32 000 småbrukene som i dag står tomme – i all hovedsak på grunn av en feilslått politikk. Avslutningsvis vil jeg rose interpellanten for å ta opp dette viktige temaet. Jeg kjenner selv så altfor godt til denne problemstillingen. Vi må nok avvente et regjeringsskifte for å få en endring på dette området.
neste taler er statsråd

blitt 4 419 færre gårdsbruk og 141 000 mål mindre dyrket. Det er ikke 34 000 tomme, ubebodde gårdsbruk, som jeg nevnte – det er enda verre, dessverre. Det har økt i denne tiden. Lønnsforskjellen mellom en bonde og f.eks. en industriarbeider har ikke bedret seg, og leser man noen aviser i dag, vil man kunne se at det er heller ikke sikkert at landbruksoppgjøret som kommer nå til våren,

odelsgutten eller odelsjenta – altså den eldste gutten eller den eldste jenta – som overtar i dag, slik det var tidligere. Det er en grunn til det, og det synes jeg den sittende regjering og den sittende statsråd skal tenke på. Hvorfor er det ikke alltid så gjevt å overta et gårdsbruk, slik det er i dag? Ellers fikk Fremskrittspartiet kritikk fra Senterpartiet – med forbehold om at jeg husker riktig at vi ikke har tro på lokalsamfunnet og lokalpolitikerne. Det er jo akkurat det Fremskrittspartiet har. Hvem var det som f.eks. la ned fylkeslandbruksnemnda? Den er borte. Hvem er det som f.eks. ønsker at rovdyrpolitikken skal legges til et nivå og så nær lokalpolitikerne som mulig, fordi nettopp de kjenner problemene best? Slik kan vi gå inn i mange tema når det gjelder hvordan vi skal ivareta det norske landbruket. landbruket. Jeg har fremdeles ikke fått noe svar på hva man legger i «stimulere» til salg. Er det ved tvang, eller er det andre muligheter? muligheter? Jeg vil oppfordre særlig Senterpartiet til å se på Fremskrittspartiets landbrukspolitikk. Det handler ikke bare om 7,5 milliarder kr i minus. Det handler om å gi omstillingsmuligheter. Det handler om skatter, avgifter, frihet, råderett, etc., til å kunne bruke gården til det den enkelte ønsker. Det finnes mange muligheter utenom det å drive bare med korn og poteter, som vi gjør på Hedmarken. Innledningsvis vil jeg i dette avslutningsinnlegget mitt understreke at etter min mening er

Vi har i det siste gjennomført regionale konferanser i forbindelse med arbeidet med den nye stortingsmeldingen om landbruk og matpolitikk, og der er det ingen som tar opp de synspunktene som Fremskrittspartiet her fremmer, og som også Høyre stiller seg bak når det gjelder Jeg mener at de virkemidlene vi har i dag, er gode, men de må brukes aktivt for å sikre levende bygder. Da må vi særlig rette søkelyset – mer enn tidligere – på bruken av mindre eiendommer, altså eiendommer under konsesjonsgrensen. Hvis flere får anledning til å skaffe seg livstidseiendommer, noe mer enn en tomt, kan vi få en vinn–vinn-situasjon. Det har jeg understreket i mitt tidligere innlegg, og jeg skal ikke gjenta det på nytt. Så har jeg fått et par spørsmål fra Røbekk Nørve som jeg gjerne vil svare på. Representanten nevner en sak i et skriftlig spørsmål som jeg har svart på, som gjelder kårbolig i Eigersund. Jeg vil bare igjen understreke at vi jobber nå med en gjennomgang av prinsippene for praktisering av delingsforbudet. Nye retningslinjer vil bli utarbeidet, og vi praktisering av delingsforbudet. Nye retningslinjer vil bli utarbeidet, og vi er i gang med det. Stortinget vil bli informert om det på en adekvat måte så raskt som mulig. Så til representanten Han har også tatt opp et par spørsmål som han ønsker svar på. Jeg vil bare understreke at i forbindelse med arbeidet for å utvikle nye næringer i bygdene med basis i landbrukets ressurser, er jeg opptatt av reiseliv, som også Bredvold understreker, og annen bruk av de ressursene vi har på gårdene. Da må selvsagt produksjonen være være innenfor de rammene som lov og regler tilsier. Det forutsetter jeg er et ansvar som den enkelte utøver har. Vi bruker virkemidler gjennom endring av lovgivningen, justering av delingslov og justering av prisreguleringsvirkemidler, for å stimulere til disse satsingene, i tillegg til at vi har satt av virkemidler over jordbruksavtalen gjennom Innovasjon Norge. Helt til slutt har jeg bare lyst til å understreke at når vi snakker om å øke omsetningen av eiendommer i jordbruket, må vi huske på at de som eier disse eiendommene, også har sin eiendomsrett, som de må ha lov til å ivareta. Det innebærer også at de kan avstå fra salg. Da er behandlingen av sak nr. 6 avsluttet. Møtet avbrytes nå. Nytt møte settes kl. 18.